fremstilles også i notatet som om kontroll- og konstitusjonskomiteens hovedoppgave er å forholde seg til konstitusjonelle spørsmål. Det er en viktig oppgave, men det er helt galt. Mesteparten av vår tid går jo med til kontroll og ikke til spørsmål av konstitusjonell størrelse – hadde jeg nær sagt. Vi kontrollerer både på basis av Riksrevisjonens rapporter og på bakgrunn av egeninitierte kontrolloppgaver. Vi har faktisk – og det synes jeg vi skal være stolt av – en av de mest moderne kontrollkomiteene i verden, og det er en stadig pågang fra andre land for å se hva de kan lære, og det er ikke så rent lite! Det å ha én komité som har spesialisert seg på kontrollvirksomhet, har klart styrket den parlamentariske kontrollen med forvaltningen, i tråd med det som er Grunnlovens intensjon og bestemmelser, og endringen i forvaltnings- og ansvarsstrukturen i samfunnet. Det er derfor etter min vurdering en feilslutning hvis man mener at det blir bedre kontroll av forvaltningen gjennom å overlate kontrollansvaret til fagkomiteene. Så har rapporten et par gode poeng når det gjelder viktigheten av å være tydelig på hva en legger til grunn som Stortingets forutsetninger ved gjennomføring av forvaltningsrapporter. Dette er også et tema som har kommet opp i mange samtaler mellom kontroll- og konstitusjonskomiteen og Riksrevisjonen, og jeg må si at jeg allerede nå oppfatter at det er forbedringer og endringer i ble det fremmet en påstand om at Riksrevisjonens faglige kompetanse er sviktende. Det er jo alvorlig! Jeg må si jeg er usikker på hvor grundige forundersøkelser som er gjort før den påstanden ble fremmet fra Civitas side. I 2011 gjennomførte Riksrevisjonen den undersøkelsen saksordføreren viste til, og tilbakemeldingene fra de virksomhetene som ble revidert, viste at minst 75 pst. mente at Riksrevisjonen har tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre sine oppgaver. I tillegg er det klart at Stortinget er fornøyd med det faglige innholdet i rapportene. Det ga også saksordføreren klart uttrykk for fra talerstolen nå nettopp, og det er faktisk enda viktigere enn at de som utsettes for kontrollen, er fornøyde. Civita-notatet påstår også at Riksrevisjonen gjennomfører sitt virke og kommer med sin kritikk på basis av sviktende mandat, altså at det er et misforhold mellom det Riksrevisjonen faktisk gjør, og det denne Det ville naturligvis vært et helt avgjørende tema i innstillingen hvis Stortinget var av den oppfatningen, men Stortinget har ikke hatt den oppfatningen i noen av de innstillingene om Riksrevisjonen som jeg har sett. Og det er tross alt opp til Stortinget å gi Riksrevisjonen signaler om en mener en beveger seg i eller utenfor grenser som Stortinget har fastsatt. Det har ikke vært tilfellet så langt, med ett mulig unntak. Det er forvaltningsrevisjonen av Norges Bank. Utover det har ikke, så vidt jeg har sett, Stortinget pekt på at Riksrevisjonen beveger seg i en retning som Stortinget mener er feil. Når det gjelder viktigheten at den parlamentariske kontrollen, som vi nå har snakket om, og som også Civita-rapporten handler om, ble jeg litt motløs da jeg leste i notatet at de tok til orde for å vurdere å flytte den parlamentariske forvaltningskontrollen helt ut av Riksrevisjonens arbeidsfelt og over til det de betraktet som en uavhengig etat, som f.eks. Direktoratet for økonomistyring. Civita foreslår altså å løfte den parlamentariske forvaltningskontrollen bort fra Stortingets kontrollorgan over til regjeringens direktorat. det er en ganske sterk indikasjon på at det er vanskelig å ta disse innspillene på alvor. Grunnlaget for den parlamentariske kontrollen kan selvsagt ikke flyttes fra et stortingsoppnevnt organ og over til regjeringens direktorat. Da er det ikke lenger parlamentarisk kontroll Det er også unyansert – i det minste – når Civita hevder at Riksrevisjonen ikke utsettes for kontroll, for i tillegg til den dialogen Stortinget har gjennom kontroll- og konstitusjonskomiteen, med meninger og vurderinger knyttet til Riksrevisjonens rammer, gjennomføres det ekstern revisjonskontroll av Riksrevisjonen av et av de største revisjonsfirmaene i landet, i tillegg til at det gjennomføres fagfellevurderinger som gjøres med jevne mellomrom. Og i årsmeldingen i år er det lagt frem en fagfellevurdering og resultatet av en fagfellevurdering i 2011. Noen synes sikkert det er rart, men jeg syntes det var greit å bruke dette Civita-notatet som grunnlag for innlegget om Riksrevisjonens melding om virksomheten, fordi det berører egentlig samme forhold, og fordi jeg synes det er viktig at vi skal tåle kritikk av Stortingets kontrollorgan, men kritikken bør altså fremmes på et saklig og grundig fremgår det ganske tydelig av mitt innlegg at jeg mener presisjonsnivået i Civitas rapport er noe lavere enn det vi er vant til fra Riksrevisjonen. Derfor er det enklere å legge til grunn Riksrevisjonens rapport og melding om virksomheten i 2011 enn påstandene fra Civita. I all hovedsak fungerer, oppsummeringsmessig, vår riksrevisjon godt, som saksordføreren beskrev på en god måte. Som på alle andre områder er det selvfølgelig forbedringspotensial, bl.a. kan virksomheten være mer effektiv og levere flere forvaltningsrevisjonsrapporter til Stortinget basert på det omfanget Riksrevisjonen har. Det er viktig at Riksrevisjonen er enda mer aktuell. Akkurat i dag har de truffet ganske bra, for i dag la Riksrevisjonen frem en rapport om reindriften, og senere i dag skal vi behandle reindriftsavtalen i Stortinget. Det passer jo ganske utmerket. Slikt bør vi ha enda mer av, selv om jeg egentlig tror det er en tilfeldighet at det havnet slik. I tillegg er det noen innspill om kritikken fra Civitas side som rammer Riksrevisjonen, som er gjengitt av flere i Aftenposten, og som det går an å ta med seg videre i diskusjonen om forbedring av Riksrevisjonen. Men særlig er tilbakemeldingene fra fagfellevurderingen viktige og nødvendige å følge opp. Jeg vet at Riksrevisjonen gjør det og allerede har gjort det på en del punkter, og at de vil fortsette med det i 2012. Jeg valgte i mitt første innlegg å ikke bruke mye tid på Civita-rapporten, men sier nå at jeg slutter meg til det som representanten Anundsen har sagt, og den kommentaren han har gitt til denne rapporten her fra talerstolen. Når jeg tok ordet på nytt nå, var det fordi det er et aspekt ved det som jeg ikke tok opp i innlegget mitt, men som jeg har lyst til å framføre her. Det tror jeg at jeg kan si er på vegne av hele komiteen. av hele komiteen. Selvsagt er det slik at jeg aksepterer fullt ut at framtredende representanter for forvaltningen står fram i offentligheten og kritiserer Riksrevisjonen. Det må de bare gjøre. Jeg noterer meg at i Aftenpostens oppslag er det avgåtte, framtredende representanter for forvaltningen som står fram. De gjorde det altså ikke mens de var i posisjon. posisjon. Det jeg har lyst til å si, er at hvis det er slik at framtredende representanter for forvaltningen, departementsråder eller andre, som sitter i de helt ansvarlige stillingene i vårt embetsverk, mener at den revisjonen vi har av den virksomheten som drives – som vi her i Stortinget også i dag sier er bra – er så gal som det framkommer der, har de en plikt til å sørge for at det kommer oss for øre på en ordentlig måte. Det har ikke skjedd i hvert fall i løpet av den tiden jeg har vært her på Stortinget. Nå er ikke det lenge, men tross alt så lenge at jeg har grunnlag for å si det. Så vil jeg si en ting til som jeg tror er et ønske fra hele komiteen. Det som jeg merker i det alminnelige «snakket» – for å bruke det uttrykket, det er et litt uhøytidelig uttrykk, men jeg tror alle forstår hva jeg sier – om Riksrevisjonens arbeid,

ikke negative konklusjoner, men veldig positive konklusjoner, altså at vi flytter merkesteiner i vårt arbeid. Det har sikkert med kommunikasjon mellom Riksrevisjonen, forvaltningen og Stortinget å gjøre, og det er et område hvor jeg fortsatt mener at vi har ganske mye å gå på, som det heter. Vi har fortsatt ganske mye å lære, og vi har fortsatt muligheten til å bruke Riksrevisjonens arbeid til å gjøre forvaltningen bedre. Da må kommunikasjonen mellom forvaltningen og Riksrevisjonen være god. Det må ikke være en innebygd motsetning mellom Riksrevisjonen og forvaltningen, for da blir det en motsetning og ikke et samarbeid.

som også denne gongen får mange klager, ca. 600. Det er klart at der er det eit stort forbetringspotensial. Eg ser f.eks. i Stavanger Aftenblad i dag at unge funksjonshemma klagar på Nav fordi dei ikkje får den hjelpa dei skal ha for å koma i jobb. Gjer dei noko med systemet sitt, kan det vera at me får ned klagemengda. Det har eg tru på at dei gjer noko med,

uansett skal informera om Sivilombodsmannen og den moglegheita når kommunane og fylkesmennene saksbehandlar innanfor eit saksområde. Det trur eg er lurt. Så kan det vera at Kristin Halvorsen, kunnskapsministeren, òg kan vera ein person å snakka med for å få opp kunnskapsnivået i Noreg knytt opp til at me har denne unike Sivilombodsmannen.

Det blir spennande å sjå framover kva som skjer med det i forhold til Sivilombodsmannen. Då trur eg at eg nok ein gong skal seia at det er fint at det no er snart 50 tilsette på sivilombodsmannkontoret. Eg forstår på Sivilombodsmannen at han no ser på organiseringa, sånn at organiseringa om mogleg kan bli endå meir effektiv. Det trur eg er lurt. Men, som sagt, ein samla er, sånn som eg oppfattar det, svært fornøgd med Sivilombodsmannens jobb og ber han stå på vidare. Som saksordføreren redegjorde for, er

siste skanse for folk flest. Det er imidlertid ett forhold som jeg ønsker å kommentere litt nærmere, som også Sivilombudsmannen tar opp i sin årsmelding. Det er de sakene hvor forvaltningen ikke følger opp ombudsmannens uttalelse. Det er sånn, heldigvis, at forvaltningen i all hovedsak følger Sivilombudsmannens råd og anbefalinger og retter opp sakene i tråd med Sivilombudsmannens anbefalinger. I ny og ne forekommer det allikevel at forvaltningen ikke bøyer seg for ombudsmannens syn. Sivilombudsmannen har i sin årsmelding redegjort nøye for noen av de konkrete sakene hvor dette har skjedd, så jeg skal ikke gå konkret inn i det, men i stedet si litt generelt. Dagens ordning, hvor Sivilombudsmannen kommer med en uttalelse, og ikke et nytt vedtak, som egentlig er vanlig for andre klageinstanser, har som en grunnleggende forutsetning at Sivilombudsmannens uttalelser blir fulgt og respektert av forvaltningen. Dersom forvaltningen ikke følger ombudsmannens uttalelser, kan det være egnet til å svekke tilliten både til forvaltningen og til hele sivilombudsmannsordningen. Dersom Sivilombudsmannens uttalelse ikke følges opp, har Sivilombudsmannen en slags siste mulighet til å anbefale klager å reise søksmål. En slik anbefaling innebærer at saksøker får dekket sine egne saksomkostninger, men ordningen har den svakhet at man ikke får dekket motpartens saksomkostninger hvis en skulle tape saken, til tross for at Sivilombudsmannen har anbefalt søksmål. Det har den konsekvens at det er mange som kvier seg for å gå til sak mot staten, fordi den økonomiske risikoen ved prosessen likevel er for stor. De sakene som Sivilombudsmannen har anbefalt klager å gå til søksmål i, er ofte saker av prinsipiell karakter. Hvis tendensen fremover er slik at forvaltningen i større grad velger å se bort fra Sivilombudsmannens uttalelser, legger jeg og Fremskrittspartiet til grunn at Sivilombudsmannen er grundig og tar det opp i sine fremtidige årsmeldinger, og eventuelt kommer med forslag til hvordan en kan gjennomføre tiltak som kan rette opp en slik utvikling.

og det er avgjørende at tjenestene har nødvendig handlingsrom for å gjøre sitt arbeid effektivt. Samtidig skal det sikres tilstrekkelig demokratisk kontroll over tjenestenes aktivitet, og til det har vi EOS-utvalget, som gjør en formidabel arbeidsinnsats for å undersøke om de hemmelige tjenestene opererer innenfor de lovrammene som er gitt i denne sal. Derfor har jeg lyst til å starte med å si at hovedbildet er at våre hemmelige tjenester gjør en svært god jobb, og at det sjelden oppdages forhold som er Dialogen mellom tjenestene og EOS-utvalget fremstår som god, og tjenestene tar signaler fra utvalget svært alvorlig. Det bør de fortsette med. EOS-utvalget skal føre løpende kontroll med de hemmelige tjenestene for å sikre at EOS-tjenestene ikke krenker den enkeltes rett til privatliv og begår urett mot den enkelte. Komiteen er fornøyd med at EOS-utvalget ikke har møtt spesielle problemer når det gjelder utøvelsen av kontrollvirksomheten i 2011, og at tjenestene gjennomgående har vist stor forståelse for utvalgets kontroll. Det er egentlig et merkeår i år: EOS-utvalget har 15-årsjubileum i år og er det yngste av Stortingets kontrollorganer. I årsmeldingen peker utvalget på en del sentrale utviklingstrekk siden oppstarten i 1996 som det kan være verdt å merke seg. Det første er den rettslige utviklingen som har funnet sted de siste tiårene. Særlig gjelder dette innkorporeringen av menneskerettighetene, som f.eks. artikkel 8 i EMK, som skal sikre retten til privatliv og familieliv. Skal offentlige myndigheter gripe inn i denne retten, må de ha en klar og presis lovhjemmel. I tråd med dette har EOS-utvalget vært opptatt av at EOS-tjenestenes inngrep i retten til privatliv skal være klart hjemlet i lovverket, og at gjeldende prosedyrer blir grundig Det er et viktig og riktig fokus. Kontrollen har imidlertid vist at det fra tid til annen fremdeles skjer inngrep overfor norske borgere uten at nødvendig hjemmel foreligger. Jeg kommer litt tilbake til det senere. Det andre utviklingstrekket som EOS-utvalget peker på, er den teknologiske utviklingen, som i stor grad går raskere enn regelverksutviklingen, og at det kan skape en del problemer for Den teknologiske utviklingen gjør også at EOS-utvalget har behov for å styrke den tekniske kompetansen i utvalgsarbeidet. Dette er komiteen enig i. Det tredje utviklingstrekket er at bemanningen i sekretariatet generelt er styrket, slik at EOS-utvalget nå kan gå dypere inn i enkelte saker og problemstillinger, og om nødvendig opprette spesifikke prosjekter. Dette er bra. I 2011 oversendte utvalget to særskilte meldinger til Stortinget, om overvåking av norske borgere foretatt av gruppen Surveillance Detection Unit, SDU, og om POTs metodebruk i Treholt-saken. Komiteen vil understreke betydningen av at EOS-utvalget også i fremtiden benytter seg av muligheten til å sende særskilte meldinger til Stortinget for å sikre at slike saker kan få en tidsaktuell og politisk behandling her. Komiteen har merket seg at EOS-utvalget har startet et eget prosjekt som ser nærmere på registreringer knyttet til et par utvalgte miljøer som PST i forebyggende øyemed følger med på, og prosjektet vil bli presentert i en særskilt melding til Stortinget i løpet av 2012. Jeg vil si litt konkret om de enkelte tjenestene, og starter med PST. EOS-utvalget har ikke funnet grunnlag for å rette kritikk mot PST for bruken av tvangsmidler som kommunikasjonskontroll, romavlytting, hemmelig ransaking mv., med unntak av ett tilfelle. I oktober 2010 kom det frem i media at PST hadde gjennomført skjult fjernsynsovervåking av en kjellerbod som ble disponert av en person som var mistenkt for å inngå i et terrorforbund med to andre personer. EOS-utvalget ba om en nærmere redegjørelse for denne overvåkingen. Til tross for at EOS-utvalget hadde mottatt løpende orienteringer om sakens utvikling fra tjenesten, var utvalget ikke gjort kjent med at kjellerboden var fjernsynsovervåket. Tjenesten var av den oppfatning at overvåkingen besto i fjernsynsovervåking av en gjenstand, og at overvåkingen ikke var så inngripende at den trengte lovhjemmel. Etter EOS-utvalgets vurdering fant fjernsynovervåkingen sted på et privat område og var av en slik karakter at det var nødvendig med hjemmel. Komiteen er enig med EOS-utvalget i at kjellerboden er et privat sted, og at personovervåkingen var av en slik karakter at det var nødvendig med hjemmel. Når det gjelder den manglende orienteringen om metodebruken til EOS-utvalget, er komiteen enig med EOS-utvalget i at den skjulte fjernsynsovervåkingen er av en slik karakter at det burde vært gitt en orientering til utvalget. Komiteen forutsetter at PST i fremtiden opplyser utvalget om bruk av alle former for inngripende metoder, også de tjenestene måtte betegne som såkalte operative tiltak. Komiteen er godt fornøyd med at EOS-utvalget ikke har funnet grunnlag for å rette kritikk mot PST for behandlingen av og utleveringen av opplysninger om norske og utenlandske borgere til utenlandske samarbeidende tjenester. Tilsvarende gjelder gjennomgangen av klagesaker mot PST, hvor ingen av de avsluttede klagene har gitt grunnlag for kritikk av PST i 2011. Så vil jeg si et par ord om NSM, Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Komiteen er godt fornøyd med at EOS-utvalgets inspeksjon av NorCERT ikke ga grunnlag for videre oppfølging fra utvalgets side. Inspeksjonen av NorCERT viste at avdelingen er godt oppmerksom på personvernrettslige problemstillinger. Komiteen har videre merket seg at saksbehandlingen og vurderingene i sammenlignbare klareringssaker varierer en Komiteen er enig med EOS-utvalget i at dette ut fra et likebehandlingsprinsipp kan være uheldig. Ulikheten kan ha sammenheng med at det er 45 klareringsmyndigheter, hvor saksomfanget varierer fra ingen klareringssaker til over 20 000 per år. Klareringsmyndighetene har heller ikke tilgang på et erfaringsarkiv som viser forvaltningspraksis på området. Komiteen har bedt departementet vurdere behovet for eventuelle endringer på dette området. Etter gjeldende regelverk har den omspurte ikke rett til innsyn i referat fra sikkerhetssamtalen før avgjørelse om sikkerhetsklarering er fattet. Komiteen er enig med EOS-utvalget i at det bør være en slik innsynsrett ut fra hensynet til kontradiksjon og saksopplysningshensyn. Når det gjelder EOS-utvalgets kontroll med FSA, er komiteen godt fornøyd med at EOS-utvalget ikke har funnet grunn til å følge opp FSAs saksbehandling i klareringssaker. FSA er landets største klareringsmyndighet, med over 20 000 klareringsavgjørelser av til sammen 28 000 klareringsavgjørelser hvert år. Komiteen har merket seg at det har kommet inn tre klagesaker til EOS-utvalget mot FSA, hvor samtlige er avsluttet uten kritikk fra utvalgets side. Komiteen er også fornøyd med at EOS-utvalget i 2011 ikke har avdekket kritikkverdige forhold knyttet til FSAs utøvelse av militær kontraetterretning. Når det gjelder E-tjenesten, er komiteen fornøyd med at forbudet mot innhenting av opplysninger mot norske borgere som oppholder seg på norsk territorium, er overholdt, og det er ikke funnet andre kritikkverdige forhold i forbindelse med kontrollen av den tekniske innhentingsvirksomheten ved Forsvarets stasjoner. Komiteen har for

Det er positivt, og noe vi er fornøyd med. Komiteens innstilling er enstemmig på alle områder og er med dette fremlagt for debatt. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Det pleier ikke å være en stor sak når Stortinget behandler statsrådets protokoller, men det er

heldigvis er det sjelden vi finner noe særlig å klage på. Jeg skal gå veldig fort gjennom dette. Komiteen har merket seg at det ikke har vært noen dissenser i det halvåret som vi har behandlet, og vi har heller ikke hatt noen merknader til behandlingen av benådningssaker i dette halvåret. Vi har heller ikke hatt merknader til forskrifter som er fastsatt eller opphevet i statsråd i det halvåret – men vi behandlet statsrådets protokoller for halvåret før, altså det første halvåret av 2011. Da hadde vi bedt om en gjennomgang fra Stortingets utredningsseksjon, knyttet til forskrift av 24. juni om informasjonssikkerhet ved elektronisk tilgang til helseopplysninger i behandlingsrettede helseregistre, med det korte navnet helseinformasjonssikkerhetsforskriften. Der hadde Utredningsseksjonen en del merknader som vi sendte til departementet for uttalelse, og vi fikk da ikke behandlet den gjennomgangen da vi behandlet statsrådsprotokollene for første Derfor er det i innstillingen denne gangen – som varslet fra Stortingets talerstol under den forrige behandlingen – tatt inn noen avsnitt om det. Det er i korte trekk en diskusjon om hvorvidt unntakshjemmelen i forskriften er så vid at den i realiteten ikke har noen særlig begrensning.

altså være mindre generell. Regjeringspartiene – Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet – viser til svaret fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen og sier seg tilfreds med at alle virksomheter som har tatt i bruk behandlingsrettede helseregistre, må få oversikt over alle de informasjonssystemene de har tatt i bruk, og vurdere sikkerheten opp mot forskriftens svar. Derfor legger de til grunn at statsrådens svar er tilfredsstillende. Det er Det er i grunnen den eneste uenigheten i komiteen i denne saken, og den er vel ikke så veldig stor. Til slutt en kort kommentar om komiteens gjennomgang av embetsutnevnelser. Der har komiteen heller ingen andre merknader enn at vi nok en gang opplever at ett departement, nok en gang Nærings- og handelsdepartementet, ikke overleverer utvidede søkerlister til Stortinget. Det må de gjøre, og jeg legger til grunn at justisministeren, som er her på vegne av regjeringen, tar med seg den beskjeden til sine kolleger. De øvrige departementene har nå blitt veldig flinke til dette. Det ser ut til at hele komiteen er komfortabel med redegjørelsen både når det gjelder flertallssynet og mindretallssynet i den enstemmige innstillingen. Flere har ikke bedt om

Saken gjelder et forslag fra fire Høyre-representanter, hvor en ber regjeringa fremme forslag om å innføre en ordning med kumulering ved stortingsvalg, ved stortingsvalget i 2013. Det er enighet i komiteen om at man må drøfte dette temaet videre. Uenigheten dreier seg om hvordan man skal gå fram.

Ved innføringen av den nye valgloven i Norge før kommunevalget i 2003 ble det gitt anledning for velgerne til i større grad å påvirke personvalget. Når en nå drøfter hvordan dette eventuelt skal praktiseres når det gjelder stortingsvalg, er det et spørsmål om å få til en velfungerende valgordning, som skal

folkevalgte. Det enkelte parti har sjølsagt også et klart blikk for i hvilken grad en skal sikre at en får balansert dette, slik at sosiale og geografiske hensyn også blir ivaretatt. Bakgrunnen for forslaget er sjølsagt at en ønsker å utvide adgangen til å påvirke hvem som representerer en på Stortinget, slik at velgerne kan gå inn og individuelt ha innflytelse på hvem som skal representere en. Det er på det punktet det er ulike vurderinger. Mens representantene fra Høyre ønsker å ta opp dette og gjennomføre det ved stortingsvalget i 2013, går regjeringspartiene og Fremskrittspartiet inn for å be regjeringa om å utrede endringer av valgordningen for stortingsvalg, slik at utrede endringer av valgordningen for stortingsvalg, slik at velgerne gis mulighet til å påvirke rekkefølgen av partienes kandidater, samtidig som hensyn til partienes mulighet til å sikre innflytelse over hvilke kandidater som velges, sikres. Vi ber om at en slik reform for stortingsvalg utredes, slik at en eventuelt ny valgordning kan stortingsvalget i 2017. På den måten går flertallet inn for en prosess som er så grundig at en kan få ivaretatt de ulike hensyn, få et rimelig bredt ordskifte omkring det og dermed få en god løsning på et krevende spørsmål La meg først si at for Arbeiderpartiets del og for Arbeiderpartiets stortingsgruppes del er

Vi støtter allikevel forslaget om utredning fordi det, som saksordføreren sa, er et veldig omfattende og viktig spørsmål som dette forslaget tar opp. Det har også en historie som jeg synes det er riktig at man nevner i denne sammenhengen.

sammensetningen av Stortinget, altså på personnivå. Man hadde jo allerede ordninger knyttet til kommunevalg, og også til fylkestingsvalg, men Stortinget avviste å gjøre det når det gjaldt stortingsvalg. Når Valglovutvalget kom fram til den konklusjonen at dette også burde gjelde ved stortingsvalg, hadde det en begrunnelse som strakte seg utover det som knyttet seg direkte til spørsmålet om velgerne skulle få denne innflytelsen, som er det viktigste. Det hadde en som strakte seg utover det som knyttet seg direkte til spørsmålet om velgerne skulle få denne innflytelsen, som er det viktigste. Det hadde en annen begrunnelse, og det var at før man fikk den siste valgordningen, var det jo slik at nå fikk partiene rett til å nominere som de selv bestemte. Sånn var ikke ordningen tidligere. Motvekten mot det var jo nettopp det at velgerne skulle få innflytelse på listene. Det var en balanse i de to forholdene. Den balansen finnes ikke der nå. Det er en av grunnene til at Arbeiderpartiet også støtter konklusjonen i dette forslaget, nemlig nødvendigheten av å få dette utredet. Så får regjeringen gå gjennom disse problemstillingene på nytt, og så får vi komme tilbake til den saken som forslagets intensjon omhandler, nemlig velgernes mulighet til påvirkning på listene. Det er klart at det er et viktig prinsipielt spørsmål å ta standpunkt til. La meg først få takke saksordføreren for en grundig og god

nå nettopp. Utgangspunktet er jo at alle er enige om at velgerne bør ha større innflytelse på hvem som skal velges til folkets fremste tillitsvalgte. Samtidig må det være en balanse mellom slik påvirkning og den interessen partiene har av å sikre at de som er toppkandidater, og som velges til slike fremtredende verv, har de nødvendige forutsetninger for å tre inn i et slikt krevende verv. Likevel har man endt opp med en litt underlig konstellasjon, hvor Fremskrittspartiet har tatt oppstilling sammen med regjeringspartiene. Det skal ikke bli noen vane! Fremskrittspartiet mener altså at det er et vektig motargument mot å lande på forslaget fra Høyre, som egentlig tilsvarer den gamle svenske valgordningen. Svenskene har nå gått bort fra den, fordi det viste seg at den i realiteten ikke økte velgerinnflytelsen. Vårt utgangspunkt har derfor vært at det vil være feil å foreslå innført en valgordning som tilsynelatende skal gi velgerne innflytelse, men som vi samtidig vet, basert på svenskenes erfaring, i realiteten ikke vil ha det som konsekvens. Derfor mener vi det er bedre å gjennomføre den skisserte prosessen og heller lande på endelig valg av modell i neste omgang. Så er det naturligvis slik at det burde vi ha kommet til som konklusjon for lenge siden, slik at det hadde vært mulig å gjennomføre dette arbeidet så det kunne gjelde fra valget i 2013. Sånn ble det dessverre ikke. Men det er likevel gledelig at et enstemmig storting, etter det jeg forstår, vil støtte innstillingen, noen primært og andre subsidiært. Det betyr at vi nå sammen går inn for å øke velgernes innflytelse på hvem som skal velges til denne sal. Det er et vesentlig fremskritt og borger godt for fremtidig velgermakt. En god og effektiv valgordning som sikrer at velgerne får gjennomslag for sine preferanser når det gjelder både politikk og personer, er

En god valgordning styrker etter min mening et reelt og legitimt folkestyre. Det representantforslaget som nå er til diskusjon, om å innføre en ordning med kumulering ved stortingsvalg, ble fremmet den 24. mars 2010. Forslaget har altså ligget ekstremt lenge i komiteen. Representanten Anundsen sa i et tidligere innlegg at når saker blir liggende lenge i komiteen, var det et uttrykk for at de representerte en form for spenning. Det er det ikke mulig å se i denne saken! Når det gjelder adgang til kumulering ved kommunevalg, ble det innført allerede for godt over hundre år siden, i 1896. I 2003 ble valgloven som kjent endret til den som gjelder i dag, dvs. at et parti eller en velger kan føre opp et navn to eller flere ganger. Velgerne kan så kumulere, enten ved å sette kryss ved et navn eller ved å føre navnet opp på nytt. I tillegg kan de føre opp et navn, en såkalt slenger, fra et annet partis liste. Et sentralt element ved innføringen av den nye valgloven i 2003 var at den enkelte velger skulle få større anledning til å påvirke personvalget. – mener nå at tiden er inne for en ny valgreform. Derfor fremmet vi forslaget for over to år siden. Det er på tide at velgerne nå får anledning til å kumulere også ved stortingsvalg. Det hadde etter min mening vært en positiv utvikling for demokratiet. Dette gjøres allerede i våre naboland, hvor velgerne får en mulighet til å påvirke rangeringen av kandidatene.

Denne andelen er nå som kjent på 5 pst. i Sverige, både ved riksdagsvalg og ved regionale valg. Man har nylig endret ordningen ved riksdagsvalg, ved å gå fra 8 til 5 pst. Men det er ikke riktig, som representanten Anundsen sa, at dette gjorde man i Sverige fordi man konstaterte at det ikke ga økt innflytelse å holde seg til 8 pst. Man ønsket å øke innflytelsen ved å gå ned til Det var begrunnelsen i Sverige, og det er det også fra de partiene som nå stemmer mot å gjøre tilsvarende i Norge. Det jeg med andre ord sier, er at vi har et system som er kjent fra Sverige – som er praktisert ved tidligere riksdagsvalg, og som vil bli praktisert ved fremtidige valg – som man kunne benyttet. I Finland må velgerne stemme på én kandidat. Partier som deltar i valget, må stille kandidater i prioritert rekkefølge i valgkretsene, og den som ønsker å støtte partiet, må stemme på én av dets kandidater. Partiets stemmetall er summen av stemmetallene til dets kandidater, og mandatene blir fordelt forholdsmessig mellom partiene på grunnlag av disse stemmetallene. Valglovutvalgets innstilling i 2001 konkluderte med – nå er vi altså tilbake i Norge – at den norske valgordningen ikke har den fleksibilitet som kjennetegner de fleste sammenlignbare land, noe som etter Høyres mening kunne bedres ved en lovendring, som flertallet nå sender til utredning og ikke stemmer for. En velfungerende valgreform må – som flere talere har vært inne på – ivareta enkelte kryssende hensyn. Dette kan f.eks. gjelde partienes mulighet til å sikre sin innflytelse over hvilke kandidater som velges

er elementer ved en valgordning som spiller inn ved denne avveiningen. Partienes behov for forutsigbarhet og sikkerhet for sine toppkandidater må balanseres mot velgernes interesse av individuell og politisk innflytelse. Jeg tror den interessen er der – erfaringen fra Sverige viser at den er det – og det er ikke så store forskjeller mellom nabofolkene. Som sagt ville en ny valgordning være en positiv utvikling for demokratiet og bidra til en mer velfungerende valgordning. Denne ordningen burde etter Høyres oppfatning – og vårt syn støttes av Kristelig Folkeparti og Venstre i komiteen – vært innført ved stortingsvalget i 2013. Jeg ser at på dette tidspunkt er det i seneste laget, men saken har altså ligget i komiteen i over to år. år. Det kunne ha vært igangsatt utredning, eller forslaget kunne vært vedtatt direkte eller med en endring som ville gjort det mulig å gjennomføre det ved valget i 2013. Men det har altså ikke vært politisk vilje til det, og om jeg kan si det slik, så er det nok en viss avstand mellom statsminister Stoltenbergs gjentatte taler, velformulerte og gode, etter 22. juli i fjor,

Heller ikke det har det under behandlingen vært noen vilje til. Så det har vært reell politisk motstand, og en uvilje, mot forslaget. Representanten Kolberg uttrykte vel å være «betenkt» over forslaget. Jeg får da bare si det på den måten at jeg beklager at ordningen ikke kan gjennomføres i 2013, etter den behandlingen det har vært utsatt for i komiteen, og jeg håper at en utredning ikke er en ny måte å henlegge forslaget på. Det kan man ha sine mistanker om, men la oss håpe det beste. Jeg tar med dette opp forslaget fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Representanten Per-Kristian Foss har tatt opp det forslaget han refererte til. Det er litt merkeleg kor forskjellig ein oppfattar denne saka. Etter å ha høyrt på representanten

Dei fremmar eit forslag som kan føra til meir veljarinnflytelse, men som ikkje førte til det i Sverige. Svenskane gjekk ned til 5 pst. Viss ein ville dette så sterkt som det høyrdest ut som på Politisk kvarter i dag, der nestleiaren i partiet sa at saka var trenert, er det underleg at ein ikkje fremmar eit forslag som i alle fall nokre av dei andre partia var villige til å stemma for. Då hadde ein faktisk gjort det som gav den meirinnflytelsen som var intensjonen då forslaget blei sett fram. Så eg hadde berre behov for å seia dette. SV er veldig innstilt på å vera med og laga ei ordning som gjer at veljarane får større innflytelse. Det trur me er bra for demokratiet. På den måten kan demokratiet utviklast og gi den enkelte veljaren endå større innflytelse enn det ein har i dag.

Vi mener fortsatt at en ordning med kumulering bør innføres ved stortingsvalg, slik vi har det ved kommune- og fylkestingsvalg. Dette handler om å gi velgerne større innflytelse og påvirkningsmulighet med tanke på hvem som skal representere dem på Stortinget. Erfaringene fra fylkestingsvalgene så langt er jo at det er få rokeringer som skjer i valget, men det er noen. noen. Dette viser jo at velgerne har fått en påvirkningsmulighet som, sett med Kristelig Folkepartis øyne, er positiv. Kanskje kan også det at innflytelsen øker, være med og bidra til at noen flere vil bruke stemmeretten sin – slik også representanten Per-Kristian Foss har tatt til orde for. Ved en slik ordning som Kristelig Folkeparti, Høyre og Venstre nå foreslår, vil partiene samtidig fortsatt ha stor påvirkning på listene, og sånn sett på valget av hvem man ønsker skal representere dem på Stortinget. Og, ja, det er viktig med en god balanse her. Men allikevel: En økt mulighet for velgerpåvirkning tror vi vil være positivt for demokratiet. Det ser jo dessverre slik ut at heller ikke denne gangen vil et forslag om å innføre en kumuleringsordning ved stortingsvalg bli vedtatt,

er en forutsetning for et velfungerende demokrati. Spørsmålet om hva slags personvalgordning vi bør ha ved stortingsvalg, er imidlertid komplekst – som det også er understreket – og reiser mange problemstillinger der ulike faktorer må veies mot hverandre. En utfordring er å få en god balanse mellom å gi velgerne mulighet til å påvirke hvem som skal representere dem, og å sikre at også partiene har god innflytelse Kommunal- og regionaldepartementet har tidligere varslet at vi vurderer å ta opp spørsmålet om det bør gjøres endringer i dagens ordning. Reglene for stortingsvalg har vært uendret siden 1921, og tiden er vel moden nå for å diskutere endringer. Vi har skaffet oss mye kunnskap og erfaring i tiden som er gått siden Valglovutvalget la fram sitt arbeid i 2001. Dette er viktig dersom en skal Vi kan ikke anbefale at det gjøres endringer med virkning allerede fra stortingsvalget i 2013. Her er det viktig å minne om at partiene begynner sitt arbeid med nominasjonene i høst. Det er ikke tid til å få på plass de nødvendige endringer innen den tid. Jeg vil bare for ordens skyld opplyse om at det er

Derfor hadde det når som helst vært mulig å endre forslaget fra 8 til 6 til 5 til 4 pst., eller for den saks skyld lavere – men jeg har nå nevnt flere valgmuligheter. Høyre har vært åpen for alle valgmuligheter for å sikre flertall for forslaget. Noen slik mulighet har ikke vært til stede, selv om hr. Langeland var villig til eventuelt å være med

Som saksordfører kjenner jeg meg ikke igjen i det. Jeg ble tildelt saksordførerskapet for ikke lenge siden – jeg har vært medlem i komiteen fra i fjor høst. Etter at saksordførerskapet ble gitt til meg, har behandlingen i komiteen foregått på normal måte og med den framdrift som kan forventes, så jeg synes det ikke er passende at Høyre påstår at saken er trenert i komiteen. I hvert fall finner jeg det som saksordfører ikke riktig. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 9. Etter ønske fra næringskomiteen Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 10 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte på inntil tre replikker med svar etter innlegg av hovedtalerne fra hver partigruppe og fem replikker med svar etter innlegg fra medlem av

men først vil jeg takke komiteen for godt samarbeid om denne innstillingen. Så må jeg si at jeg føler det som et antiklimaks, etter at vi har vedtatt en landbruksmelding som fikk god oppslutning blant landets bønder, at det ikke ble forhandlinger på grunnlag av statens tilbud. Det gjorde det heller ikke sist gang det ble framlagt en landbruksmelding, i år 2000. Også da ble det brudd. Jeg nevner det bare som at apropos, og jeg skal ikke bruke mer tid på det forholdet nå, men jeg vil tilføye at vi i regjeringsfraksjonen har tatt dette signalet meget alvorlig. Jordbruksforhandlingene føres med hjemmel i hovedavtalen mellom de to jordbruksorganisasjonene og staten. Ved brudd sendes statens tilbud til Stortinget, og det er også tradisjon for at Stortinget vedtar det som ligger i tilbudet. Dette er noe jeg tar for gitt at organisasjonene fullt ut er innforstått med. Etter min mening er det denne behandlingsmåten som ivaretar forhandlingsinstituttet og gir det mening. Da vi behandlet landbruksmeldingen den 12. april i år, sa regjeringspartiene sammen med Folkeparti: «Stortinget legger til grunn at landbruket og norsk næringsmiddelindustri skal sikres forutsigbarhet ved at hovedpilarene i den norske landbruksmodellen skal være grunnlaget for norsk landbrukspolitikk. Dette innebærer at regjeringen skal, gjennom ulike ordninger sikre et sterkt importvern, opprettholde jordbruksavtalen mellom staten og næringen samt videreføre som forvalter av markedsordningene.» Jeg mener at dette er viktige prinsipper som vi må hegne om. Den totale rammen for årets oppgjør er 900 mill. kr, der 330 mill. kr er endringer av målpriser fra 1. juli i år. Sum ramme med inntektsvirkning i 2013 er 625 mill. kr. I tillegg tilføres Landbrukets utviklingsfond

Det er positivt at det igjen innføres en ordning med grøftetilskudd. Jeg tror det er nødvendig å få enda mer fokus på god agronomi i jordbruksproduksjonen. Ved siden av forsvarlig lønnsomhet i næringen og investeringsvirkemidler er velferdsordningene veldig viktige for å stimulere til god rekruttering. Jeg synes derfor det er svært bra at jordbruksoppgjøret nå legger opp til å innføre en ordning med gradert utbetaling av avløsertilskudd ved foreldrepermisjon. Det er en etterlyst ordning fra mange unge brukere, og det er svært bra at det nå ser ut til å gå i orden. Det er et flertall i komiteen, alle unntatt Fremskrittspartiet og Høyre, som understreker betydningen av i større grad å utnytte norske ressurser til grovfôrbasert husdyrhold på en best mulig måte. Det er en viktig faktor for å utnytte naturressursene og bevare kulturlandskapet. Det er derfor viktig at beitetilskuddene økes innenfor en ramme på 22 mill. kr, og at det er en økning i distriktstilskuddet til Norske produsenter dekker i dag ikke opp markedets etterspørsel etter storfekjøtt. Komitéflertallet ber derfor regjeringen utrede en egen strategi for å utvikle tiltak for økt produksjon av storfekjøtt. TINE annonserer behov for å øke produksjonen av melk. Det er et signal som jeg mener det er viktig å drøfte

Utvalget peker på vesentlige utfordringer i det norske matmarkedet, bl.a. knyttet til organisering og manglende konkurranse i verdikjeden for mat og at det er skjedd en betydelig maktforskyvning i favør av kjedene i dagligvarehandelen. Et av forslagene fra utvalget er at det bør etableres en lov som regulerer reglene for forhandlinger, en såkalt lov om god handelsskikk. Jeg har merket meg

at det er en målsetting at loven skal behandles i inneværende stortingsperiode. Et annet forhold som heller ikke er et element i jordbruksavtalen, men som er meget avgjørende for jordbruket, er importvernet. Det er ingen enkel problemstilling. Det er viktig å ha en kunnskapsbasert tilnærming til disse problemstillingene. Tollnivå og grensevern må balanseres slik at det ikke får utilsiktede konsekvenser med hensyn til forbrukerpriser, råvarepris til næringsmiddelindustrien samt RÅK-industrien. Dette må være under kontinuerlig overvåking. Men det er avgjørende viktig at vi ivaretar handlingsrommet i grensevernet, at vi til enhver tid opprettholder et tilstrekkelig robust grensevern. I henhold til WTO-avtalen har landet anledning til å ha et importvern som sikrer nasjonal matproduksjon. Det er en forutsetning for å kunne sikre avsetning av norske landbruksråvarer, oppnå fastsatte priser i jordbruksavtalen og utnytte de Flertallet legger derfor til grunn at regjeringen sikrer et sterkt importvern. Komiteen viser til at for å nå målsettingen i landbruksmeldingen om å øke matproduksjonen basert på norske ressurser, er det meget viktig å sikre fortsatt volumproduksjon, bulkproduksjon, av spesielt kjøtt og melk som fundament for landbruk over hele landet, og som grunnlag for en fortsatt konkurransedyktig og innovativ norsk næringsmiddelindustri. Dette er det enormt viktig å slå fast. Volumproduksjon er helt vesentlig for industrien, og det er grunnlaget for å utvikle spesialprodukt som kan gi økt verdiskaping også for primærleddet. Her er i tillegg Lokalmatprogrammet en viktig Ellers synes jeg det er fint at det er kommet med i oppgjøret en økning i bevilgningen til bioenergi, i tillegg til at den totale bevilgningen til skogbruk er økt til 204 mill. kr. Da vi behandlet landbruksmeldingen tidligere i vår, la vi til la vi til grunn at for å nå de høye målsettingene om økt inntekt, økt produksjon og fortsatt landbruk over hele landet, ja, så la vi også til grunn at jordbruksavtalen skulle være en av stolpene i dette. Vi er i et land som er marginalt med hensyn til matproduksjon. Vi vil at næringen selv skal være med og påvirke satsingene framover. Et brudd i ny og ne, ja vel, men i et lengre perspektiv er det veldig viktig at næringen selv er med og påvirker retning og dimensjonering av de ulike elementene i landbrukspolitikken. Det er særdeles viktig at vi har klart for oss at dette ikke er en lønnsavtale. Dette er en næringsavtale der selvstendige bønder som driver matproduksjon i et land der forholdene for

at de har alle verktøyene som trengs i verktøykassen for å hjelpe næringslivet. Derfor er mitt spørsmål til representanten Haugen følgende: Kan representanten gi meg tre ting som han vil ta ut av verktøykassen og bruke, slik at bøndene til neste år skal slippe brudd og slippe å demonstrere? Jeg vil være forsiktig med å gå Jeg vil være forsiktig med å gå inn i landbruksforhandlingene for neste år allerede nå. Men det som regjeringspartiene her vil gå for, er den retningen vi har trukket opp både i landbruksmeldingen og i dette jordbruksoppgjøret, nemlig at vi – i motsetning til Fremskrittspartiet og Høyres politikk – vil satse på landbruk over hele hele landet. Dette er kanskje det overordnet viktigste for å nå de målsettingene som vi har satt

Harøya, ute i havgapet mellom Molde og Ålesund, og de står klare til å trappe opp matproduksjonen. Som melkeprodusenter har de samdrift, noe som gir gode produksjonsmuligheter dersom regjeringen gir dem lov til opptrapping. I Nationen 6. juni kunne vi lese om faren for melkemangel, at TINE trenger 30 millioner liter melk.

kvotereguleringene som finnes. Så forutsetter jeg at det blir drøftinger mellom avtalepartene, slik at en finner en løsning på hvordan dette skal gjøres på en optimal måte. Vi er veldig opptatt av å følge opp målsettingene i landbruksmeldingen om å øke matproduksjonen – å øke produksjonen av kjøtt og melk.

Til tross for høye subsidier er norske priser, målt på produsentnivå, jevnt over dobbelt så høye som på verdensmarkedet. Her ser vi den årlige støtten i 2011-verdier siden det såkalte opptrappingsvedtaket på midten av 1970-tallet, som for øvrig sammenfalt med starten på det norske oljeeventyret. Etter den kraftige økningen i støtten på slutten av 1970-tallet, som kulminerte i en støtte på hele 45 mrd. i 2011-kroner på begynnelsen av 1980-tallet, har støtten avtatt og etter hvert stabilisert seg på mellom 20 mrd. kr og 25 mrd. kr per år. Men i denne perioden har det også i gjennomsnitt blitt 2 600 færre bønder per år – altså en to tredjedels reduksjon for hele perioden

Vi må tilbake til 1970-tallet og opptrappingsvedtaket for å finne en tilsvarende økning i støtte. For å sette jordbruksstøtten i perspektiv: I en periode etter opptrappingsvedtaket er det bevilget en jordbruksstøtte i et omfang som – om midlene hadde blitt satt på konto – tilsvarer et fond på 2 400 mrd. kr. Til sammenligning er det norske oljefondet i dag på vel Dette er da støtte til en næring som utgjør 0,3 pst. av bruttonasjonalprodukt – dette til tross for det vi har sett i aviser, og det vi har sett av demonstrasjoner og aksjoner. Vi kan gå inn i avisene en liten runde og se. Går du inn torsdag 12. juni i år i Hallingdølen, står det fram

Asbjørn Helland i Bondelaget åpner for å gå bort fra hele systemet med jordbruksforhandlinger. «Nå må vi være villige til å se på selve systemet, sier Helland.» Dette er Senterpartiets egne. Så har vi også et oppslag i Trønder-Avisa 14. januar, der man sier at over 50 samdrifter har blitt oppløst i Nord-Trøndelag de siste fire årene. Landbruksdirektøren mener likevel at driftsformen har en Så sier bonden selv – bøndene på Jådårmelk DA – at de er redde for at livsverket faller i grus, og enkelte av dem spår at det som var et utstillingsvindu for samdrift, vil være historie om tre år. Samtidig står landbruksminister Brekk og lover at «det skal komme virkemidler til samdriftene som ledd i korrekt. Her lover man gull og grønne skoger, at man skal gjøre noe, men så gjør man ingenting til syvende og sist. Derfor får man frustrerte bønder, derfor får man frustrasjon i landbruket. Man har et system som er ute av kontroll. Vi hadde smørkrisen, den startet i oktober og varte til april. Seks måneder brukte man for å få det for å få det opplaget. Man går inn og ser på samdriftene som ikke har levegrunnlag, og fjerner altså kvotetaket, og skal øke det 3 pst. Hva skjer da? Jo, en godtar at alle får heve taket med 3 pst., såfremt det ikke er en samdrift og har nådd 750 000 liter, eller har et tak på 400 000 liter.

april, da var det nok melk. Nå er vi altså i midten av juni, det har gått litt over én måned, og nå mangler man 30 millioner liter melk. Det viser at dette ikke er en vanlig feil, det er en systemfeil. Det trengs å gjøres noe med det, det trengs en forandring i dette. Vi har også et landbruksbyråkrati som overgår alt. Her kan vi gjøre store kutt. Vi har hovedoppgaver fra universitetet som hevder at det er en plass mellom 5 000 og 10 000 landbruksbyråkrater, noen sier fra 8 000 til 10 000 landbruksbyråkrater. Dette blir støttet av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Det har heller aldri vært dementert av regjeringen. Da vil jeg si at den som tier, samtykker. Vi ser også av årlig støtte i 2011-verdier, siden det såkalte opptrappingsvedtaket på 1970-tallet, at utgiftene til norsk jordbrukspolitikk – betalt av norske forbrukere og skattebetalere – er svært høye. Men i en samfunnsøkonomisk vurdering av jordbrukspolitikken må en veie utgiftene opp mot samfunnsøkonomiske nyttevirkninger. Det relevante spørsmålet er altså om jordbruksstøtten har gitt høy avkastning for samfunnet sammenlignet med andre gode formål, som f.eks. infrastrukturinvesteringer, generelt bedre rammebetingelser for næringslivet eller sparing til framtidige generasjoner. For å vurdere velferdsvirkningene av jordbruksstøtten kan vi begynne med å sammenligne faktisk politikk med de retningslinjene som økonomisk velferdsteori gir for næringspolitikk. Norsk jordbrukspolitikk i dag handler i stor grad om produksjon, regional fordeling og inntektspolitikk. Den er i liten grad rettet inn mot fellesgoder, miljø og

At maten er trygg, kan man best sikre gjennom kontroll av norskprodusert og importert mat, i dag underlagt Mattilsynet. Forsyningssikkerheten på nasjonalt nivå handler om evnen til å sikre befolkningen mat under alle omstendigheter. Til enhver tid må behovet for kalorier og næringsstoffer kunne dekkes av kilder fra nasjonal produksjon, lagerhold, import og matvarehjelp. Tradisjonelt tenker en i denne sammenheng på avsperring fra Selv ikke overfor sistnevnte skrekkscenario vil en politikk sikre høyest mulig løpende produksjon i normale tider. Videre kan innslaget av fisk og planteføde økes på bekostning av mindre energieffektiv føde som kjøtt og melk. Produksjonen under normale tider trenger heller ikke å være lik krisemenyen. Ikke minst kan en basere seg på lager av energirike og lagringssterke varer som korn og sukker. Når man prater om forsyningssikkerhet, er det for meg påfallende at man ikke nevner at vi i dag eksporterer 38 millioner måltider med fisk hver dag. Fremskrittspartiet ønsker et annet alternativ enn regjeringen. Vi ønsker bl.a. å senke tollen på kraftfôr til samme tollsatser som i Danmark. Det vil gi en besparelse på 1,8 mrd. kr. Vi ønsker bedre avskrivningssatser for maskiner og utstyr, som vi vil skal økes fra 20 til Vi ønsker å legge et investeringstilskudd med omstillingsmidler på 1,5 mrd. Vi ønsker å ha en avskrivningssats på bygninger som økes fra 6 til 8 pst. – en pris på 150 mill. kr. Vi ønsker fjerning av skatt på salg av gårdsbruk. Vi ønsker skattefri fondsavsetning og investeringer gjennom en investeringsfondsordning etter modell fra skogbruket. Vi ønsker at utbytte til øvrige formål beskattes som kapital med 28 pst. Vi ønsker å oppheve produksjonstaket for melk og kjøtt. Vi ønsker å endre og liberalisere konsesjonslovgivningen. Vi ønsker å deregulere og oppheve boplikt, driveplikt, delingsforbud og makspris for konsesjonspliktige landbrukseiendommer. Vi ønsker å åpne for alternative organisasjonsformer for drift – samdrift, ANS, DA, AS etc. Vi ønsker også lage et BSU-prosjekt for å få til dette. Vi ønsker også å stimulere til satsingen på bioenergi, bl.a. for å følge opp St.meld. nr. 39 for 2008–2009 om om at 30 pst. av bioavfallet i landbruket skal medgå til produksjon av bioenergi, som løser utfordringer bl.a. knyttet til spredningsareal. Jeg vil også fremme Fremskrittspartiets forslag og gi beskjed om at Fremskrittspartiet støtter Venstres forslag nr. 23. Representanten Torgeir Trældal har tatt opp forslagene han refererte til. Det blir replikkordskifte. replikkordskifte. Representanten Trældal slo om seg med store tall i innledningen av innlegget sitt, og jeg hadde litt problemer med å henge med, jeg må bare innrømme det. Men jeg merket meg at partiet verken i landbruksmeldingen eller i innstillingen har stått sammen med flertallet i understrekingen av målsettingen om landbruk over hele landet tvert imot. Man snakker om deregulering og effektivisering av de beste områdene i landet for jordbruk. Så synes jeg det er fair at Fremskrittspartiet og Høyre nå går ut og varsler kutt i størrelsesorden 4 mrd. kr hvis de kommer til makten. Fremskrittspartiet forstår jeg vil kutte mer – opp mot 7 mrd. kr – slik de har stemt de senere årene. Hvilket budskap har representanten Trældal til den delen av landbruksbefolkningen ute i Distrikts-Norge som går ut over? Skal de flytte til byen? Med Fremskrittspartiet i regjering kommer ikke landbruket til å bli rasert som i dag og måtte legge ned tre gårdsbruk per dag sju dager i uken. Det legges ned 2 000 gårdsbruk i året. Det gjøres med dere i regjering, Når du snakker om at bøndene skal komme til byen – ja, bøndene kommer jo til byen. De kommer til byen for å demonstrere mot dere. Det er klart et bevis på at det er deres politikk som driver bøndene til byen. Derfor kommer de til Oslo, derfor kommer de til Trondheim. De kommer til byene takket være Arbeiderpartiet. Representanten Torgeir Trældal bes om å bruke presidenten for å

Er den målsetjinga i tråd med målsetjinga om eit landbruk over heile landet? Det er klart at det er et mål med landbruk over hele landet. I motsetning til regjeringen og dere ønsker vi faktisk å likestille bøndene. Vi ønsker ikke å lage et a- og b-lag, som dere gjør, ved å si at hvis man har nådd et produksjonstak på 400 000 liter melk, skal man ikke få lov til å produsere Vi ønsker faktisk å likestille bøndene. Vi ønsker å la bøndene bestemme selv om de skal få lov til å bo på bygdene. Med deres politikk sentraliserer dere og håper på at flesteparten av bøndene skal flytte til byen. Det er kanskje en av grunnene til at Oslo har stor befolkningsvekst. Det er mulig at representanten Torgeir Trældal ikke hører seg selv, men resten av Stortinget hører det. Jeg vil be representanten om å bruke presidenten når han snakker til Stortinget. Høyre og Fremskrittspartiet fremmer nå forslag som åpenbart vil redusere inntektsmulighetene i jordbruket vesentlig og føre til

Det er helt klart at med Senterpartiets politikk forstår jeg godt at man på Bondetinget kan ha problemer med å forklare det. Det er klart at på Bondetinget eller blant partiets egne kan det være noen som ikke vil ha forandringer. Jeg har full respekt for at mange bønder ikke vil ha forandringer. Men flesteparten av bøndene vil faktisk ha forandringer. I alle innleggene jeg viste til, står lederne for bondelagene i Trøndelag, Hallingdal osv. og sier at vi trenger ny politikk.

alltid gjør. Jeg tror at norsk landbrukspolitikk av og til kunne vært tjent med litt mer nøkternhet og litt mindre emosjoner. Ved behandlingen av dette jordbruksoppgjøret har Høyre lagt til grunn og videreført de synspunktene vi hadde på jordbrukspolitikken ved behandlingen av landbruksmeldingen i Stortinget for et par måneder siden. Siden oppgjøret denne gangen ikke lot seg fremforhandle, har vi stått igjen med forhandlingsutspillet fra staten i form av en proposisjon. proposisjon. Vi støtter regjeringen i den økonomiske totalrammen som er lagt frem i proposisjonen. Men vi mener at det ville vært mulig å endre noe på innretningen av bruken av ressursene, som vi synes kunne vært spisset mer. Flere fra næringen deler det synspunktet med oss. Vårt alternative forslag i innstillingen er ingen detaljert helhetsgjennomgang av alle enkeltposter i jordbruksoppgjøret. Det er jo en umulig oppgave. Men vi signaliserer et alternativ gjennom en vridning av økonomiske ressurser mer til direkte produksjonsfremmende tiltak. Vi har flyttet på i underkant av 100 mill. kr i vårt alternative forslag, dels for å forbedre kornøkonomien, ved å legge inn et grunntilskudd og i tillegg et prisnedskrivingstilskudd som kompenserer bedre for Det betyr sikrere volum og avsetning for produsentene, og det er forbedret konkurransekraft og lønnsomhet for bl.a. bakebransjen og de som driver kraftfôrbasert produksjon. Det har også vært en stor bekymring i næringen for et betydelig underskudd av norsk storfekjøtt. I vårt alternativ fremmer vi også forslag om å øke bevilgningen til produksjonsdrivende tiltak på det området. I sammenheng med endringer i kvoter og tilskuddsgrenser ville det medført økt lønnsomhet og stimulert til mer

annet tidspunkt, vi ønsker å se det mer i sammenheng med budsjettene, men det betyr ikke at vi ønsker å avvikle det. Det er en ganske lettsindig omgang med sannheten når til og med landbruksministeren reiser rundt og skremmer bøndene med dette. Jeg synes vi får en mer objektiv debatt hvis man holder seg til det som egentlig er vår oppfatning. Vi slo i forbindelse med landbruksmeldingen fast at importvernet er viktig for norsk landbruk, og at vi er avhengig av det. Men vi sa ikke noe om at vi skulle gjøre oss enda mer avhengig av det – og det er der forskjellen ligger. Vi mener at vi bør forberede oss på de handelsmessige endringer som kan komme, og Vi trenger å øke konkurransekraften vår også innenfor jordbruket. Produktiviteten er bra, men den bør bli enda bedre. Jordbruksoppgjørene bør brukes til en forberedelse av dette. Volumene holder seg, antall produsenter blir færre – de blir stadig mer effektive og større. Alt dette er bra, og jordbruksoppgjørene bør stimulere til dette. Altså – for å for å trekke en konklusjon av dette: La oss styre utviklingen politisk i stedet for å bli styrt av den utviklingen som allikevel skjer, og etterpå krangle om hvorfor det gikk som det gikk med landbruket. Det samme Vi mener det er nødvendig med markedsregulering. Vi har foreslått at den må innrettes på en annen måte, at den må bli mer konkurranseuavhengig, med mer likhet mellom aktørene i markedet. Vi ser også behovet for å balansere et marked som er vanskelig å se i, men vi ønsker ikke at det skal være forskjellig innsyn for de forskjellige aktørene. Det var et forsøk på å ta ned noen av mytene – ment som en liten forberedelse til det som antagelig kommer. Presidenten regner med at representanten Svein Flåtten ønsker å ta opp forslagene. Takk for påminnelsen, president. Ikke bare tar jeg opp forslagene, men jeg varsler også at når vårt utmerkede alternative

Jeg mener at den påstanden med respekt å melde ikke er i samsvar med de faktiske forhold. Det er 2,5 millioner sysselsatte i Norge som får rundt 17 000 kr i lønnsøkning. Det blir 40 mrd. kr. Det betyr at målprisøkningene i dette oppgjøret spiser opp 1 pst. av lønnsveksten. Man kan med andre ord gjennomføre slike lønnsoppgjør i 100 år

Hvis man går tilbake fem–seks år og ser på utviklingen i målprisene kontra utviklingen i lønn, vil man finne ut at utviklingen prosentvis er slik at målprisene faktisk stiger mer enn det lønnen gjør. Så det som Arne L. Haugen presenterer, er en sannhet med visse modifikasjoner. Men la meg gå med på at vår merknad også kan være en sannhet med visse modifikasjoner.

Meiner representanten Flåtten at det er i tråd med deira ambisjon om å ha eit landbruk i heile landet, og at også landbruket i distrikta vil ha nytte av ei strukturrasjonalisering som fører til at prisen på varene deira går ned? Da forholder jeg meg til saksordføreren, som snakker om viktigheten av volumproduksjon. Han sier at det er meget viktig for matvareprodusentene. Det er ingen tvil om at det å ha en effektiv volumproduksjon som bringer kostnadene ned, og som gjør lønnsomheten større i landbruket, ikke er til noen forkleinelse for dem som driver mindre, og for dem som driver i distriktene. Får man effektiv drift på en del av denne kaka,

Høyre skrev i sin alternative landbruksmelding at de er opptatt av å øke matproduksjonen. I Nasjonen i går uttalte representanten Trældal fra Fremskrittspartiet at det blir lett for Fremskrittspartiet å bli enig med Høyre på landbruk. I innstillingen har Høyre skrevet seg sammen med Fremskrittspartiet i merknad etter merknad og i forslag etter forslag. Når næringen selv sier at de trenger mer penger for å øke matproduksjonen, hvordan skal Høyre klare å øke matproduksjonen i samarbeid med Fremskrittspartiet, som hvert år foreslår kutt i overføringene på mellom 6 mrd kr og 7 mrd. kr? Det er riktig at vi står sammen med Fremskrittspartiet i en del merknader, vi står sammen med dem i en del forslag, og vi er enige med dem i en del politikk. Når det gjelder denne proposisjonen som vi nå behandler,

og Fremskrittspartiet, har andre tiltak og andre måter å bruke tilskuddsmidlene på. Vi vil se på rasjonaliseringsmuligheter, på innsparinger, på byråkratiet – det finnes en rekke ting som det går an å gjøre noe med. Den som fornekter at alt må være hogd i stein, og at det ikke finnes en eneste ting å forandre på, tror jeg er den som må revidere sin politikk.

og det norske landbruket må ta sin del av ansvaret for å auke produksjonen av mat. Men det er viktig at han i størst mogleg grad blir basert på nasjonale resurssar, som grovfôr og beite, og ikkje på auka import av fôr. SV er derfor glad for at det i tilbodet til landbruket er lagt inn ein auke i beitetilskotet. Det stimulerer til bruk av innanlandske Eit anna sentralt element i landbruksmeldinga er landbruk i heile landet, som vi har vore inne på i replikkvekslinga før i dag. På dette punktet er det stor forskjell mellom høgre- og venstresida i politikken. Tilbodet frå regjeringa inneber styrking av distriktsprofilen. Det skal satsast spesielt der landbruket er ein viktig del av det lokale næringslivet, og der utviklinga er spesielt utfordrande av topografiske og klimatiske forhold. Merknadene frå Høgre og Framstegspartiet går i motsett retning. Desse partia skriv at dei ønskjer ei strukturrasjonalisering i landbruket for å redusere prisen på det bonden leverer. Ei rekkje av dei konkrete forslaga frå høgrepartia vil fremje sentralisering. Det gjeld bl.a. fjerning av dei geografiske grensene for omsetjing av mjølkekvotar.

Dette kjem i tillegg til dei milliardkutta som kjem kvar haust i statsbudsjettet. Kristeleg Folkeparti har sine eigne merknader. Det kan vere grunn til å minne om kva partiet klarte å få til då dei sat i regjering. Det kan òg vere grunn til å spørje om dei klarer å få til meir når dei skal ha Framstegspartiet med på Dei store daglegvarekjedene har fått stadig større makt over handelen med matvarer her i landet. Dette kan true landbrukssamvirket og gjere det vanskelegare å halde oppe produksjon av landbruksvarer i heile landet. Det undrar meg at høgrepartia er opptekne av å redusere pris til bøndene, men ikkje vil sjå på kva makt kjedene har over prisutviklinga i andre enden. SV er svært glad for at det er eit fleirtal i komiteen som vil leggje opp til å få på plass ei lov om god handelsskikk. Då vi behandla landbruksmeldinga, slo Stortinget fast at norsk landbrukspolitikk byggjer på tre viktige pilarar: importvernet, landbrukssamvirket og landbruksavtalen. Landbruksavtalen og landbruksforhandlingane er viktige for at landbruksorganisasjonane skal få ei hand med på rattet på utviklinga av og retninga på dei tiltaka som skal setjast i verk for å styrkje landbruket. Men når vi forhandlar, er det ikkje alltid at partane blir samde. Det må vi akseptere og ta til etterretning. Vi kom ikkje i mål i år. Derfor er det viktig for SV å slå fast at vi står fast på måla i landbruksmeldinga. Vi står fast på inntektsmålet, og vi står fast på ambisjonane om å utnytte handlingsrommet i importvernet og vi står fast på ambisjonane om eit landbruk i heile landet, som vi vil kjempe for mot høgrekreftene sin rasjonaliserings- og sentraliseringspolitikk. Det blir replikkordskifte. Tidligere var det en SV-statsråd som kom med et forslag om at det offentlige ved hjelp av anbudsprinsippet skulle sørge for Tidligere var det en SV-statsråd som kom med et forslag om at det offentlige ved hjelp av anbudsprinsippet skulle sørge for å kjøpe inn økologiske produkter, altså at det offentlige skulle pålegges via anbudsprinsippet å kjøpe inn økologiske produkter. Jeg registrerer også i saksframlegget i dag at de

Ved årets lønnsoppgjør la regjeringen til grunn en inntektsvekst på 3,7 pst. for alle lønnsmottakere. Det ville gi et gjennomsnittlig kronetillegg på 17 400 kr. Diverse streiker og meklinger utover våren og forsommeren gjør at dette tillegget høyst sannsynlig vil bli enda større. Da regjeringen utarbeidet statens tilbud i jordbruksforhandlingene, ble totalrammen satt til 900 mill. kr. Av totalrammen vil bare 625 mill. kr gi inntektseffekt. Det utgjør ca. 13 000 kr per årsverk i landbruket.

Det er når ein sit i regjering at ein viser kva ein får til. Eg har nettopp fått fram tal som viser at under Bondevik II-regjeringa var det null auke i realinntekta til bonden, trass i at det var ganske jamn og god realinntekt for resten av samfunnet.

til bøndene neste år, for å unngå at bøndene må flytte fra det de har, og til byen – for eventuelt å prøve å få en mulighet til å overleve? Presidenten skal prøve å gjøre en liten jobb her. Når representanten stiller et spørsmål til representanten som står på den andre siden, skal spørsmålet stilles gjennom presidenten – og kun gjennom ham. Det finnes ikke «du» eller stilles gjennom presidenten – og kun gjennom ham. Det finnes ikke «du» eller «dere» – det er «presidenten». Representanten var inne på det same spørsmålet ein gong før i dag. Det er vel ganske rimeleg at svaret ikkje blir så veldig forskjellig. Dei tiltaka vi skal gjere for å styrkje landbruket, skal vi gjere i nær dialog med næringa. Det er – som det er blitt sagt tidlegare – tre grunnleggjande pilarar for den norske landbrukspolitikken: forhandlingsinstituttet, importvernet og landbrukssamvirket. Det

er omme. Jeg vil starte innlegget mitt med å si at jeg har forståelse for den frustrasjon og utålmodighet vi opplever ute blant bøndene. Samtidig konstaterer jeg at det er lenge siden norsk landbruk har vært så mye omtalt og fått så mye sympati fra så mange støttespillere som denne våren.

men mer penger til å gjennomføre målene i landbruks- og matmeldingen. Bøndene er utålmodige med hvor fort vi går framover, men er enig i den retningen vi går i. Det er en melding vi i Senterpartiet tar på stort alvor. Det rød-grønne flertallet på Stortinget vil videreutvikle norsk landbruk. Med Senterpartiet i regjering har bondens inntekt økt med 120 000 kr per årsverk siden 2005. Det er grunn til å minne om at dersom Kristelig Folkeparti og Høyre hadde fått videreført politikken de førte i regjering før 2005, hadde denne økningen vært 75 000 kr mindre per årsverk enn det vi har levert. Derfor er det viktig å vise skillelinjene når det gjelder høyresiden, samtidig som vi i Senterpartiet vil stå på sammen med våre rød-grønne kolleger for å styrke bondens inntekt – for å For oss i Senterpartiet er det også viktig å understreke at innstillingen peker framover når det gjelder både inntekt, toll, investeringer og matmakt. Jeg vil komme nærmere tilbake til dette i mitt neste innlegg i debatten. Senterpartiet står fast på at statens opprinnelige tilbud må opprettholdes. Det er helt avgjørende for norsk landbruk å beholde det etablerte forhandlingsinstituttet. Det har også Det er lang praksis for at regjeringen ved brudd i forhandlingene fremmer forslag for Stortinget basert på statens tilbud. Dersom organisasjonene bryter forhandlingene og Stortinget deretter forbedrer eller reduserer statens tilbud, vil det kunne undergrave forhandlingssystemets berettigelse. Senterpartiet vil ikke bidra til en slik utvikling. Senterpartiet vil advare mot Kristelig Folkepartis forslag her i dag, som kan bidra til å De eneste som tjener på å sette spillereglene i forhandlingssystemet til side, er de som ønsker å frata bøndene forhandlingsretten – nemlig Høyre og Fremskrittspartiet. Høyre og Fremskrittspartiet går gjennom sine merknader til jordbruksoppgjøret imot at bøndene har egne forhandlinger med staten, og vil ta dette inn som en del av statsbudsjettet. Disse partiene er en direkte trussel mot landbruket. Høyre og Fremskrittspartiet har de senere år foreslått milliardkutt i overføringene, redusert importvern og fjerning av markedsreguleringen. En slik politikk vil føre til sterk strukturrasjonalisering og sentralisering av landbruket, og en rasering av norsk landbruk slik vi kjenner det i dag. Derfor er det god grunn til å spørre hva Kristelig Folkeparti egentlig står for i landbrukspolitikken, når de på den ene siden sier at de vil ha mer rød-grønn politikk, og viser til at bøndene har hatt en sterkere inntektsvekst enn andre grupper i årene etter 2005, samtidig som de vil at høyresiden skal overta styringen av landet. Da må det være rimelig å avkreve Kristelig Folkeparti et svar: Hvordan skal Kristelig Folkeparti kunne få til mer rød-grønn politikk for landbruket når de samtidig nå leker med tanken om et regjeringssamarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet? Det er meg en gåte hvis noen tror på dette. Lederen i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke, sa i sin tale til Bondetinget i går at Høyre og Fremskrittspartiets merknader stadfester og forsterker Bondelagets skepsis til deres landbrukspolitikk. Det er disse partiene Kristelig Folkeparti nå har tenkt å samarbeide Senterpartiet har stor forståelse for den frustrasjonen og utålmodigheten vi opplever ute blant bøndene, og vi er opptatt av å styrke bondens inntekt framover sammen med våre rød-grønne kolleger. Vi skal fortsette innsatsen vi har gjort, og vi skal gjøre det sterkt framover. Vi ser at næringen ikke etterlyser nye mål for landbrukspolitikken Det bøndene etterlyser, er mer penger til å gjennomføre målene i landbruks- og matmeldingen, og bøndene er utålmodige med tanke på hastigheten, ikke retningen. Dette er en melding vi i Senterpartiet tar på største alvor. Vi i Senterpartiet er opptatt av å bidra til at den norske bonden får betalt som fortjent for den viktige jobben som gjøres rundt i landet Det blir replikkordskifte. I Hallingdølen på tirsdag står en leder i Bondelaget fram og sier at byråkrati gjør bøndene motløse.

kan lage problemer for bøndene? Er du enig med de bøndene som ser problemet, og har du noen råd til disse om hvordan dere skal hjelpe dem til å bli kvitt byråkratiet? Denne regjeringen er opptatt av forenkling, det har vi vist på en rekke områder. Vi vil være opptatt av det framover, og vi er opptatt av å legge til rette for utvikling i landbruket og i næringslivet for øvrig. Det jeg vil replisere tilbake til representanten

I forrige replikkordskifte nevnte vi forslaget fra SV om at det offentlige skulle tvinges til å kjøpe inn økologiske produkter. Både jeg og representanten Lange Nordahl kommer fra en landsdel der man promoterer noe som heter arktisk landbruk. Vi fikk også i forrige replikkordskifte se forsvarsvennen Alf Egil Holmelid utdype at til og med Forsvaret skulle bli flink og handle inn økologiske produkter nå. Representanten Lange Nordahl kommer jo fra det fylket i landet der Forsvaret har sin største konsentrasjon. Et forslag om at man i anbudsprinsippet skal tvinges til å kjøpe inn økologiske produkter, vil begrense markedet for lokale bønder, bl.a. i Troms, som da får mindre muligheter til å selge sine arktiske produkter. Er representanten Lange Nordahl bekymret for at man skal innskrenke markedet på denne måten, gi særfordeler til andre og jobbe imot program som f.eks. arktisk landbruk? La meg bare først si at jeg er glad for å tilhøre det rød-grønne samarbeidet som bidrar til et sterkt forsvar i nord gjennom den langtidsplanen vi skal vedta senere i dag. Det er jeg veldig stolt over og veldig glad for.

Da fremmet partiene forslag om å sende oppgjøret tilbake til regjeringen, justere det, gå i nye forhandlinger og gi regjeringen fullmakt til å inngå avtale. Representanten Irene Lange Nordahl beskylder Kristelig Folkeparti for å forstyrre forhandlingsinstituttet med et slikt forslag i dag. Hvorfor var det ikke problematisk i 2000? For det første vil jeg si at vi har en helt annen politisk situasjon i dag enn vi hadde i 2000. For første gang har de to partiene som ønsker å fjerne fundamentet for norsk landbruk, flertall på meningsmålingene – Høyre og Fremskrittspartiet. Derfor har det aldri i historien vært farligere å begynne å rokke ved forhandlingsinstituttet enn det er nå, og derfor vil vi advare mot forslaget til politikk Høyre og Fremskrittspartiet står for når det gjelder landbruket: De ønsker å endre spillereglene i forhandlingssystemet, de ønsker å frata bøndene forhandlingsretten, de ønsker store kutt – milliardkutt – i overføringen til landbruket, redusert importvern, og de ønsker redusert samvirke. Vi ønsker ikke å legge til rette for en slik politikk. Den politiske situasjonen er forandret. Det er farlig å rokke ved den, da vil det kunne få endringer av varig karakter. Det ønsker ikke Senterpartiet å bygge opp om. Da er replikkordskiftet avsluttet. Jordbruksforhandlingene handler om å tilrettelegge inntektsmulighetene for jordbruket. Kristelig Folkeparti ønsker å bygge opp under den aktive bonden for å sikre landbruk i alle deler av landet. Det er avgjørende for å opprettholde bosetting i distriktene og et levende kulturlandskap. En forutsetning for rekruttering er at jordbruket gir en inntekt å leve av. Jeg tillater meg å sitere regjeringspartienes merknad i innstillingen til landbruksmeldingen, Innst. 234 S for 2011–2012: «Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, merker seg at regjeringen vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper og videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som har vært ført etter 2005.» Det er verdt å merke seg ordet «videreutvikle». Regjeringen har presisert at de ønsker å videreutvikle inntektspolitikken med utgangspunkt i den politikken som har vært ført etter 2005, og som har gitt aktører i landbruket en noe større gjennomsnittlig inntektsvekst enn andre grupper ergo må en formulering om «å videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som har vært ført etter 2005», tilsi at aktørene i landbruket fremdeles skulle sikres en sterkere inntektsvekst enn andre grupper. I tillegg vil jeg også vise til at Kristelig Folkeparti – der regjeringen har holdt seg til en så svak formulering – fremmet et forslag om at inntektsforskjellene mellom aktører i landbruket og andre grupper skulle reduseres vesentlig da Stortinget Det betyr at det er et bredt flertall i Stortinget, bestående av regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, som ønsker en større inntektsvekst i landbruket enn i andre grupper. Det var derfor overraskende, skuffende og uforståelig at regjeringen valgte å legge fram et tilbud i jordbruksoppgjøret som helt åpenbart var i strid med Stortingets vedtatte landbrukspolitikk. Hvis Stortinget i dag gir sin tilslutning til statens første tilbud som totalramme for årets jordbruksoppgjør, vil det gi en inntektseffekt på ca. 13 000 kr per årsverk i landbruket.

I motsatt fall blir forslaget til rammer for jordbruksoppgjøret å legge fram for Stortinget innen 15. juli i år. Når vi fremmer dette forslaget, er det også årsaken til at Kristelig Folkeparti ikke går inn i noen av de merknadene som støtter årets tilbud – det vil jeg gjerne få understreke. Vi ønsker et nytt og bedre tilbud som faktisk ivaretar den landbrukspolitikken som ble vedtatt i Stortinget 12. april i år under behandlingen av Til slutt vil jeg påpeke at det ikke må innføres en praksis der et magert tilbud fra staten skal tvinge jordbruket til lydighet ved at Stortinget alltid gir sin tilslutning til regjeringens proposisjon bokstav for bokstav. Det er lang praksis for at regjeringen ved brudd i forhandlingene fremmer statens opprinnelige tilbud som forslag for Stortinget. Det ønsker Kristelig Folkeparti å fastholde som hovedregel og normal praksis. Jeg vil allikevel presisere og understreke at det ved forhandlingene i år var en helt spesiell situasjon ved at Stortinget like før hadde behandlet hovedlinjene i den framlagte landbrukspolitikken gjennom behandling av landbruksmeldingen. Når regjeringen i år legger fram et såpass svakt tilbud som årets, er det regjeringen som har utfordret de etablerte ordningene for forhandlinger om en landbruksavtale mellom staten og Jeg fremmer herved forslag nr. 21 på vegne av Kristelig Folkeparti. Når det gjelder de framsatte påstandene om Kristelig Folkeparti som vil samarbeide med andre som ikke ønsker næringen vel, påstander om at våre forslag rokker ved forhandlingsinstituttet, vil jeg komme tilbake til det, og også til påstandene om at politikken til har ført til et stort og historisk løft for landbruksnæringen. Representanten Steinar Reiten har tatt opp det forslag han refererte til. Det blir replikkordskifte. Det er

Kristelig Folkepartis landbrukspolitikk skal stå 100 pst. fast, eller er det en form for dobbeltkommunikasjon? Importvernet er jo en sentral bærebjelke i norsk landbruk. I innstillingen skriver Kristelig Folkeparti, sammen med Høyre og og Fremskrittspartiet, at: «Disse medlemmer viser til at internasjonale endringer krever en omstilling av den norske landbrukspolitikken. Eksportsubsidier og importbarrierer i industriland hindrer utviklingsland i å produsere mat til eget marked og eksportere sine varer til industriland.» Hva legger egentlig Kristelig importvernet? Er det et importvern som styrker norsk landbruk, eller er det importvern i tråd med det de skriver sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, eller er det en snev av dobbeltmoral i Kristelig Folkepartis kommunikasjon her? For å ta det siste først: Kristelig Folkeparti har alltid stått for en solidarisk politikk overfor verdens fattige land. Det vil vi fortsatt gjøre. Det er en kjensgjerning at 64 av verdens fattigste land i dag allerede har full tollfrihet i Norge. Så er det en stor gruppe land, som utgjør 20 pst., som har delvis tollfrihet. Disse vil vi fortsatt fokusere på. Det går an å ha to tanker i hodet samtidig. Når det gjelder det første spørsmålet, har Kristelig Folkeparti høy troverdighet i landbruksnæringen. Vi har gjentatte ganger sendt signaler om at uansett hvem vi skal forhandle med, er landbruk et prioritert område for oss der vi

ga Bondevik II-regjeringen over 1,7 pst. av budsjettet til inntekter i landbruket, mens Stoltenberg II i år gir under 1,4 pst. av budsjettet til inntekter i

Senterpartiet og mange med oss synes det er overraskende at Kristelig Folkeparti later som det i det hele tatt er mulig å drive regjeringsforhandlinger som får Høyre og Fremskrittspartiet til å snu i landbrukspolitikken og velge motsatt retning av de store kuttene de har foreslått år etter år. Kristelig Folkeparti bekrefter i sine merknader at den rød-grønne landbrukspolitikken har gitt bøndene bedre inntektsutvikling enn andre grupper. Bondelaget uttalte at Høyres og Fremskrittspartiets forslag i denne saken vil rasere norsk landbruk. Likevel leker Kristelig Folkeparti med tanken om å samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet. I tiden før 2005, med Kristelig Folkeparti i regjering, økte inntektsforskjellen mellom landbruket og andre grupper. Hvordan kan Kristelig Folkeparti få seg til å tro at en tilnærming til Høyre og Fremskrittspartiets raseringspolitikk vil tette inntektsgapet

Så begynner jeg, ærlig talt, å bli litt lei av at andre partier konkluderer på våre vegne om hvem vi skal samarbeide med. Det er det som ligger litt implisitt her nå. Det har vi en god og grundig prosess på i Kristelig Folkeparti som vi skal lande i løpet av tidlig høst, og da skal vi gi de svarene og de avklaringene. Replikkordskiftet er avsluttet. Venstre er

Fra Venstres synspunkt trenger norsk landbrukspolitikk en kraftig modernisering. Det skjer mye modernisering innenfor landbruket, men politikken henger klart etter. Venstre ønsker bønder som er sjølstendig næringsdrivende, som har gode tilskuddsordninger – på dagens nivå – for å kunne utvikle eiendommen sin, ut fra at de ønsker å produsere både opplevelser, mat og drikke, men vi ønsker at de skal ha større makt med hensyn til hvordan de skal utvikle eiendommen sin. Vi vil ha større frihet for den enkelte bonden. Jeg forstår at det ble brudd ut fra to hovedpunkt. For det første var forventningene skrudd altfor høyt i forhold til den landbruksmeldinga som ble behandlet. Det tilbudet som ble lagt fram, hadde ingenting med den meldinga å gjøre. Men da er vi kanskje ved kjernen av problemet i norsk landbrukspolitikk. Maktesløsheten som føles der ute hos bøndene i dag, er til å ta og føle på når du reiser rundt i landet. De føler at de ikke har mulighet til å utvikle eiendommen sin. De føler at de bare blir lovet og lovet og lovet, men at det ikke kommer noen politikk som henger sammen med de målsettingene man har satt seg i denne salen. Så jeg har stor forståelse for dem som brøt ut og sa at dette ikke henger sammen med det som har Venstre er kritisk til dagens form på oppgjøret, ikke fordi vi er imot landbruksoppgjør. Vi er for å ha et landbruksoppgjør, men vi ønsker at det skal følge regnskapsårets rytme, noe som hadde gjort det lettere for hver enkelt bonde å se de økonomiske konsekvensene av en avtale. Det andre er avtalens utviklede kompleksitet. Jeg tror, helt ærlig, at Jeg tror, helt ærlig, at i denne salen – kanskje med et lite forbehold for hr. Lundteigen – er det ikke mange som forstår kompleksiteten i et landbruksoppgjør. Jeg tror ikke det er mange som kjenner til alle delene av det. Jeg mener det er veldig vanskelig for et demokrati og også for en næring å forutse den kompleksiteten. Vi kunne tenkt oss at det til alle delene av det. Jeg mener det er veldig vanskelig for et demokrati og også for en næring å forutse den kompleksiteten. Vi kunne tenkt oss at det hadde vært en forhandling om en rendyrket jordbruksavtale, om målpris, om tilskudd per dyr, om tilskudd per dekar, som hadde gjort det enkelt både for de folkevalgte og for den enkelte bonde å se hva man får ut av det. Det føles som å leve i en illusjon når en diskuterer landbrukspolitikk i denne salen, i forhold det man føler når der frustrasjonen er så stor. Folk føler frustrasjon over at man lover og setter seg store mål. Omstillinga er ganske tøff der ute. Man bevilger store summer over landbruksavtalen, men det er mange som føler at ikke noen av de pengene pengene når ut til hver enkelt bonde. Så her burde vi nok tatt et demokratisk grep for næringa for å forenkle og for å sørge for at pengene kommer til dem som faktisk produserer maten for oss og tar vare på naturen for oss. Så til noen av forslagene. Høyre har foretatt noen grep innenfor den ramma som foreligger, med mer direkte støtte til bøndene. Det til bøndene. Det overordnede grepet er Venstre enig i, men vi er uenig i innretninga. Vi vil derfor ikke støtte noen av de forslagene. Så er det referert til 2000 og at man da gikk for et nesten identisk forslag som det Kristelig Folkeparti har lagt fram her i salen, sjøl om jeg syns datoen er litt underlig i det forslaget som Men da må vi huske at på det tidspunktet var det faktisk et kutt i målpris, altså i det tilbudet til bøndene som ble lagt fram den gangen, var det et kutt i målpris på 900 mill. kr og et kutt i overføringene på 400 mill. kr. Det var 1,3 mrd. kr minus, det såkalte tilbudet i 2000. Da syns jeg det er logisk at både Venstre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti stemte for at det burde sendes tilbake. Vi har lagt fram to forslag, nr. 22 og 23, som er omdelt i salen, og som jeg gjerne vil ta opp. La meg kort forklare nr. 23. Her går man inn og subsidierer osteproduksjon i en tid da vi får beskjed om at vi mangler melk. Det syns vi er litt ulogisk. Da har representanten Trine Skei Grande tatt opp forslagene hun refererte til. Det er en liten skrivefeil i forslag nr. 21. Det tar vi oss av her. Det åpnes for replikkordskifte. Representanten var ærleg nok til å seie at ho syntest at ambisjonane i landbruksmeldinga var for høge. Sist Venstre hadde landbruksministeren, i Bondevik II-regjeringa, var inntektsutviklinga 0,0 pst. Er det det Venstre reknar som eit fornuftig ambisjonsnivå? Jeg forstår at regjeringspartiene har funnet en tabell fra en tid da statsbudsjettet var halvparten så stort som under denne regjeringa. Jeg skjønner at regjeringa prøver å komme seg unna det presset de får fra dagens bønder, ved å skylde på at Venstre har stått for den samme landbrukspolitikken i veldig mange år. Vi har stått for å gjøre bøndene til sjølstendig næringsdrivende. Vi har stått for at man skal snakke ærlig om ting. Man skal ikke si i en landbruksmelding at man skal oppnå veldig store ting, hvis man ikke klarer å levere en måned etterpå. Det er det blåret som er kastet i øynene på norske bønder, det er det som gjør at de går i gatene. De gikk ikke i gatene på samme måte under Lars Sponheim. Nå går de i gatene fordi de er skuffet over denne regjeringa.

er det sånn å forstå at det som nå Venstre snakker om fra talerstolen, er identisk med det som landbruksminister Sponheim utførte i perioden

bøndene, så jeg skjønner at Senterpartiet er fornøyd når de kan plusse på 900 mill. kr. Kanskje kan Senterpartiet i regjering være fornøyd med å få til det, men det er i hvert fall ikke så ille som da Arbeiderpartiet satt alene. Nå tror jeg representanten Skei Grande

dramatisk mye større. Under Bondevik II-regjeringa måtte man gjøre harde prioriteringer på grunn av den økonomiske situasjonen, men vi lovet i hvert fall ikke noe som vi ikke kunne gi. Det er den skuffelsen man føler på når man reiser rundt i landet og snakker med bønder – den skuffelsen som handler om at man lover og lover. Man sier man har store mål for landbrukspolitikken, men man klarer ikke å levere, og det var derfor folk gikk i tog utenfor dette huset. Replikkordskiftet er omme. Jeg vil starte dette innlegget med å si at jeg er

Det er gjennom samarbeid vi oppnår de beste resultatene for jordbruket og for samfunnet. Gjennom forhandlinger har jordbruket oppnådd forhandlingsgevinster på 40 000–50 000 kr per årsverk under denne regjeringa. Men brudd og aksjoner er et mulig utfall av forhandlinger. Vi har sett det på flere områder i år. Det er legitimt, For første gang på tolv år har en ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken blitt behandlet i Stortinget og vært grunnlaget for et jordbruksoppgjør. Det er neppe tilfeldig – og kanskje forståelig – at bruddet kommer i det første oppgjøret som følger opp meldingen. Jordbruket hadde et sterkt behov for å gi tydelig uttrykk for hva de vil at meldingen skal bety, og hva som skal til for å nå målene i Jeg tar reaksjonene og utålmodigheten fra næringen på største alvor. Vi skal nå målene i meldingen over tid, og da må vi lytte til de tydelige signalene fra dem som skal gjøre måloppnåelsen mulig. Dette oppgjøret er meldingens første oppfølgingspunkt, og jeg vil understreke at det følger opp meldingen på mange viktige områder. Det viderefører en god inntektsutvikling, som riktignok ville blitt enda bedre hvis vi hadde kommet i reelle forhandlinger og fått et resultat. Det legger til rette for å prioritere kapitaltilgang ved alle de nødvendige investeringene som ligger foran oss i jordbruket. Det prioriterer korn-, storfekjøtt- og grøntsektoren, som er de områdene som har best markedsmuligheter, og hvor vi bør kunne dekke mer av hjemmemarkedets etterspørsel med norsk produksjon. Det legger til rette for et agronomiløft for å ta bedre vare på jorda og bedre yteevnen. Og oppgjøret styrker distriktsprofilen og legger til rette for en mer regionalt tilpasset politikk. Grøntsektoren kan tjene som eksempel på et område hvor vi i styrkingen av tilskuddene kombinerer hensynet til økt produksjon, ved å øke tilskuddstaket, med å og fortsatt sikre grunnlaget for en variert bruksstruktur ved å øke strukturprofilen i arealtilskuddene, som vi har ambisjoner om å gjøre. Under næringskomiteens høring om oppgjøret, la jeg merke til at det var få merknader til prioriteringene i fordelingen, tvert imot ble det gitt uttrykk for en viss tilfredshet. Hovedproblemet, ifølge jordbruket og høringen, var for lite penger – bedre inntektsmuligheter.

Det bør vi, og det bør høyresiden, merke seg, for det er det motsatte av hva de går inn for i innstillingen og i sine alternative budsjetter. Årets materiale viste en inntektsutvikling som var bedre enn den fjorårets avtale la til grunn – vel 10 000 kr for hele regjeringsperioden fra 2006–2012. Årsaken er nye arbeidsforbrukstall fra Statistisk sentralbyrå som fortsatt er til evaluering. Det var en spesiell situasjon, men det er både viktig og nødvendig for forhandlingsinstituttet å legge grunnlagsmaterialet fra Budsjettnemnda til grunn. Det gjorde regjeringen i en helhetsvurdering. Med grunnlag i den inntektsutviklingen materialet viste, la tilbudet vi la fram, opp til en vekst på 13 000 kr per årsverk fra 2012 til 2013 – et tilbud som ville blitt forbedret dersom vi hadde lyktes i forhandlingene. Dette er målt på den måten som Budsjettnemnda er omforent om. Det er også presist gjengitt i jordbrukets krav. Dette er en viktig del av forhandlingsinstituttet, for det er mange måter å måle inntekt for næringsdrivende på. Den måten Budsjettnemnda måler på, er – og må være – åpen og transparent. Og det er mange grunner til at en enkelt bonde ikke uten videre kjenner igjen sitt eget regnskap, uten at det på noen måte betyr at det er noe galt med grunnlagsmaterialet. Men vi ser at informasjonsbehovet er stort her. I tillegg tilføres Landbrukets utviklingsfond gjennom oppgjøret 275 mill. friske kr. Alternativet ville være å redusere utbetalingene fra fondet til bøndene, eller belaste egenkapital og likviditet, slik Høyre gjør i sitt alternative forslag. Tilførselen regjeringen foreslår, gir en forsvarlig fondsforvaltning og styrker grunnlaget for å gi investeringstilskudd framover. er et prioritert område i meldingen, og det er et sentralt krav også fra jordbruket. Vi har ambisiøse mål i jordbrukspolitikken – om å øke produksjonen, om å bedre lønnsomheten, om å ta hele landet i bruk, og om å utvikle den nye næringen. Samtidig må det understrekes at vi har en konkurranseutfordring, og vi må sikre en rimelig fordeling av verdiene som skapes i Jeg er derfor glad for at initiativet til gjennomgang av styrkeforholdene i verdikjeden for mat nå skal konkretiseres ved at flertallet ber regjeringen starte arbeidet med å utrede en lov om god handelsskikk. Og jeg er glad for at dette arbeidet har bred tilslutning både her i salen og i organisasjonslivet. Vi vil fortsette å løse utfordringene og nå målene gjennom den norske modellen med aktiv samhandling med nærings- og arbeidslivet. Regjeringen har tydeliggjort sin landbruks- og matpolitikk gjennom

La meg si at det siste vil jo komme av seg selv, for selve forslaget fra de to partiene vil gi sterkt svekkede inntektsmuligheter for det norske jordbruket. Og det må være svært lenge siden det har vært så vanskelig å se hva en samlet opposisjons alternative landbrukspolitikk skulle bestå i. Jeg er glad for Kristelig Folkepartis engasjement for det norske jordbruket. jordbruket. Jeg må også si at jeg er glad for at representanten Reiten i debatten i dag har understreket at Kristelig Folkeparti ikke har valgt side ennå. Men det må være åpenbart at Kristelig Folkeparti ikke vil kunne realisere noe i nærheten av sine ambisjoner i et eventuelt samarbeid med høyresiden. Landbruks- og matmeldingen er offensiv, til beste for jordbruket, for norske bygder og for det norske samfunnet. Jeg beklager at det ble brudd med jordbruket i år, men både Senterpartiet og regjeringen skal fortsatt følge opp ambisjonene i meldingen. Det er tydelig at det er det beste et flertall i det norske storting kan komme opp med. Det blir replikkordskifte.

forhandlinger og på det viset synliggjøre det rommet som vi hadde i forhandlingene. Det var mer enn de 13 000. I det ville det selvsagt også ha ligget muligheter for samdriftene til å få mer, slik det også var mulighet til for andre grupper. La meg bare understreke: Jeg er opptatt av at vi skal ha god politikk for det grasbaserte husdyrholdet. Det har vi vist gjennom de siste årene, og det har vi vist hvert eneste år jeg har hatt ansvaret for jordbruksavtaleforhandlingene, for da har det vært prioritert. Det må vi også gjøre framover. I år hadde vi også andre utfordringer. Det var kornsektoren, det var storfekjøtt osv., som vi har reflektert til. Jeg mener at det tilbudet som vi ga, var et anslag som fulgte opp landbruks- og matmeldingen, og som forhåpentligvis kunne gitt et bedre resultat for bøndene dersom vi hadde fått til

viktig å understreke i forbindelse med spørsmålet fra representanten Bredvold, er at det er særdeles komplisert å drive en ordinær vareproduksjon i et høykostland. Det har vi sett i andre næringer. Det er enorm konkurranse om arbeidskraften, og det er kostbart å sikre inntektsutviklingen. På 1970-tallet, da vi hadde opptrappingsvedtaket, var inntekten i Sverige 30 pst. høyere enn i Norge, og inntektsutviklingen. På 1970-tallet, da vi hadde opptrappingsvedtaket, var inntekten i Sverige 30 pst. høyere enn i Norge, og norske ungdommer reiste dit for å jobbe. I dag er det akkurat motsatt. Nå er inntektsnivået i Norge 30 pst. høyere, og nå reiser svenske ungdommer hit i hopetall. Det viser litt av utfordringen som vi har løst gjennom at vi faktisk har økt inntektene med 120 000 kr per årsverk i Det viser litt av utfordringen som vi har løst gjennom at vi faktisk har økt inntektene med 120 000 kr per årsverk i de årene vi har vært i regjering, fram til vi fikk brudd nå, og det er en kvalitet ved de tiltakene og ved de oppgjørene vi har hatt tidligere. Så vi har levert – vi greide ikke det i år.

Det er det som er alternativet til forhandlinger og utforming av virkemidler gjennom felles prosesser; jordbruket blir en post på statsbudsjettet.» Jeg spør: Er ikke jordbruket en post på statsbudsjettet nå? Jo, resultatet av eventuelle forhandlinger blir en post på statsbudsjettet, det er riktig. Og det er riktig, som jeg også understreket, at Høyre har forhandlingsinstituttet gjennom sine merknader, både i landbruks- og matmeldingen og gjennom det som her er reflektert i forbindelse med jordbruksoppgjøret. Det som er poenget, synes jeg, er at vi har i dag et system som næringen selv er opptatt av å forsvare. er opptatt av å forsvare det, og da spør jeg meg: Hvorfor i all verden vil Høyre utfordre det systemet som det ikke finnes noe eksempel på ellers i verden, som gir bøndene en betydelig innflytelse over sine egne inntektsmuligheter, og som gir dem mulighet til å bestemme hvordan vi skal bruke pengene, ikke minst? Det er utfordringer Høyre bør tenke over når de foreslår endringer, eller utfordrer forhandlingssystemet, som Utfordringen går nettopp på det som statsråden nå selv har erkjent: nemlig at resultatet av jordbruksforhandlingene får innvirkning for budsjettet. Vår smule utfordring til forhandlingsinstituttet er ikke noe mer enn at dette skal ses i sammenheng med nettopp de budsjetter som det får innvirkning og innflytelse på. Utover det har ikke vi sagt noe annet enn at partene må få lov til å forhandle. Da må statsråd Brekk få forklare meg: Hvis man fikk en slik modell som ville ligne på den vi har, men som tidsmessig ville være litt annerledes med tanke på at budsjettår og avtaleår var det samme, hvor ødeleggende ville det være for norsk landbruk? Jeg oppfatter at representanten Flåtten snakker ned sine egne vedtak, og jeg må bare innrømme at jeg ikke skjønner hva Høyre mener når de på den ene siden sier at vi skal gjøre om forhandlingsinstituttet på tvers av det næringen ønsker, og på den andre siden fortsatt drive forhandlinger. Det henger ikke i hop, og dermed må vi kunne stille de stille de spørsmålene som her stilles. Det som er poenget med forhandlingsinstituttet, den norske matmodellen, importvernet, markedsreguleringssystemet, er jo at det gir næringen betydelig innflytelse over sine egne framtidsmuligheter. Så forhandles det, og dessverre greide vi ikke å få til avtale i år, men likevel har vi da vist før at vi har fått til avtaler de seks årene vi har vært i regjering. Det er en enorm kvalitet ved det norske samfunnet, ved den norske modellen, at vi greier å ha det gode samarbeidet med næringsorganisasjonene som det systemet gir oss. Det er utfordringen Høyre bør svare på. Jeg har to spørsmål til statsråden. Det

Statsråden går ut veldig sterkt og sier at statens tilbud må bli stående, så en ikke rokker ved forhandlingsinstituttet. I den advarselen ligger implisitt en advarsel mot forslaget til Kristelig Folkeparti om å sende oppgjøret tilbake til regjeringen, justere tilbudet og gå i nye forhandlinger med organisasjonene. Innser statsråden at det kan oppfattes som et forsøk på diktat fra regjeringen til Stortinget om ikke å bruke Stortingets handlingsrom til å gi nødvendig styringssignal til

dette forhandlingsinstituttet. Da må vi også følge sedvanen. Det betyr at vi, som vi har gjort i år, har sendt over tilbudet til Stortinget for behandling, og det blir nå vedtatt slik det er foreslått. Så det er litt av utfordringen i diskusjonen vi har. Til det første, om at jeg setter spørsmålstegn ved om Kristelig Folkeparti vil få realisert sine ambisjoner gjennom et samarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet – et eventuelt samarbeid, jeg vil understreke det – er det det å si at samarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet – et eventuelt samarbeid, jeg vil understreke det – er det det å si at vi i alle fall må få lov til å stille spørsmålet. Det synes jeg det er viktig for oss å få avklart videre framover. Når det gjelder de resultatene vi har oppnådd, er jeg svært fornøyd med at vi har fått til avtaler de siste seks årene. Replikkordskiftet er avsluttet. La meg starte med å si at det er avsluttet. La meg starte med å si at det er regjeringspartienes og regjeringens klare ambisjon og mål å legge fram et tilbud det blir startet forhandlinger om, og at en oppnår avtale. I år la vi fram et tilbud som innebar en inntektsutvikling på 625 mill. kr, og til å avlaste investeringer med 275 mill. kr. Det ville tilsagt en i hvert fall i utgangspunktet gjennom åpningstilbudet hadde mulighet til økte inntekter, økt matproduksjon og økt fokusering på investeringer, altså: dekkende innenfor helt sentrale, mye omtalte, diskuterte og drøftede temaer i de siste årenes landbrukspolitiske debatt. Normalt tror jeg at det tilbudet som var framlagt, burde tilsagt at en hadde utnyttet forhandlingsretten. Og det er selvfølgelig ille og vanskelig når en denne gangen ikke har denne gangen ikke har funnet det riktig å bruke forhandlingsretten. Det oppstår en situasjon som ikke er ønskelig, ikke minst med tanke på de bøndene som lever der ute, og som egentlig hadde trengt å få det tilskuddet som forhandlingsrommet faktisk gir. La meg bare bruke noen tall: I perioden 2006–2011 er avtalerammen 7,5 mrd. kr. 2,2 – godt og vel av de milliardene er budsjettmidler overført over statsbudsjettet. Landbruksorganisasjonene har forhandlet fram fra statens første tilbud til endelig avtale 2,2 mrd. kr i denne perioden. Det viser en ganske god og sterk forhandlingskraft i landbruksorganisasjonenes evne til å forhandle, og inneværende år. Men dessverre – der er vi ikke. Så blir vi kritisert av opposisjonen for at en ikke har kommet i mål dette året, og kanskje spesielt av Kristelig Folkeparti – det er de som bruker sterkest ord – hvor de sier at dette var et meget «magert tilbud». Det er da jeg lurer på hvordan Kristelig Folkeparti vil definere sine egne tilbud i perioden 2002–2005, når en det ene året kom med et åpningstilbud på 340 mill. kr, et nedtrekk på minus 75 mill. kr i 2003, minus 495 mill. kr i 2004 og pluss 100 mill. kr i 2005. Da er ikke ordet «magert» engang dekkende for hva de selv har gjort, da de hadde statsministeren i dette landet. Som en illustrasjon på dette var rammene fra 2000 til 2005, da vi også var en del av grunnlaget det første året, men samtidig ble det tatt ned nesten 1 mrd. kr over statsbudsjettet i samme periode. Så jeg tror en kan sette spørsmålstegn ved å bruke sterke ord når en kritisk retter blikket inn mot det tilbudet som forelå. Så ønsker de på en måte å åpne opp for nye runder gjennom må jo stille spørsmål ved om det ikke hadde vært naturlig, ut fra den retoriske framstillingen Kristelig Folkeparti nå gir, at også Kristelig Folkeparti antydet hva som faktisk burde vært inntektsgrunnlaget ved dette årets oppgjør. Det hadde kanskje vært mer korrekt, ut fra den retorikken de nå bruker. Så til litt av debatten. Saksordføreren viste i en replikk her til at «årets lønnsvekst for folk flest i stor grad er spist opp av økte målpriser på mat»

fire landbruksmilliarder og viser til at det er byråkratiet som skal gjøre det, viser de faktiske tallene at driftsbudsjettene, samlet, for de tre statlige forvaltningsorganene under Landbruks- og matdepartementet

Fremskrittspartiet snakke om norsk landbruk. Det er fire industristeder. Det er Trøndelag, det er Jæren, og det er flatbygdene på Østlandet, og det er der en har drevet landbruk, ikke andre steder i landet – når en hører på Fremskrittspartiet. Nok er

og mange gjør og vil gjøre det i framtiden, hvis ikke dagens landbrukspolitikk forandres – og den må forandres raskt. Tre gårdsbruk legges ned hver dag. Det er en kjensgjerning at aldri før har det vært så mange tomme gårdsbygninger. Aldri før har det vært så få aktive bønder, og aldri før har det vært så liten del av disse igjen som har næringen som eneyrke, nemlig Det har heller aldri vært så få gårdsbruk i drift, og det har heller aldri vært så få antall dekar som det dyrkes mat på. Det eneste som har økt, er, som tidligere nevnt, antall tomme gårdsbruk. Også dette må anses som svært negativt, både for landbruket og distriktene. At så få ønsker å fortsette innenfor næringen, og at det som før var gildt, nemlig å være odelsjente eller ikke er så gildt lenger, er synd. Den som tidligere var født som første barn på en gård, og dermed fikk odel, hadde sikret framtiden sin med alt det positive som fulgte med. I dag er næringen gjennomregulert av lover, regler, konsesjoner, kvoter, makstak, makspriser, skatter, avgifter, reguleringer m.m. Utgiftene har økt mer Utgiftene har økt mer enn inntektene, og friheten som Fremskrittspartiet bl.a. ønsker å gi bøndene, ønsker ikke Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet å gi dem. Dermed får vi et landbruk som mange ikke ser noen framtid i, og som dermed også er med på å avfolke bygdene. Jentene flytter, og det gjør også de fleste guttene. Fasit: Odelsretten er ikke så populær og interessant lenger, dessverre.

Det er selvfølgelig ikke riktig å trekke den konklusjonen at det kun er gutter igjen på gårdene, men slik kan nok situasjonen fortone seg i enkelte distrikter. Dette er også en svært negativ utvikling, som igjen gjør det enda vanskeligere for norsk landbruk å overleve. Optimisme er viktig for å lykkes. Jeg har full forståelse for den frustrasjonen som preger norsk landbruk. Med en rød-grønn regjering nå gjennom syv år med en landbruksminister fra Senterpartiet var det nok en del personer som trodde på en framtid innenfor norsk landbruk. Når vi nå også fikk en landbruksmelding som nærmest lovet gull og grønne enger, og når statens tilbud til bøndene blir på 900 mill. kr, henger ikke dette sammen. Den som da ikke forstår frustrasjonen til bøndene, forstår da heller ikke den negative retningen norsk landbruk er på vei mot.

Bare det å ha råderett over egen produksjon og eiendom må etter Fremskrittspartiet syn være svært viktig. Det at man kan leie eller leie ut, selge eller kjøpe til en pris som to parter er enige om, uten at myndighetene skal godkjenne den, må også være viktig. Lavere skatter og avgifter og færre reguleringer At kvoter og konsesjoner, bo- og driveplikt blir fjernet, er ytterligere gode ting for norsk landbruk. Ja, det er mye å ta fatt i i dagens landbrukspolitikk. Fremskrittspartiet har løsningen på disse utfordringene, og mange av disse koster ingen ting for samfunnet. De vil heller gi samfunnet penger tilbake. De vil dessuten skape distrikter hvor optimismen kommer tilbake, og programmer som Bonderomantikk blir unødvendig.

utover tildelte kvoter. Men dette gjaldt imidlertid ikke for enkeltbruk eller samdrifter som risikerte å passere et volum på henholdsvis 750 000 og Dette er stikk i strid med regjeringens mål, ifølge landbruksmeldingen, om å øke norsk matproduksjon. Det er et klart eksempel på diskriminering av norske samdrifter og større bruk. «Urettferdig», sa samdriftsbonde Anne Helen Skei i Sandnes, og hun sa videre: «Jeg trodde ikke det kunne gå an at vi som er i taket på henholdsvis 400 og 750 tonn ikke skulle få være med på prosentøkningen så lenge det produseres for lite melk. Slik forskjellsbehandling provoserer meg. Vi har i over 30 år bygd stein for stein og lagt krone for krone i gården, og hatt en glede av å være bønder. Nå er jeg veldig frustrert.» Under en åpen høring i Stortinget i næringskomiteen uttalte Samdriftenes Kontaktorgan BA følgende: «Dette fungerer ikke lenger! Vi ser at denne politikken nå fører til nedleggelser i stort tempo, men den største utfordringen er imidlertid at de store og rasjonelle utbyggingene ved aktiv bruk av tilskuddsordningene gjøres ulønnsomme.» Dette er alvorlig. Det vi nå ser, er at flere restriksjoner fungerer som bremseklosser for videre utvikling av landets mest fremtidsrettede melke- og kjøttprodusenter. Høyre mener at maksimalkvoten for enkeltbruk og samdrifter må heves, og at landbruket må få en friere omsetning av melkekvoter innenfor dagens geografiske Mangel på lammekjøtt er også godt dokumentert. Valle kommune i Setesdal viser til at antallet vinterfôret sau er halvert, fra 6 000 til 3 000, de siste ti årene. Stadig flere bruk legges ned mens Senterpartiet sitter i regjering. Vi ser nå et kraftfullt bevis på en feilslått Det er ubegripelig at dagens støttesystem må være innrettet slik at støtten faller bort dersom en bonde tillater seg å øke besetningen utover 300 sau. Det er veldig vanskelig å forstå at bønder som ønsker å vokse, mister støtten fordi de ønsker å være mer produktive. Høyre ønsker en reguleringsendring som bidrar til at både bønder som ønsker å drive i mindre skala, og de som ønsker å samle driften ved større fjøs, skal få bedre rammevilkår. Regelverk knyttet til produksjon, distribusjon og servering må fjernes, da dette ofte er en hemsko for at produsenter av landbruksvarer skal lykkes. Satsing på lokal produksjon av mat og drikke vil være avgjørende for fremtidens landbruk, og ikke minst for levende og aktive bygdesamfunn i hele landet. Målet må derfor være å øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking og liberalisering av regelverket for foredling og salg av mat på egen gård, uten at det går ut over mattryggheten. Landbruksnæringen har store behov for investeringer i årene som kommer, bl.a. på grunn av nye husdyrforskrifter. Samtidig ser vi at investeringene uteblir på grunn av redusert investeringsevne. Det er på høy tid at vi får tatt debatten om hvilke utviklingsmuligheter som må til for at Norge i fremtiden skal ha et bærekraftig landbruk som ungdom ønsker å overta og videreutvikle. I den prosessen mener Høyre at bondens eiendomsrett til eget bruk må styrkes, og at boplikten må oppheves. Det er et grovt inngrep i eiendomsretten når staten tvinger folk som vil selge gården, til å ta en lavere pris enn det kjøper er villig til å betale.

Neste talar er

den ble godt mottatt da den ble lagt fram. Men bøndene ville beklageligvis ikke ta plass ved dette bordet, for da tilbudet i jordbruksoppgjøret ble lagt fram 9. mai, takket bondeorganisasjonene nei til invitasjonen og gikk tilbake til sitt, og de gikk i tog. Derfor er det tilbudet som i dag legges fram, uten forhandlinger, det samme tilbudet som ble lagt fram i mai. Tilbudet prioriterer storfekjøtt og grøntsektoren og har intensjon om å bidra til økt produksjon og bedre arealproduktivitet. Det var også vektlagt å styrke distriktsprofilen, og det var enda sterkere fokus på et mer regionalt tilpasset system. Styrkingen av Landbrukets utviklingsfond er også med på å legge til rette for nye investeringer, noe regjeringspartiene har lagt stor vekt på. Rekruttering er viktig også i landbruket, og det er mange andre næringer man skal kjempe med for å få mennesker inn i næringen. Jeg registrerer at Fremskrittspartiet er bekymret for at kvinnerepresentasjonen er for lav i næringen, men jeg hørte ingenting om hvilke tiltak man ønsker å ta tak i for å bedre dette. Regjeringen, derimot, har jobbet med å få flere kvinner inn i næringen gjennom egne entreprenørskapsprogram, etableringstilskudd og BU-midler til kvinner. Ett eksempel er regjeringens mål om å få 40 pst. kvinnelig representasjon i styrende organer i landbrukssektoren, og bl.a. samvirkeorganisasjonene har allerede nådd Når du driver egen bedrift, er du opptatt av hvordan du økonomisk kan øke fortjenesten og få produsert og solgt mer enn det som må til for å holde hjulene i gang. Det er med på å øke motivasjonen og inntjeningen. For meg er det derfor viktig at landbruksministeren nå ser på utfordringene i forhold til TINE og det de har sendt ut om at de har behov for mer melk nå, samtidig som vi vet at flere bønder kan bidra til dette uten å måtte øke sine kostnader mye. Jeg håper landbruksministeren kan tydeliggjøre dette og tar situasjonen på alvor og gjør noe med den. Så har jeg lyst til å avslutte med å si at jeg egentlig ikke er så overrasket over at Fremskrittspartiets landbrukspolitikk ikke har så stor oppslutning når man roter sånn med tallene. Man påstår at posisjonen legger ned tre bruk daglig og får det til at det til sammen blir sju ganger i uken. Det er en gangetabell jeg ikke har vært borti

Berre i perioden sidan vi raud-grøne overtok regjeringsmakta, har dei forhandla fram om lag 2,2 mrd. kr utover det staten hadde komme med som opningstilbod. Årets tilbod frå staten følgjer opp landbruksmeldinga på enkelte sentrale område som opptrapping av investeringstilskota, styrking av inntektsmoglegheitene i landbruket og tiltak for å få meir produksjon ut av eksisterande areal. Det skal leggjast til rette for auka matproduksjon basert på norske ressursar som grovfôr og beite. Regjeringa vil føreta ein gjennomgang av verkemidla for å gjera distriktsprofilen tydelegare i dei nasjonale ordningane, nettopp for å styrkja landbruket over heile landet og med plass til både mindre bruk, bruk med ulike inntektskombinasjonar og større bruk. Eg er òg glad for at det i denne samanhengen vert ein gjennomgang av soneinndelinga, og vil påpeika det urimelege i at Sogn og Fjordane er delt i fleire soner. Det finst knapt eit einaste bruk som er lettdrive på desse kantane av landet. Utviklinga er særleg bekymringsfull i delar av Agder og Telemark, kyst- og fjordstrøka på Vestlandet, som eg har nemnt, Nord-Noreg og fjellområda i Sør-Noreg, og det er viktig at vi legg til rette for å tilpassa verkemiddelbruken til dei ulike regionane. Vi raud-grøne ber regjeringa om å greia ut ein strategi for å auka kjøttproduksjonen frå grovfôrbasert husdyrhald, som er ein viktig faktor for å utnytta norske naturressursar og bevaring av Slik vil vi få ein vinn-vinn-situasjon for å møta auka etterspørsel etter kjøtt. Eg er også glad for at vi i dag set inn tiltak for å styrkja den norske produksjonen av frukt, bær og grønsaker ved å auka kvantumsavgrensingane for frukt og bær i distrikts- og kvalitetstilskotet, at satsane vert auka likt i alle soner, i tillegg til at maksimalt tilskotsbeløp per foretak vert I jordbrukspolitikken ser vi til fulle skilnaden mellom Framstegspartiet og Høgre på den eine sida og oss raud-grøne på den andre. Framstegspartiet og Høgre vil ha meir volumproduksjon, dei har ikkje mykje til overs for den vesle vestlandsbonden eller bonden i nord. Å ha ein variert bruksstruktur over heile landet er avgjerande viktig for å oppretthalda busetjinga, og då må vi ha verkemiddel som er innretta på det, ikkje berre på volumproduksjon.

Høyre og Fremskrittspartiet er tydelige på at de ønsker en rasjonalisering og en sentralisering av norsk jordbruk. For meg derimot er det et viktig mål å opprettholde et jordbruk med en variert bruksstruktur over hele landet. I landbruksmeldingen og i statens tilbud til jordbruksforhandlingene har regjeringen signalisert at en vil foreta gjennomgang av virkemidlene for å gjøre distriktsprofilen mer tydelig i de nasjonale ordningene, nettopp for å styrke grunnlaget for et landbruk over hele landet. Som en del av dette skal en nå vurdere sonegrensene for ulike tilskuddsformer i landbruket, for å bidra til en enda mer spisset distriktsprofil.

Målsettingen innebærer at 15 pst. av det samlede jordbruksarealet må være økologisk. Det er mange gode grunner til å produsere mat på økologisk vis. Eksempelvis er beitebruk en økologisk bærekraftig måte å bruke norske arealressurser på. Samtidig holder beitebruken kulturlandskapet i hevd, noe som er viktig for reiselivet, nødvendig for de mange rødlisteartene som er avhengig av at kulturlandskapet bevares, og den eneste måten å utnytte denne viktige ressursen på.

Det er en helt avgjørende faktor, både for reindriftsnæringen og for

lag. Kanskje ikke den store nyheten, men for landbruket bør det være det, og ikke bare en stor nyhet, men det bør mer gjøre en skeptisk, som representanten Lange Nordahl viste til. De to partiene har de siste dagene i media satt tre streker under enigheten om å redusere overføringsnivået til landbruket kraftig og starte tilpassing til redusert importvern og strukturrasjonalisering for å få billigere varer. Så kan vi lese i Nationen at Bondelaget skjelver. Det har de all grunn til, og det har de all grunn til etter å ha hørt innlegget til representanten Trældal, der han også viste til demonstrasjonene som har vært utenfor Stortinget Selv om jeg hadde bare solbrillene på meg da, kunne ikke jeg registrere noen bannere der det sto: Vi vil ha Fremskrittspartiet eller Høyre til makta. Med dette som bakteppe registrerer jeg at bondelagslederen er ute med en advarende pekefinger og sier at den rød-grønne regjeringen ikke må ta støtten fra Bondelaget for gitt. Jeg spør: Hva er alternativet for Bondelaget da?

til Agder og Telemark, kyst- og fjordstrøkene på Vestlandet, Nord-Norge og fjellområdene – det er en bekymringsfull utvikling der. Det skal legges mer vekt på innretningen, ut fra distriktspolitiske hensyn, som også er sagt tidligere. I tillegg legges det opp til en gjennomgang av de nasjonale ordningene og ekstra tilskudd til det arktiske jordbruket, som er viktig, som en del av dette arbeidet, og at det og at det gjennom jordbruksoppgjøret etableres en områderettet innsats innenfor LUF, Landbrukets utviklingsfond. Føringene som framkommer i de rød-grønnes merknader, er viktige for en god utvikling til beste for det norske

Det er behov for å få en ny jordbrukspolitikk for å fylle jordbrukets samfunnsmessige rolle. Dette krever nytenkning. Det er nødvendig for å få fram det tredje grønne standpunkt – om økt matvaresikkerhet for Norge. Etter å ha lest statsrådens innlegg på årsmøtet i Norges Bondelag i går har jeg behov for å peke på noen sentrale forhold. De personer som ønsker nytenkning for å få fram det tredje grønne standpunkt, står fullt på høyde med Landbruksdepartementets folk og det politiske miljøet når det gjelder den fagligpolitiske forståelsen av situasjonen og I tillegg har dette miljøet svært god kontakt med bønder og bygdefolk gjennom mange tiårs praktisk erfaring, og ikke minst: Ungdommen er med oss. Det er et stort problem at regjeringa, ved Landbruksdepartementets politiske ledelse, presenterer en virkelighetsforståelse til andre om situasjonen i jordbruksnæringa, som stadig færre i bygdene kjenner seg igjen i. Kort sagt kan en si at stadig flere opplever et metningspunkt for hva man aksepterer å høre. Helt konkret har regjeringa hittil nektet plent som øker matvaresikkerheten, med unntak av årets svært beskjedne investeringsstøtte til grøfting av vassjuk jord. Jordbruksforhandlingene, med basis i jordbruksavtalesystemet, skal være forhandlinger mellom likeverdige parter, slik som i lønnsoppgjørene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er bare én avgjørende forskjell, nemlig at resultatet sjølsagt står tilbake for vedtak i Stortinget. Slik som jordbruksavtalesystemet er praktisert gjennom flere år av statens forhandlingsdelegasjon, skjer det Slik som jordbruksavtalesystemet er praktisert gjennom flere år av statens forhandlingsdelegasjon, skjer det et maktmisbruk i jordbrukets disfavør, som avtalesystemet over tid ikke vil tåle. Kort sagt: Urett blir ikke rett, sjøl om det blir gjentatt år etter år. Dagens system praktiseres bl.a. slik: Produktivitetsgevinsten i næringa tas bort fra jordbrukets utøvere i forhandlingene ved at økt produksjon, reduserte driftskostnader og redusert arbeidstid fører til lavere inntektsrammer. Hver krone plukkes bort fra jordbruket, slik det praktiseres i dag. Dette er en logikk som strider mot den forståelse som regjeringa opptrer med overfor alle andre grupper. Arbeidsproduktiviteten i jordbruket har økt med om lag 6 pst. per år de siste ti årene. Dette har ikke hatt noen virkning når det gjelder å redusere inntektsgapet per årsverk, sammenliknet med andre grupper som har langt lavere produktivitetsforbedring. Ingen andre grupper med slik produktivitetsframgang ville finne seg i dette. Derfor er det viktig at vi går igjennom denne politikken, og jeg vil i neste innlegg gå inn på en del sentrale problemstillinger som er helt avgjørende for å få en ny kurs, som sikrer at det blir samsvar mellom de internasjonale utfordringene, hva som er situasjonen ute i næringa, og hva Norge, som et rikt land, har råd til, i en situasjon som er ganske utfordrende.

av bøndenes situasjon. Jeg kommer fra et lokalmiljø hvor landbruket er meget viktig, og hvor det til tross for betydelig effektivisering de senere årene er meget arbeidskrevende å være bonde. Som nabo til flere nordnorske unge bønder, ser jeg deres allsidighet og enorme arbeidsinnsats. Jeg ser også at de fleste må ta tilleggsarbeid for å spe på inntekten. I debatten om jordbruket hører jeg fra tid til annen at noen mener at kostbare driftsbygninger er bevis på at bøndene tjener godt. Da er det viktig å ha med seg hvilke krav vi i dette huset har satt til dyrevelferd og arbeidsmiljø i arbeidslivet. Det er kostbart å etterkomme disse kravene. Jeg blir også provosert av argumentet om kostbare traktorer og arbeidsmaskiner. Heldigvis har vi sterke krav til arbeidsmiljø og til sikkerhet knyttet til bruk av maskiner og utstyr. Selvfølgelig må dette også gjelde for landbruket, og selvfølgelig betyr dette kostnader for næringen. Dagens gårdbrukere har god utdannelse, de er har god utdannelse, de er allsidige og meget arbeidsomme folk. Dette innbærer at de også er ettertraktet arbeidskraft i mange andre næringer. Med mye arbeid og ansvar, kombinert med forholdsvis lav lønn, er veien ut av landbruksnæringen ganske kort for mange. Dette er yrkeskategorier som vi ikke har råd til å miste i en tid på en klode med sterk befolkningsvekst blir viktigere og viktigere. Derfor er det viktig at vi i tiden som nå kommer, gjør det som er nødvendig for å sikre et godt landbruk over hele landet. Det er nødvendig kontinuerlig å se på både de økonomiske rammene og fordelingen, men det vi minst av alt trenger i denne situasjonen, er i denne situasjonen, er landbrukspolitikken til Fremskrittspartiet og Høyre. Den ville rasere landbruket i Norge og særlig i den landsdelen jeg kommer fra. I landbruksmeldinga, som er

må ein stor del av denne auken koma i dei grasbaserte produksjonane. Dette er òg prioritert i dei siste jordbruksoppgjera. Ein viktig føresetnad for landbrukspolitikken er at han skal motverka tunge økonomiske og samfunnsmessige trendar, og departementet har i fleire år rapportert til Stortinget om grader av manglande oppnåing i delar av landet. men meir. For å kunna utvikla og utvida produksjonen må me vareta det dyrka arealet som er. Med ein stadig større del av arealet som er forpakta, er vedlikehaldet ei utfordring. Det er derfor positivt at det er forslag om grøftetilskot. Det må òg dyrkast meir. Her må omsynet til behovet for meir mat vega tyngre enn omsynet til miljøet. Attgrodde beite må opnast opp, og det må òg stimulerast til opparbeiding av nye beiteareal. Sist, men ikkje minst: Dyrka jord må vernast, og eg vil visa til at det er sendt inn grunnlovsforslag om det. Komiteens fleirtal, med unntak av medlemene frå Framstegspartiet og Høgre, peikar på viktigheita av å utnytta graset og få auka kjøtproduksjon, og av å bevara ein ber regjeringa om å utarbeida ein strategi for det. Skal ein få til ei positiv utvikling i næringa i tråd med landbruksmeldinga, med eit landbruk i heile landet, tilstrekkeleg rekruttering og auka produksjon, må det vera ei inntektsutvikling som elles i samfunnet. Landbruksorganisasjonane valde i år å bryta. Det må me ha respekt for. Regjeringa vil likevel prøva å sikra landbruket inntektsutvikling og sosiale vilkår på line med andre grupper. Regjeringa vil derfor arbeida vidare med inntekts- og velferdspolitikken, i tråd med den politikken som er ført sidan 2005. Etter mitt syn er himmelretninga rett. Det meiner òg store delar av næringa. Men dei gav i år klart uttrykk for at utviklinga går for seint. Når ein les merknadene frå Høgre og Framstegspartiet, trur eg me trygt kan seia at konsekvensane vil vera ei raskare endring, men eg må diverre seia at eg trur den himmelretninga er feil. For Senterpartiet er

bruk med ulike inntektskombinasjoner og større bruk i hele landet. Regjeringen skal foreta en gjennomgang av virkemidlene for å gjøre distriktsprofilen tydeligere i de nasjonale ordningene, og for å styrke grunnlaget for et landbruk i hele landet. Det er viktig å bidra til å løfte de områdene som har særlige utfordringer. utfordringer. Jeg har vært i tett kontakt med mange organisasjoner rundt om, også min egen bondelagsleder i Nordland og styret der, for å høre hva de var opptatt av. En av de tingene de ba om, var at man fikk en gjennomgang av sonegrensene for de ulike tilskuddsformene i landbruket i 2012, det er riktig å foreta endringer til jordbruksforhandlingene i 2013. En arbeidsgruppe, der bl.a. partene skal delta, skal nedsettes. Det støtter jeg. Det synes jeg er veldig viktig, og det er det som sagt også støtte for i nord. Distriktsprofilen styrkes, og det er viktig at det fortsetter. For det er mange områder der utviklingen er særlig bekymringsfull. Dette er nevnt av flere talere før meg, så det skal jeg ikke gjenta, men det er stor grunn til bekymring i en rekke områder. flere talere før meg, så det skal jeg ikke gjenta, men det er stor grunn til bekymring i en rekke områder. I landbruksmeldingen og nordområdemeldingen slår regjeringen fast at det skal satses på arktisk landbruk. For å sikre en bedre utvikling i Nord-Norge skal satsingen på arktisk landbruk styrkes. Det er viktig at man legger til rette for å tilpasse virkemiddelbruken til de regionale ulikhetene. En gjennomgang av de nasjonale ordningene og ekstratilskuddene til det arktiske jordbruket er det gjennom jordbruksoppgjøret i tillegg etableres en områderettet innsats innenfor Landbrukets utviklingsfond, LUF. Det er viktig at man tar tak i dette også videre, for nettopp å profilere de regionale ulikhetene og de mulighetene som ligger i at det er spesielle vilkår rundt omkring i landet. Jeg har merket meg at Høyre og Fremskrittspartiet går imot at bøndene skal ha egne forhandlinger med staten, og vil ta det inn som en del av statsbudsjettet. Det anser jeg som et risikoprosjekt for bondestanden, og det er uakseptabelt for Senterpartiet å støtte det. Her må man støtte organisasjonene, som også vil slå ring om forhandlingsinstituttet. I tillegg ønsker Høyre og Fremskrittspartiet en strukturrasjonalisering av landbruket og store kutt i budsjettstøtten. De vil i tillegg fjerne importbarrierer.

Fra regjeringshold har det gjentatte ganger vært gjort et poeng av at det utgjør en vekst på noe under 75 pst. Det regjeringspartiene unngår å nevne i den sammenhengen, er at lønnsutviklingen for alle grupper lønnsmottakere også har vært sterk de senere årene. Det framgår av tabellen på side 40 i proposisjonen at inntektsøkningen for lønnsmottakere sett under ett har vært på noe over 110 000 kr i samme periode, ifølge Det tekniske beregningsutvalget for Dermed blir differansen i inntektsøkning mellom selvstendig næringsdrivende i landbruket og vanlige lønnsmottakere omtrent 10 000 kr, fordelt over seks år. Det utgjør en differanse til landbrukets fordel på ca. 1 650 kr per år, eller 133 kr per måned, før skatt. Norske gårdbrukere har altså de siste årene kunnet glede seg over å ha råd til en Grandiosa og en flaske Cola mer enn en gjennomsnittlig lønnsmottaker hver måned, pluss bensinskvetten som trengs for å komme seg på bua, som vi sier på Nordmøre.

Både bruket og driveren er anonymisert, men jeg kan forsikre om at det dreier seg om en dyktig og hardt arbeidende aktør i næringen. Grafene viser ganske riktig en betydelig inntektsvekst de seneste årene, bl.a. på grunn av økt melkekvote, men også en enda sterkere vekst i kostnadene. Konsekvensen for dette bruket er at driftsresultatet er klart Jeg vil gi statsråden en kopi og be om at han gir en vurdering av hvordan kostnadsutviklingen generelt har påvirket den påstått historisk gode inntektsveksten for dem som driver med grovfôrbasert melke- og kjøttproduksjon i landbruket. Så til slutt en kommentar til Terje Aaslands påstander om at det under Bondevik II-regjeringen skal ha vært nærmest katastrofale tilstander i landbruket. Med Stoltenberg som statsminister har bondeorganisasjonene gått til brudd to ganger. Det skjedde aldri med Bondevik som statsminister.

i dag er jeg veldig glad for at det er rød-grønt flertall i denne salen. Bare tenkt hva det hadde representert for Norge, om Høyres og Fremskrittspartiets landbrukspolitikk hadde blitt vedtatt her i kveld. Jeg tror ikke vi overskuer hva det ville bety for bosetting og muligheten til å ta hele landet i bruk. Men høyrepartienes, og særlig Fremskrittspartiets, systematiske, politiske korstog mot at staten skal spille en vesentlig rolle også i forhold til landbruket, er historisk. Det har foregått helt systematisk, og vi ser eksempler på det her. Hadde den politikken vært ført over flere tiår, hadde norsk landbruk vært et helt annet enn det er i dag. dag. Hvorfor kan de ikke si rett ut at det er et markedsstyrt landbruk de vil ha? Det er selvfølgelig et enormt stort politisk og pedagogisk paradoks at representantene, jeg vil si særlig fra Fremskrittspartiet, som Trældal og Bredvold, men til dels også fra Høyre, anklager regjeringen for inntektsutviklingen og inntektsutviklingen og arbeidsforholdene i landbruket, mens de selv vil kutte betydelig i den. Dette må jo avsløres, og det må sies sånn som jeg sier det nå, for de skal erstatte det med et markedsstyrt landbruk, som jo vil smadre muligheten til bosetting over hele landet og de små og effektive, gode bruk. Man vil slippe bonden fri, sier Ja, fri til markedet. Hvordan vil det forholde seg med tanke på matvaresikkerhet og norsk matvareproduksjon og bosetting? Vi vet hvordan det vil bli. Det vil bli en betydelig sentralisering. Derfor er dette en helt avgjørende politisk debatt. Det er veldig bra at det er et flertall i denne salen som ser en helt annen utvikling som nødvendig for landbruket og for Norge. Velgerne over hele landet, spesielt i det som kalles distriktene, må virkelig se dette, for i løpet av kort tid vil dette selvfølgelig smadre landbruket sånn som vi kjenner det i dag. Landbrukspolitikk er

Jeg vil nok si at debatten i denne sal i dag delvis har vist at det ikke er alle som har like mye innsikt i hva som skjer i landbruket. Men det er ikke bare i Norge vi har det vanskelig i landbruket. Også EU sliter med sin landbrukspolitikk. Det er flere grunner til det. La oss se litt på historien: For 100 år siden hadde vi matmangel i store deler av verden, også i den vestlige. siden hadde vi matmangel i store deler av verden, også i den vestlige. Siden den gang har vi hatt en formidabel effektivisering i landbrukssektoren, takket være nye og gode gjødselprodukter og maskiner. Derfor har vi i dag overproduksjon. Tilbudet på verdensmarkedet er overskuddsvare som ikke lar seg oppbevare og lagerføre over lang tid. Derfor må vi ikke forledes til å tro at vi i Norge skal produsere mat til verdensmarkedsprisene. verdensmarkedsprisene. Dessuten har vi en del pålegg i Norge som få andre land har. Derfor er det ingen tvil om at det blir dyrere å produsere i Norge. Høyre aksepterer fullt ut at det er dyrere å produsere mat i Norge. Sett i relasjon til lønnsnivået vi har her i landet, må vi være enige om at maten ikke er direkte dyr. Men det må da gå an å se framover og tenke annerledes: Går det an å gjøre dette på en smartere måte?

Høyre har lenge ment at vi må tillate at jord fradeles i landbruket, slik at vi kan få større gårdsbruk. I dag er 40 pst. av jorda som dyrkes, leiejord. Det er uheldig. Vi mener at de som har lyst til å dyrke jorda og være i landbruket, må få lov til det, og at de som har lyst til å selge, også må få lov til det. Heldigvis er regjeringen kommet oss delvis i møte på det punktet. Det kan nok hende at Høyre har lagt lista høyt nok når det gjelder innsparinger i byråkratiet, men det er jo ikke tvil om at økningen i byråkratiet i den senere tid er vesentlig. Det har jeg selv opplevd i forbindelse med min egen gård. Jeg har respekt for at bøndene hadde brudd i forhandlingene dette året. Det er vanskelig – særlig i melkesektoren, det har jeg selv opplevd, og derfor sluttet jeg. Min sønn sa at dette vil jeg ikke gjøre 365 dager i året når jeg skal overta.

har brutt forhandlingene med staten, og bøndene har marsjert over hele landet, ikke i protest mot Fremskrittspartiet og Høyre, men mot den rød-grønne regjeringen og dens landbrukspolitikk, og ikke minst mot Senterpartiet. Jeg synes det er når Norges Bondelag for første gang på svært lenge har gått til brudd i jordbruksforhandlingene når en søsterorganisasjon sitter i regjering. Som en av de få aktive jordbrukere her på Stortinget, deler jeg mye av den kritikken som kommer. De rød-grønne partiene seiler under falsk flagg i landbrukspolitikken. De gir uttrykk for at de kjemper for hver eneste bonde, og at det er et mål å opprettholde næringen slik som den er i dag. Det er lite fremtidsrettet. Målet i landbrukspolitikken – som også har vært støttet opp under av de rød-grønne partiene siden opptrappingsvedtaket på 1970-tallet – har jo nettopp vært å redusere antallet bønder betydelig. Det har skjedd en betydelig teknisk revolusjon i landbruket, spesielt på 1970-tallet, som muliggjorde større effektivitet og større bruk, sammenkoblet med stor etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av samfunnet. Det er det som har ført til den situasjonen vi i dag har, når vi nå har ca. 43 000 bønder som produserer mye mer enn hva langt flere gjorde før. Dette har vært en villet politikk både fra Senterpartiet og fra andre partier som har vært i regjering. Til tross for en reduksjon av antallet bønder, fra ca. 200 000 på 1960-tallet til 43 000 i dag, har vi et landbruk over hele landet. En tilsvarende teknisk utvikling skjer etter min oppfatning i landbruket i dag. Melkeroboten, helautomatisk fôring, samdrifter, fôring, samdrifter, redusert jordbearbeiding og langt mer effektive og større redskap og maskiner gjør at landbruket må omstille seg i

står seg både når forhandlingane fører til avtale, og når dei – som i år – endar i brot. Forhandlingssystemet er avgjerande for å vareta dei politiske måla for landbrukspolitikken. Eg er særlig oppteken av det vi pleier å kalle ein mangfaldig og differensiert bruksstruktur. Mitt eige heimfylke, Møre og Romsdal, er eit Noreg i miniatyr kva gjeld struktur – frå dei store til dei små gardsbruka, i breibygder, i er alle like viktige for å løyse oppdraget om å produsere meir mat til ei aukande befolkning. Tilnærminga vi i Senterpartiet har til landbrukspolitikken, er m.a. basert på for det første at folk treng mat, og alltid kjem til å trenge mat, for det andre at mattilgangen ikkje er stabil, for det tredje at ein nasjonal matproduksjon er nødvendig for ein høgast mogleg sjølvbergingsgrad, for det fjerde at staten må bruke dei nødvendige verkemidla for å sikre eit levande landbruk i heile landet. At regjeringa styrkjer distriktsprofilen m.a. i kyst- og fjordstrøka på Vestlandet, er gode nyheiter. Forbrukaren har stor tillit til norsk landbruk, og heldigvis oppfattar eg det slik at stadig fleire forbrukarar er opptekne av at vi må halde ved lag norsk matproduksjon. Men forbrukarane må også ha tillit til dei andre delane av verdikjeda for mat dei må kunne stole på at det er sunne konkurranseforhold og openheit om maktforholda. Dette meiner eg er ein av fleire gode grunnar for å greie ut ei lov om god handelsskikk i daglegvarehandelen, som fleirtalet i innstillinga går inn for. Eg undrar meg over kvifor ikkje Høgre og Framstegspartiet er interesserte i å lovfeste at vi skal late marknaden styre, og kvifor dei ikkje er interesserte i at det også blir poengtert at det samtidig skal skje på rettferdige og like vilkår. Matkjedeutvalget skisserer ei heilt tydeleg utvikling der daglegvarekjedene sine merkevarer skvisar ut små og mellomstore produsentar – dette trass i at forbrukarane spør etter meir mangfald, og landbruket står klare til å levere. Eg må få nemne at Høgre og Framstegspartiet sitt forslag om at regjeringa skal intensivere arbeidet med utvikling av nisje- og spesialprodukt i landbruket, blir litt pussig,

Ved brudd er det sedvane at tilbudet går uforandret til Stortinget. Sedvane her i huset er at det ikke endres på tilbudet, men tilbudet vedtas som det ligger. Så er Stortinget suverent til å gjøre hva det vil. Men frihet og makt til å gjøre hva vi vil, krever også at vi har evne til å tenke både på kort og på lang sikt. Det er flere utenfor Stortinget som har tatt til orde for at vi skal øke ramma i tilbudet. Jeg ber dem legge merke til at ingen av partiene gjør det, sjøl ikke Kristelig Folkeparti. Den norske modellen er unik, og flertallet ønsker å beholde den. Organisasjonene forhandler i dag deler av sine rammevilkår direkte med staten. Dersom vi i dag skulle endre tilbudet, og høyne det, er vegen over til Høyre og Fremskrittspartiets oppskrift i innstillinga – der de sier at de er prinsipielt betenkt over at enkelte næringer forhandler sine rammevilkår direkte med staten, uavhengig av ordinære budsjettprosesser – veldig kort. Min frykt er at vi med deres løsning raskt kommer over i et system der støtte til landbruket blir en rein budsjettpost. Hvorfor skal staten forhandle med organisasjonene dersom Stortinget gjør som de vil uansett? Så skjønner jeg skuffelsen i år. Sjøl om det har vært en bedre inntektsutvikling med denne regjeringa, hjelper ikke det når forventningene etter landbruksmeldinga ikke innfris. Så er det likevel i dag viktig å bite seg merke i de klare politiske De er tydeligere enn på lenge. Flertallet, som består av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, vil sikre utøverne i landbruket en inntektsutvikling og sosiale vilkår på linje med andre grupper og videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket med utgangspunkt i den landbrukspolitikken som har vært ført etter 2005. Dette målet står ikke Høyre og Fremskrittspartiet bak. De vil noe helt Flertallet bygger sin politikk på beskyttelse av norsk matvareproduksjon, og dermed også norsk næringsmiddelindustri. Det betyr at vi må ha importvern på enkelte varer, som Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund sa på Bondetinget seinest i dag. Fremskrittspartiet og Høyre forventer derimot at importvernet skal bortfalle, og vil derfor endre strukturen i dagens landbruk radikalt, også av hensyn til næringsmiddelindustrien, som de sier. Det er for meg helt

er mulig han tenker på behandlingen av landbruksmeldingen, hvor vi hadde en rekke andre forslag til innretningen av norsk landbrukspolitikk – hva det ville ha betydd. Jeg tror det i stor utstrekning kunne ha betydd mer produksjon og økt lønnsomhet. Representanten Kolberg er selve inkarnasjonen av dem som skremmer med Høyre og som ser tvers igjennom dette og ser at det å skremme med andre, er en avledningsmanøver. Han går til kjernen, han går til sine egne, og han vet at frustrasjonen ute skyldes den politikken som føres av landbruksminister Brekk og hans folk. Det er det han peker på. Han peker ikke på omveien ved å skyte på noen andre. Det er for enkelt. Jeg synes det var et meget tankevekkende innlegg. Jeg har et par refleksjoner til, det gjelder representanten Aasland, komitélederen, og dette med landbruksbyråkratiet. Hvis Aasland leser merknaden enda litt nøyere, vil han se at det også står noe om forenkling der. Da kan han kontakte sin næringsminister som har påvist et skjemavelde – en byrde for bedriftene på 54 mrd. kr i Norge, hvorav han har satt et mål på rundt 10 mrd. kr. Våre naboland ligger atskillig høyere, det vil si at man her i Norge kanskje burde sett på 10–15 mrd. kr. Ikke alt ligger på landbruket, men veldig mange virksomheter i Norge er landbruksvirksomheter, og som Lars Myraune ganske riktig påpekte, er det et betydelig er det et betydelig skjemavelde, byråkrati, innen landbruket, og det øker stadig. Bare i løpet av årene fra 2005 og frem til nå har det vært en sterk nedgang i antall virksomheter, i antall bønder, mens byråkratitotalen har stått stille både med hensyn til hva det koster, og med hensyn til antall mennesker. Så to ord om kjedeutvalget: Det skal når det gjelder Matkjedeutvalget, legges til at det er advarsler mot dette både fra Justisdepartementet og fra Konkurransetilsynet. I tillegg sier mange innenfor jusen at det finnes andre lover som også kan brukes på denne måten. Jeg synes det er betenkelig hvis Stortinget skal vedta lover som ivaretar hvordan frie kontraktspartnere skal forholde seg til

Det viktigaste grunnlaget for å auke matvareproduksjonen, og for å ha ein stor matproduksjon i Noreg, er å oppretthalde det dyrka arealet. Det er slik med topografien i Noreg at viss vi skal oppretthalde det dyrka arealet, må vi også ta vare på dei små og mellomstore bruka – som ofte er kombinasjonsbruk. Det er relativt store delar av det dyrka arealet, både i det fylket eg representerer, og i ein del andre fylke, som vil forsvinne viss vi ikkje tek vare på distriktsprofilen i landbruket. Så det å leggje til rette berre for dei store, effektive bruka vil føre til en heilskapleg reduksjon i matvareproduksjonen i Noreg. Det som skal til for å oppfylle målsetjinga om auka matvareproduksjon i Noreg, er dermed å satse på distriktsprofil. Alternativet er ein auka matvareproduksjon i enkelte sentrale strøk og at summen totalt sett for Noreg vil gå ned. Så har eg nokre kommentarar til Framstegspartiet: Vi kan kanskje – med godvilje – seie at dei har utvikla ein retorikk om landbruk, men å seie at dei har ein politikk om landbruk er å ta hardt i. I den grad dei har ein politikk, går han ut på å sleppe laus marknaden, slik at dei flyttar all landbruksproduksjon til nokre få sentrale strøk i landet. Til slutt vil eg berre seie litt om dei som prøver å gjere eit nummer ut av at det har vore brot under den raud-grøne regjeringa, men ikkje

Det som skulle ha vært en festdag for Senterpartiet, ser vel snarere ut til å bli en «dagen derpå». Regjeringen feilet i vorspielet. Regjeringen la også forventningene i landbruksmeldingen og kom med det første tilbudet – et tilbud som noen med rette kan reagere på, når det ligner på tilbud til husmenn. Regjeringen synes at det var synd og leit at landbruksorganisasjonene brøt. Jeg tror nok at regjeringen, og regjeringens representanter her i salen i dag, burde ha vært mer opptatt av hvorfor. det spørsmålet er jo at det ville pekt tilbake på regjeringen selv. Så hører jeg at representanten Kolberg lager et skremmebilde av den landbrukspolitikken som Høyre ville ført. Det er vel grunn til å minne om at sentraliseringen øker, antall gårdsbruk som blir eneboliger med noe attåt, øker, og andelen leiejord har den samme utviklingen – en økning. Dette er altså regjeringens politikk de siste syv årene. Dette er et resultat av regjeringens politikk, og sånn sett bruke egen skremselspropaganda i stedet for å prøve å fremstille det slik at Høyre står for noe som ville blitt ragnarok i landbrukspolitikken. Det er mange representanter fra regjeringspartiene som i dag har gitt ulike tolkninger av Høyres politikk. Jeg tror det kan være klokt av og til å gå til kilden og være etterrettelig ut fra den. Jeg vil minne om at Høyre ønsker å beholde jordbruksavtalen og se den i sammenheng med statsbudsjettet. Bøndene er selvstendig næringsdrivende, og da er man avhengig av stabile rammevilkår. Det har Høyre vært tydelig på hele tiden. De endringene som er nødvendige for å øke lønnsomheten for norske bønder, må skje skrittvis og på en Det vil Høyre være en garantist for. Det er veldig bra med landbruksdebatter i Stortinget. De angår hele landet, de angår mange mennesker, og veldig mange er berørt. Jeg synes også det er en veldig god anledning til å vise at det finnes et velfundert og solid alternativ til det som er den rød-grønne landbrukspolitikken – en god landbrukspolitikk som skaper muligheter for verdiskapning. Høyre vil ha et lønnsomt og levedyktig landbruk i alle deler av landet. Da trenger vi nye ideer, nye ideer, nye løsninger for landbruket. Det betyr også at budsjettstøtten til landbruket bør innrettes mer virkningsfullt for å oppnå at vi får en merproduksjon og en større grad av lønnsomhet, og at kvotebegrensninger og konsesjonsgrenser for produksjon for enkeltbruk og samdrifter må fjernes mest mulig. Det å fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, fjerne arveavgiften og innføre en fondsavsetningsordning for enkeltmannsforetak vil være av de gode tingene som er viktig nettopp for å skape lønnsomhet og drivverdighet i landbruket. Jordbruket er viktig for Norge. Det er

Men noe positivt er det i dette bildet: Det synes som om storsamfunnet verdsetter norsk matproduksjon på en annen måte enn før og ser nødvendigheten av at vi er så selvforsynt som mulig med mat her i landet. Det har vært en positiv inntektsutvikling de siste årene, men på langt nær stor nok.

Den norske bonden fortjener virkelig å få bedre betalt for den viktige jobben hun eller han gjør. Så hvorfor velger vi likevel å ikke sende jordbruksavtalen tilbake til regjeringen eller legger på rammen under behandlingen her i Stortinget? Jo, det er for å bevare det viktige forhandlingsinstituttet. Dette ønsker også bøndenes organisasjoner. De ønsker å slå ring om forhandlingsinstituttet og vil ikke sette det på spill. Det kom fram i høringsrunden. Deler av opposisjonen raljerer med forhandlingsinstituttet, og det er helt tydelig at de helst vil fjerne det. Tydeligvis ønsker de at Stortinget skal bestemme hvor mye landbruket skal få hvert år, uten at organisasjonene får mulighet til å komme til forhandlingsbordet, og dette er i alle fall ikke noe organisasjonene ønsker. Det er viktig å huske at vi i Det er viktig å huske at vi i dag har flertall på meningsmålingene. De to partiene Høyre og Fremskrittspartiet ønsker en helt annen landbrukspolitikk – med store kutt, der mindre enheter ikke har livets rett, og der landbruket i distriktene og i fjellbygdene vil bli rasert. Regjeringspartiene har i landbruksmeldingen pekt på hva vi vil. Vi vil ha inntektsutvikling, vi vil gå igjennom tollsatsene, støtte investeringer i landbruket og få matmakta tilbake til produsentene. Senterpartiet vil sette trykk på dette arbeidet

Østfold er et viktig landbruksfylke. Vi er et viktig fylke for næringsmiddelindustrien. Vi har 4 000 arbeidsplasser. De er innovative. De er framoverlente. Kristelig Folkeparti verdsetter det arbeidet som bøndene gjør i dag. Derfor ønsker vi å være med på å tette det inntektsgapet som bønder har til andre arbeidsgrupper. Men vi ønsker også noen nye bønder noen nye bønder for morgendagen – at det finnes en generasjon bønder som ønsker å overta når de som driver i dag, ønsker å legge opp. Da er det viktig å ha god rekrutteringspolitikk. Å være gode forvaltere handler også om å øke matproduksjonen, som er en samlet målsetning i denne sal. Vi ønsker å tette inntektsgapet, vi ønsker å øke matproduksjonen. Da er det én ting bønder trenger – det er jorda som bøndene det er jorda som bøndene skal dyrke maten eller gresset på. I Meld. St. 9 for 2011–2012, Velkommen til bords, snakket man om et taktskifte. Jeg skjønner at bøndene er frustrerte over det tilbudet de fikk fra regjeringen. Denne frustrasjonen har vi så stor forståelse for at vi i dag vil be regjeringen ta opp igjen forhandlingene, ved at saken sendes tilbake. I denne debatten som vi nå har hatt de siste timene, er det også mange fra Senterpartiet som har hatt forståelse for denne frustrasjonen. Men hva hjelper det? Bønder, som alle vi andre, lever av kroner og øre. Det hjelper lite å få Med mine sju år som stortingsrepresentant er den største demonstrasjonen jeg har sett på disse sju årene, bøndenes. Regjeringen har sviktet norsk matproduksjon, sto det på de fanene jeg så flest av. Det er – og bør være – sterk kost. Bøndene forventet et taktskifte, regjeringen har snakket om et taktskifte men dessverre har vi ikke et taktskifte. Hvis dette er oppfølging av stortingsmeldingen Velkommen til bords, som vi i dag har til behandling gjennom dette oppgjøret, tror jeg det er få av oss som ønsker å se de neste stegene på denne oppfølgingen. Jeg vil understreke at omstilling er

per år. Du må altså doble produksjonen hvert ellevte år for å holde følge, uten at inntektsgapet til andre grupper reduseres. Det burde være et tankekors for representanten Kolberg, som kjenner fagbevegelsen, for der er det slik at produktivitetsveksten skal deles av arbeidsgiver og arbeidstaker. føre en nasjonal jordbrukspolitikk krever et sterkt importvern. I henhold til Innst. S. nr. 65 for 1994–1995 heter det at: «I hvert enkelt tilfelle er det den tollsats som gir det høyeste tollbeløp ved innførsel som skal benyttes.» Dette er avgjørende å gjennomføre for å sikre noe av kjernen i den rød-grønne alliansen, nemlig jamnbyrdige forhold mellom arbeidsfolk. Det går til kjernen av det rød-grønne samarbeidet. Det går også til kjernen av det rød-grønne samarbeidet at driftsmåten i jordbruket er slik at når en får økte inntektsmuligheter ved priser, må en også ha kraftfôrpriser som er slik at det lønner seg å bruke grasarealene. Slik er det ikke i dag, derfor gror Norge igjen. Den ordbruk som statsråden brukte mot kritikerne av dagens jordbrukspolitikk på årsmøtet til Norges Bondelag på Lillehammer i går, er ikke en statsråd verdig. I stedet for å møte kritikken med debatt skal den stenges, og de som debatterer mot regjeringas og Landbruksdepartementets kurs, skal stigmatiseres ved at de er kunnskapsløse, fagligpolitisk virkelighetsfjerne, samt at de ikke skjønner de tekniske forhold som jordbruksavtalen bygger på. Jeg vil bare kort si at problemet for regjeringa ikke er kritikerne, men at velgerne kjenner seg igjen i kritikken ved at stadig flere også utenfor bygdene forstår at noe ikke fungerer slik det blir sagt. Statsministeren ønsker mer åpenhet og demokrati. Dette fordrer et ordskifte og klare meninger. Riksrevisjonen leverte sin rapport, hvor det nettopp påpekes manglende samsvar mellom det som er uttalte målsettinger, og det en vil skal skje, kontra det som faktisk har skjedd. Riksrevisor Jørgen Kosmo har gjort en forbilledlig jobb. Det som skjer, er at jordbrukerne går over til å bli jordeiere. Det vil også føre til at den rød-grønne alliansen går mot en meget krevende tid, for å si det forsiktig.

vere ein marknadsregulator i landbruket. At ein ønskjer ein grundig gjennomgang av denne kompliserte ordninga, betyr ikkje at ho skal avviklast. Han viste også til at Høgre ønskjer å vidareføre jordbruksforhandlingane, men ein ønskjer å sjå dei i lag med andre budsjettpostar og at dei derfor skal følgje dei vanlege budsjettprosessane. Ein må vere ganske omtåka På alle desse tre områda driv regjeringspartia, og særleg Senterpartiet, rein skremselspropaganda for å få baksnakke Høgre sin politikk og for å få fokuset vekk frå eigne løftebrot. Ei av dei hendingane som har prega denne våren, er dei kraftfulle og omfattande protestane som har kome frå bønder og bondeorganisasjonar mot årets jordbruksoppgjer. Det er ikkje så rart når representantar frå Senterpartiet og dei andre regjeringspartia har reist land og lova gull og grøne skogar i samband med presentasjon av den nye landbruksmeldinga. Det er ikkje rart at bøndene føler seg svikta av regjeringspartia når ein ser kontrastane til det som blei framlagt som tilbod i jordbruksforhandlingane. Løftebrot er noko av det som svir mest, og dei massive reaksjonane som har kome frå bøndene si side, er lette å forstå. På nettsidene til NRK Sogn og Fjordane kunne vi denne veka lese at nye tal viser at sauebønder på på 57 kr timen, og at gjennomsnittsbonden på Vestlandet tener 107 kr timen. Dette er tal frå Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning. Eit anna oppslag på same nettstaden viser til at eit ektepar som kjøpte seg gard for 13 år sidan, no ikkje ser at dei har noka framtid som bønder. Dette er altså resultatet etter sju år med Senterpartiet, Arbeidarpartiet og Sosialistisk Venstreparti i regjering.

Det ene slår det andre i hjel, og vi vet ikke hva som virker og ikke virker. Så har jeg sittet og hørt på de fleste rød-grønne politikere, som vil flikke på dette. De beskriver et alternativ med forenkling, opprydding og avbyråkratisering som en katastrofe. Da slutter jeg meg til Lundteigen: Det er å kaste blår i øynene på næringen. Jeg tør å minne om at den eneste gangen vi har nådd inntektsmålet i landbruksoppgjøret, var i 1983 under en Høyre-regjering. I 2005 var investeringsnivået i landbruket på god vei oppover. Det er fordi når selvstendig næringsdrivende kan få et inntrykk av at man kanskje skal få råde over sitt eget, får man optimisme automatisk. Så her er det mye å ta tak i. Bare for å fortsette med Lundteigen: Alt er åpenbart ikke så rosenrødt som de fleste andre rød-grønne talere har stått og sagt fra denne talerstolen. Han begynte å beskrive Norge som at omtrent hele Norge var Det berettiger i hvert fall Høyres forslag til landbruksmeldingen, om at man skal kunne begynne å utgiftsføre grøfting. Jeg noterte meg at det ble respondert med fra regjeringen at man skal få økt tilskudd. Men så kom det også: Vi trenger ny jordbrukspolitikk. Departementet mangler virkelighetsforståelse, og det er maktmisbruk som næringen ikke vil tåle, og det er grenser for hva man vil akseptere. vil akseptere. Vi skriver jo ikke 2006. Det er ikke et halvt år siden den rød-grønne regjeringen kom i posisjon. Det er syv år siden. Man har sittet og styrt i syv år. Dette er en beskrivelse gitt av en sentral jordbrukspolitiker fra de rød-grønne. Det er ganske alarmerende. Jeg har flere ganger snakket om produktivitet i denne salen. Det var også interessant å høre Lundteigens forelesning for Kolberg. For bonden er faktisk flink. Han er innovativ. Han bidrar til en utrolig produktivitetsvekst, som få andre næringer gjør. Men det er også som Kielland Asmyhr sier: Man har en politikk som ønsker å beholde næringen akkurat slik den er. Hva skjer med en næring med rask produktivitetsvekst, som har det samme arealet som man alltid har hatt? Det betyr at folk må ut av næringen. Det er den eneste måten å ta det ut på, bortsett fra at man kan produsere litt mer per dekar. Det har vi aldri tatt på alvor. alvor. Vi begynner vel kanskje å nærme oss at det faktisk må tas på alvor. Bonden er flink, han er innovativ og ønsker å gjøre en god jobb. Det siste stedet man tar det inn over seg, er i stortingssalen, slik denne debatten lyder.

Så over til temaet som vi i Senterpartiet er opptatt av: Tollspørsmålet vekker stort engasjement i Senterpartiet. Norge har etter gjeldende WTO-avtale adgang til å benytte enten kronetoll eller prosenttoll for de viktigste landbruksvarene. Derfor er det særdeles viktig at handlingsrommet utnyttes for å sikre et velfungerende importvern også i framtiden, slik det rød-grønne flertallet i komiteen

Dagligvarekjedene driver ikke bare butikk, de styrer også alt av mat i storhusholdning og kiosk-, bensin- og servicehandel. I tillegg eier de en rekke kafeer og restaurantkjeder. Vi handler hos dem hver dag, og NorgesGruppen tjener penger på nesten annenhver matbit vi spiser. Senterpartiet ønsker derfor en ny lov som styrker forbrukere og leverandører mot maktkonsentrasjonen til de store matkjedene. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker ikke en slik lov. Det er derfor god grunn til å stille spørsmål ved hvorfor disse partiene har et større engasjement for matvaregigantene, som tjener milliarder på å presse prisen til bonden så lavt som mulig, enn for forbrukere og matprodusenter. Bondeorganisasjonene, LO og Forbrukerrådet gir klar støtte til dette lovinitiativet. Fra Senterpartiets side er vi opptatt av at en sånn lov blir lagt fram, og det haster å få den på plass i inneværende periode.

Ni av ti nordmenn er for å opprettholde et landbruk av minst samme omfang som i dag. Denne andelen har aldri vært høyere. Det skal ikke være tvil om at Senterpartiet er på linje med den norske befolkning her, og vi vil fortsette å jobbe for landbruket, for å styrke bondens inntekt og for å styrke landbrukets betydning – hver dag. Landbruket

men ein kan samanfatta desse i eitt tema, og det er skog. Skogbruket i Noreg er ei næring som saman med treforedlingsindustrien hadde i 2010 ein bruttoproduksjonsverdi på 44 mrd. kr, dvs. 5,8 pst. av den totale omsetninga i norsk industri. Det står historisk store mengder kubikk med skog på rot – faktisk er det det største i moderne tid. Det er derfor viktig at ein har ein stortingsproposisjon som vil leggja til rette for å styrkja skogens bidrag til verdiskaping i heile landet og til å nå viktige mål i energi-, klima- og miljøspørsmål. Her vil bioenergi vera eit område som det er viktig å satsa på og leggja til rette for. er her viktig å få på plass infrastruktur, slik at ein kan auka bruken av bioenergi, som igjen vil føra til at ein kan utnytta skog, forhindra attgroing og nytta seg av restavfall som er i skogen. Kystskogbruket er eit samarbeid mellom kystfylka – frå Vest-Agder til Finnmark. Dei har gjennom fleire år arbeidd med å få auka avverkinga av tømmer langs kysten dette fordi det er særskilte utfordringar med vegdekninga, vanskelege terrengforhold, ein eigedomsstruktur som er fragmentert, mangel på utbygd industri, m.v. Av den grunn har Kystskogbruket fått tildelt ein større del av det ordinære tilskotet enn det dei objektive kriteria skulle tilseia. I tillegg er det òg gitt særskilte tilskot. Dette har gitt resultat i auka avverking. Skogbruket er òg ei næring der det går lang tid frå ein plantar til ein haustar. Skal me oppretthalda og vidareutvikla produksjonen, må me ha ein auke i nyplantinga. Då Sponheim var landbruksminister, tømde ein verktøykassa når det gjaldt å utvikla skogbruket. Me er no i gang med å byggja det opp igjen.

opp igjen. La meg starte med å si at det som gleder meg mest i forbindelse med denne debatten om jordbruksoppgjøret, er at landbruks- og matmeldingen, som nylig ble vedtatt, ikke minst i næringen selv. Det er ingen tvil om at den nye landbruks- og matmeldingen er ambisiøs. Det er derfor den også er viktig for næringen, og det er derfor den også er viktig for Senterpartiet. Målene støttes av en samlet næring, det viste seg da man

Målsettingene som er nedfelt, er bl.a. at vi skal øke produksjonen – så langt som mulig basert på norske ressurser. Vi skal ha en matproduksjon i hele landet. Faktum er at vi aldri har produsert mer mat, riktignok med færre aktører riktignok med færre aktører og med færre hender, men det har i alle fall vært en voldsom produktivitetsforbedring i det norske landbruket. Så kan vi snakke om det som et stort problem, men det er også en positiv side ved det at man har greid å utnytte ressursene i endringstider. Årsaken til at det er endringstider, er at folk ønsker å ta i bruk ny teknologi og ha nye arbeidsformer – og på det viset utnytter vi ressursene enda bedre. Det er klart at vi ser at på mange områder blir en del av produksjonsmiljøene for uttynnet. Det er derfor vi ønsker å bruke budsjettmidler for å sikre distriktsaspektet i landbrukspolitikken. Det som er faktum, er at vi i de seks årene vi har fått på plass en avtale, før årets brudd, har vi økt budsjettmidlene med om lag

Det var innlegget til representanten Bredvold som fekk meg til å ta ordet ein gong til, for eg lurar på kvifor Framstegspartiet og representanten Bredvold seier at diverre er det mange bruk som vert lagde ned i distrikta. Framstegspartiet seier jo sjølv at dei ønskjer strukturrasjonalisering. Dei ønskjer at busetjing og sysselsetjing ikkje lenger skal vera eit mål. Korleis heng det saman at Framstegspartiet vil fjerna importvernet, og så skal norskprodusert mat av mjølk, kjøtt og ost auka? Og busetjing over heile landet: Kva for verkemiddel er det Framstegspartiet vil bruka? Marknaden? Representanten Kolberg hadde heilt rett. På felt etter felt skal distriktsretta midlar Høgre ha distriktsmessige tiltak, eller vil dei ikkje? Og kva for distriktsretta verkemiddel vil Høgre aldeles ikkje gå med på å ta bort i eit regjeringssamarbeid med Framstegsparti, som skal fjerna alt? Til Lødemel, frå Høgre og Sogn og Fjordane, må eg nesten spørje: Kor mange kroner i timen ville bøndene i Sogn og Fjordane ha sete igjen med viss det hadde vore ei regjering med Høgre og Framstegspartiet i sju år? Det er ikkje slik at eit brot i forhandlingane er eit ja og velkomen til Framstegspartiet og Høgre frå bøndene si side. Som representanten Lillian Hansen så veldig bra sa det: Eg såg ikkje ein einaste plakat under demonstrasjonstoget der det stod «Ut med dei raud-grøne, og inn med dei blå».

Det vil altså si at det er de rød-grønne som ikke har levert. Det er jo ikke sånn at Høyre og Fremskrittspartiet har vært i noen posisjon til å forhandle i det hele tatt, men man kan av og til få det inntrykket når man sitter i salen og hører på det rød-grønne korstoget. Her brukes også en del uttrykk i debatten når man lager skremmebilder – som strukturrasjonalisering. Etter mye strev klarte vi å regne oss fram til at tre bruk om dagen dagen syv dager i uken – forutsatt at man legger ned bruk på søndagene også – ble 21 bruk i uken. Jeg har ikke finregnet på det, men det forteller meg at det blir noen bruk i løpet av et år. Da må de rød-grønne kanskje kunne fortelle meg: Hva slags form for rasjonalisering er dette når vi legger ned så mange med en sånn fantastisk landbrukspolitikk som dere leverer? De bøndene som må legge ned disse brukene, regnes ikke de med? Er de ikke med i bildet deres? Så til representanten Kolberg, som er så uendelig bekymret for folk som bor i Så til representanten Kolberg, som er så uendelig bekymret for folk som bor i distriktene. Sett fra hans ståsted, sa han, ville en landbrukspolitikk fra Høyre og Fremskrittspartiet vært i ferd med rasere distriktene. Nei, det er faktisk ikke sånn. Det som er i ferd med å rasere distriktene – dette kan jeg litt om, for jeg bor der – er sentralstyringen som vi opplever i dag. Det er vernegeriljaen som er totalt blottet for demokratiske prosesser, som båndlegger store arealer der folk kunne ha tatt seg til rette, kunne ha utviklet næring og kunne ha klart seg selv. Vern og svekkelse av lokal selvråderett og de rød-grønnes særegne evne til å trampe på eiendomsretten er det store problemet for folk som bor i distriktene – ikke landbrukspolitikken Høyre og Fremskrittspartiet kan komme med en eller annen gang. Den vil sette bonden fri, ikke fri til et marked for å bli tygget og så spyttet ut. Nei, fri fra byråkrati og fri fra sentralstyring. Det er det mange næringsutøvere som vil bli. Presidenten håper at begrepet «vernegerilja» ikke blir brukt neste gang fra Stortingets talerstol. Arbeiderbevegelsens ideologiske fanebærer, representanten Kolberg, går opp til de store høyder og spør om opposisjonen vil overlate landbruket til markedet. Da er

Hva er galt med markedet? Hva er det som har skapt den store velstanden som vi i dag opplever i Norge? Hvilken rikdom har markedet gitt til eiere, men ikke minst til ansatte i andre deler av norsk næringsliv, som ikke opplever den sentralstyring og det byråkrati som jordbruket er underlagt. De av næringskomiteens medlemmer som er til stede her, har nå etter tre år i komiteen lært og sett der ute hvilken suksesshistorie norsk industri på mange måter har blitt, og hvor verdensledende den er. er. Det burde jo Kolberg også ha fått med seg, han som har en bakgrunn fra industrien før han ble partibyråkrat. Nettopp derfor må landbruket lære av andre næringer og virksomheter. Landbruket må underlegges de samme spilleregler som de vårt øvrige næringsliv for å kunne skape de samme suksesshistorier som vi ser i andre deler av næringslivet. Derfor blir det rene galimatias at Stortinget skal vedta at den enkelte bonde skal ha 13 000 kr mer i lønn neste år. Vi som driver i landbruket, vet at 13 000 kr ikke varer lenge når traktoren skal på verksted. Derfor må vi slutte med denne typen tullete beregninger – årsverksberegninger, inntektsberegninger – og heller føre en næringspolitikk som fører til liberalisering, mer frihet for den enkelte, mindre byråkrati osv., det som har skapt suksesshistorien i andre deler av næringslivet i det norske samfunnet. Presidenten forstår at man er i en fase av debatten hvor man er veldig engasjert, men presidenten oppfordrer representantene til å holde seg innenfor de parlamentariske begrepene. For eksempel ville ikke presidenten sagt «partibyråkrat» og heller ikke omtalt andres taler som «tullete». Jeg har lyst til å gi en kommentar til forrige taler,

Men jeg skal over til det jeg skulle si. I høst hadde vi en såkalt smørkrise. Samtidig hadde vi den dårligste kornhøsten på årtier. Hvorfor det ble for lite smør til forbrukerne, skyldtes flere ting, at folk var på slanker’n – de kjøpte mer smør enn vanlig – men det skyldtes i hovedsak at regulatoren ikke tidsnok så at de var i ferd med å bli i manko på smør. Det skyldtes også at kua sjøl fikk så dårlig fôr i fjor at smørprosenten i mjølka var En kan si mye om smørkrisa, men det sier oss iallfall én ting: Dette er en levende produksjon. Å regulere mengde tar tid. Svingninger i kvaliteten på fôr får følger for biprodukter. Men til sjuende og sist er smørkrisa en påminning om at den norske mjølkeproduksjonen er ved et brekkpunkt. Det er færre og færre som produserer mjølk i Norge. Det er en kostbar produksjon både kapital og menneskelig innsats. Kua skal mjølkes 365 dager i året. Manko på smør er et varsel til oss om at lønnsomheten i produksjonen må opp. Det må svare seg mer enn i dag å levere mjølk. Svaret er ikke det som Høyre og Fremskrittspartiet vil, å legge til rette for import. Mister vi mjølkeproduksjonen i distriktene, forvitrer det levende landbruket og bosettinga, som vi ønsker å ha over hele landet. Den samme tendensen har vi sett på kjøttsida. Nortura melder om manko på kjøtt. Det er ikke lønnsomt nok å produsere kjøtt på marginale arealer. I tillegg er det en grense for hvor langt du kan kjøre med traktor på diesel for å hente fôr, før vinninga går opp i spinninga. Nedgangen i kjøttproduksjonen er også et resultat av en nedgang i mjølkeproduksjonen, fordi mordyra blir borte. Derfor er det bra at regjeringa skal utrede en strategi for kjøttproduksjonen. Landbruket er en langsiktig næring. Vi er nødt til å snu den negative produksjonstrenden, men det er ikke gjort i en handvending. Vi må øke produksjonen sånn at vi samtidig får tatt vare på den strukturen vi har i dag. Fabrikkproduksjon er ikke svaret for Norge. For matvaresituasjonen i verden, med en voksende befolkning, er heller ikke svaret å importere mat fra dem som trenger den sjøl. Vi har en rett og en plikt til å produsere mest mulig av vår egen mat. Vi har ikke levert etter forventningene i dette oppgjøret. Men flertallet har – i motsetning til Høyre og Fremskrittspartiet – iallfall en målsetting om å opprettholde et landbruk over hele landet og å øke produksjon og inntekt. Det gjør vi gjennom tre i-er: Vi må ha et sterkt importvern. Vi må ha inntekt. Det må kaste av seg å investere. Representanten

Nei, representanten Flåtten og president, vi driver ikke med skremsler, men vi tar fram noe som er veldig realistisk og viktig å få fram i denne debatten. Spørsmålet er: Hvorfor skal vi ha forhandlinger langs de linjer som vi har i dag? Jo, det handler om noe som har en dimensjon utover dette, og som denne salen etter min mening virkelig burde ta inn over seg. Det handler for det første om en anerkjennelse av landbrukets organisasjoner i det norske samfunn, som har bidratt til både landbruksproduksjon og stabilitet i samfunnet, og som betyr veldig mye for den videre utviklingen av norsk landbruk. landbruk. Det å starte et forhandlingsregime som henviser til statsbudsjettet, er en annen type forhandling. Hvorfor har det norske systemet, slik det har utviklet seg gjennom tiår, vært så vellykket? Jo, det er fordi man har forvaltet dette som en nasjonal ressurs. Landbruksproduksjonen skal selvfølgelig være lønnsom. selvfølgelig være lønnsom. Selvfølgelig skal den være produktiv. Selvfølgelig skal den være effektiv. Men hvis vi i det hele tatt skal ha noe i dette lille landet som kalles Norge, med så grisgrendte muligheter for landbruksproduksjon, må staten spille en viktig rolle. Det er dette mønsteret høyrepartiene vil bryte. Det er dette som er det alvorlige i denne diskusjonen. På litt sikt vil det brytes ned. ned. Markedet vil ikke bare bli et supplement, som de snakker om – de snakker om dette nærmest som om markedet skulle bli et supplement. Nei, markedet vil overta styringen. Man vil få en sentralisering av landbruket som kanskje imøtekommer representanten Flåttens ønske om produktivitet og effektivitet – men for de få, ikke for de mange. Jeg må si

de forsøker å påberope seg vårens demonstrasjoner til inntekt for høyresidens politikk. Det er en fundamental misforståelse, selvfølgelig. Landbruksorganisasjonene står bak den rød-grønne politikken når alt kommer til alt. Eg har ein kommentar til representanten Gunnar Gundersen, som heilt riktig sa at landbruket og bonden har ein kommentar til representanten Gunnar Gundersen, som heilt riktig sa at landbruket og bonden har vore veldig flinke og fått til ein god produktivitetsauke. Konklusjonen hans var at då må nokon ut av landbruket. I enkelte tilfelle kan det vere riktig, men det han gløymer, er at veldig mange plassar i landet er ikkje topografien slik at det går an å slå saman mange nok stort nok til å passe til Høgres politikk. Veldig mange plassar er det slik at produktivitet må takast ut i form av at vi får kombinasjonsbruk. Det som er den store feilen med Høgres politikk, er at dei ikkje har ein politikk for kombinasjonsbruk av dei små og mellomstore bruka i distrikta. Jeg vil slå et slag for fjellandbruket, som jeg er

bor. I store deler av fjellregionen er landbruket selve grunnlaget både for øvrig næringsliv og for bosetting generelt. I disse områdene er det små, levende bygdesamfunn og foreløpig et levende landbruk som holder kulturlandskapet i hevd. Befolkningen i de urbane strøkene av Sør-Norge bruker veldig mye tid i disse fjellområdene. Veldig mange har hytter der, de bruker områdene til rekreasjon, jakt, fiske og turer og setter umåtelig stor pris på at det er velpleide gardsbruk og kulturlandskap der. Men landbruket i disse områdene er under press. Gårdsbrukene her er forholdsvis små. Geografien er slik at i fjellbygdene er det begrenset hvor store enhetene kan bli. Fjellbøndene er nøysomme. De tar i bruk de ressurser som finnes, i både innmark og utmark, og de produserer ren mat. Her er det kjøtt og melkeproduksjon, og flere steder mandelpotetproduksjon. Utmarka er viktig som ressurs i fjellandbruket. Det finnes vel ikke renere kjøtt enn lammene som har vært på utmarksbeite hele sommeren. Fjellbøndene produserer et fantastisk flott kulturlandskap for storsamfunnet. Hva hadde Norge som turistnasjon vært uten fjellandbruket og uten landbruket i resten av

Det vil ikke bare ramme, men være katastrofalt for fjellandbruket. Fjellandbruket er viktig for mange. Det er viktig for alle som bor i disse områdene, men det er også viktig for storsamfunnet, for reiselivsnæringen og for alle dem som aktivt bruker disse områdene, at vi opprettholder et aktivt landbruk. Ikke minst er det viktig for matvaresikkerheten og matproduksjonen her i landet at vi bruker alle tilgjengelige ressurser til matproduksjon. Derfor er det viktig å produsere mat i fjellområdene og å ha en landbruks- og inntektspolitikk som også hegner om mindre enheter, slik regjeringen gjennom landbruksmeldingen legger opp til. Regjeringspartiene har slått fast at det skal opprettholdes en variert bruksstruktur over hele landet, og det skal være plass til både mindre og større bruk. Det er viktig for at fjellandbruket skal overleve.

Så jeg vil gjerne be om at statsråden svarer på det spørsmålet: Er det slik at utgiftene spiser opp inntekten? Representanten

og dokumentasjon på at de tallene vi tar fra forskere og professorer, ikke er riktige, må vi også kunne vise til dem. Da går utfordringen igjen til Arbeiderpartiet: De får bare komme tilbake med motbevis. Så var det interessant å høre på representantene Lillian Hansen og Ingrid Heggø, som hadde vært til stede på demonstrasjon, og de hadde ikke sett noen bannere der det sto at de ville ha Høyre og Jeg vet ikke hvor godt de har sett, men bannere jeg så var: Nok er nok, Jens, Fy, Jens og Svikere. Det er noe som er hentet fra den demonstrasjonen. Da bør man kanskje trekke linjene hvor man ligger. Så til Kolberg. Han sier at hvis Fremskrittspartiets politikk hadde vært ført i ti år, hadde det vært et helt annet landbruk. Ja, det har Kolberg helt rett i. hadde det vært et helt annet landbruk. Ja, det har Kolberg helt rett i. Det hadde vært et innovativt landbruk der det faktisk hadde vært mye mer folk og flere gårder. I dag legges bruk ned – 2 600 bønder slutter hvert år. Det er med Kolbergs landbruk. Det viser bare at Kolbergs system ikke fungerer. Det har spilt fallitt, og det bør man kanskje ta inn over seg. Så til Lundteigen. Jeg synes Lundteigen har enorm substans i det han kommer med. Han er faktisk så ryddig og tør å si at man driver og stigmatiserer dem som er uenige. Det man driver og stigmatiserer dem som er uenige. Det er helt rett. Hva har man gjort under statsråd Brekk? Man har aldri hatt mindre investeringer, man legger ned så det dundrer etter, og det er ribbekrise, pinnekjøttkriser, eggkrise, smørkrise, og nå har vi melkekrise. Hvis man ikke tar det inn over seg, burde man kanskje finne noe annet å gjøre. Med all respekt for diskusjonen her i dag – hovudgrunnen til at eg tok ordet i denne debatten er all respekt for diskusjonen her i dag – hovudgrunnen til at eg tok ordet i denne debatten er at eg har bakgrunn frå mjølkeproduksjon i ein 25-årsperiode i eit lite distriktsfylke som Sogn og Fjordane, som produserer ca. sju gonger så mykje mat som innbyggjarane i fylket treng. Korleis kan det la seg gjera å ha eit oppegåande bruk i eit lita bygd inst inne i Sognefjorden, som ikkje har openberre fortrinn når det gjeld å kunna leva av mjølkeproduksjonen? Jo, me har unike marknadsordningar som gjev moglegheit for alle til

Eg vil også peika på ein annan berebjelke som held oppe landbruket i fjordbygdene, i fjellbygdene og på flatbygdene våre. Det er dei unike landbruksforhandlingane me har her i landet. Mi erfaring, etter å ha vore gardbrukar i 25–30 år, er at desse landbruksforhandlingane har gjeve næringa ei unik moglegheit til å ha ei stødig hand på rattet i utviklinga av næringa. kan utvikla ein politikk for heile landet. Dette verktyet blir antakeleg det fyrste Framstegspartiet og Høgre kjem til å fjerna i landbrukspolitikken. Dette er ikkje noko skremmebilete frå mi side, det er deira politikk, og ved sida av ei dramatisk svekking av importvernet er dette dei store skiljelinene i landbrukspolitikken i dag. Med all respekt for spørsmålet om kor stort landbruksoppgjeret blir i kroner og øre, er det aller viktigaste spørsmålet knytt til dei tre elementa som eg no har nemnt, nemleg ein likeverdig marknadstilgang for heile landet, for alle delar av landbruket vårt, like mykje det distriktsretta som det bynære landbruket. Det andre eg peikte på, var betydinga av at næringa sjølv kan påverka eiga utvikling. den norske modellen. Det siste er at ein understrekar at det norske landbruket, anten det er distrikt eller bylokalisert, er heilt avhengig av eit godt grensevern. Jeg synes dette er

i de politiske forskjellene som tross alt ligger der. Det er Høyre og Fremskrittspartiet som har én retning – de øvrige partiene i Stortinget har en annen retning og en annen kurs. Når Fremskrittspartiet prøver å si at en liberal politikk er et godt utgangspunkt for norsk landbruk, ja, da er det med respekt å melde en Det å se landbruk, marked og industri – da ser en ikke Norge. Da ser en ikke de marginale mulighetene som ligger i norsk landbruksproduksjon, når en bruker den type retorikk for å fristille bonden i et marked. Det en da ender opp med – i beste fall – er tre, kanskje fire, store industriproduksjonssteder i Norge som kan produsere mat. De kan sikkert produsere en god del mat hvis en ikke har noen form for betenkeligheter med å la fôret i utgangspunktet være importert. Da ville en ha fôret på den ene siden, dyrene i midten og slaktet på den andre siden. Da har du en industri. Da er kvaliteten på det vi snakker om i norsk landbruk, borte. Det er den veien, den retorikken, det grunnlaget og de verdiene Fremskrittspartiet faktisk legger inn i denne debatten. At Høyre har en ganske sterk grad av tilnærming til den politikken Fremskrittspartiet står for, er ikke vanskelig å erkjenne når en leser innstillingen. Høyre er veldig varsom i sin retorikk. Men hvis du faktisk leser hva de skriver,

fram i forhold til hva også Høyre står for. Det er et tydelig politisk skille i denne debatten og i norsk landbrukspolitikk, og det kan vi være takknemlig for å få fram i denne debatten. Det er overhodet ikke merkelig.

Vi må kunne klare å ha mer enn én eller to tanker i hodet samtidig. Alt må ikke være så smått som det Senterpartiet syns å ønske. Representanten Bremer fra Arbeiderpartiet snakket om små bruk i den innerste lille bygd. Ja, jeg er helt enig: Vi må også ta vare på dem. Jeg var veldig klar på at satsing på lokal produksjon av mat og drikke vil være avgjørende for fremtidens landbruk, reiselivsnæringen og ikke minst for levende og aktive bygdesamfunn i hele landet. Hadde han lyttet, hadde han hørt hva jeg sa tidligere i dag.

eller en samdrift, som ønsker å drive stort, som ønsker å leve av å drive landbruk. I tillegg har vi mange små bruk i Møre og Romsdal fordi vi har så mange fjorder og fjell, og fordi vi ønsker et mangfold. Men de som har muligheten til å satse, de som vil det, bør få lov til det, vær så snill.

og man blir ganske ensom som yrkesutøver. Men det behøver vi ikke ta noen diskusjon om. Poenget er at verken SV eller Senterpartiet har noen løsning på den problemstillingen. Man er altså enig i at produktiviteten øker kraftig, og man er enig i at arealene sånn sett er et problem. Hva gjør folk da – når man enten ikke finner areal nok, eller byråkratiet sier nei til alle de løsningene man har tenkt seg, sånn at man ikke får lov til å øke produksjonen sin? Jo, da flytter man. Og det er det man gjør!

det. Da blir sysselsetting og bosetting rundt i Norge mye mer avhengig av muligheten for alternativ sysselsetting. Det ser vi også på statistikken. De områdene som er sterkest rammet av nedlagte bruk, er de områdene som ligger lengst unna der man har alternativ sysselsetting. Da får vi begynne å diskutere realitetene, men det ser det ikke ut som det er så veldig mange på rød-grønn side som har lyst til. Så en bitte liten kommentar til Kolberg, men jeg regner i og for seg med at kanskje næringspolitisk talsmann, Flåtten, tar det etterpå. Det er ingen i Høyre som har sagt at staten ikke skal spille en rolle, i hvert fall står ikke jeg for en sånn politikk, ikke så lenge resten av verden driver en politikk der staten stort sett har en rolle – i alle lands landbrukspolitikk. Det ville jo være totalt uansvarlig, og det er ikke Høyre. Men vi vil ha en politikk som gir muligheter for enkeltbonden uten at man får dette byråkratiet. Med Lundteigens tidligere beskrivelser av byråkratiet og hvordan Landbruksdepartementet nå oppfattes ute i næringen, tror jeg sannelig min hatt på den merknaden som jeg egentlig trodde var et arbeidsuhell, om muligheten for å kutte i byråkratikostnadene, for det er høyst realistisk med den beskrivelsen som Lundteigen ga.

og jeg vil understreke: Slik er det også i dag. En kan komme med besvergelser om at det overalt står at Høyre skal ha landbruk over hele landet. Høyre i regjering er det dårligste alternativet for norske bønder. Representanten Gundersen sa at landbrukspolitikken gikk ut på å beholde det som vi har i dag. Riksrevisjonen har påvist at det er feil. Målet med jordbrukspolitikken har vært billigst mulig mat, med dramatiske negative konsekvenser for matvaresikkerheten. Vi har en blandingsøkonomi. Alle går for en blandingsøkonomi. Det som det er diskusjon om, er statens rolle. Staten skal sikre matvaresikkerhet – det er utfordringa. Representanten utfordringa. Representanten Reiten gjentar spørsmålet i forbindelse med økonomien til

med basis i totalkalkylen, er kostnadene dekket først. Så når vi har et resultat på 120 000 kr per årsverk i løpet av seks år, er det inklusiv skattefordel, inklusiv skattefordel, og da skal kostnadene være dekket. Men det er riktig som Reiten også understreker, og som flere sier, at det ikke er lett å kjenne seg igjen i den type gjennomsnittstall, og her har vi også effektivitetsutviklingen som påvirker tallmaterialet. Det som er viktig å ha med seg når det gjelder at det er ulike resultater, er at vi snakker om selvstendig næringsdrivende. Det er ulike kunnskaper, ulike ressurser, det er ulike arbeidsformer, ulik timebruk, og man er på ulike investeringstidspunkt. Alt dette påvirker bunnlinjen til den selvstendig næringsdrivende. Jordbruksfradraget beregnes i

avtaler for selvstendig næringsdrivende. Ambisjonen er uansett at vi skal legge rammer som gjør det mulig å drive godt og leve godt med basis i et årsverks innsats. Mange spør om hvorfor vi har produksjonstak, hvorfor vi har kvoteordninger når det gjelder melk. Representanten Røbekk Nørve var en av dem som tok opp det. Jo, det er fordi vi har behov for å fordele for å sikre landbruk i hele landet. Jeg har sagt at vi skal se på mulighetene for å øke produksjonen, men hvis vi skal gjøre endringer, må vi gjøre det sammen med næringen. Representanten Irene Lange

og vi tar på største alvor at det ikke ble forhandlinger i år. Det gjør også landbruksminister Lars Peder Brekk, og det har han også gitt klart uttrykk for i salen i dag. Senterpartiet vil med landbruksministeren i spissen fortsette å kjempe for landbrukets framtid. Det skal det ikke være den minste tvil om. Representanten Martin Kolberg har også hatt ordet to ganger tidligere og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Representanten

regulert. Når representanten Kielland Asmyhr tar en sammenligning mellom landbruk og industri, er det bare det å si: Norsk industri er bygd opp på det samme prinsippet som norsk landbruk. Han snakker mot seg selv uten kanskje å være helt klar over det. Så vil jeg bare si helt til slutt at representanten Røbekk Nørve fra Møre og Romsdal Romsdal hadde mange gode eksempler på drift i sitt fylke. Ja, innenfor dagens regime er det etablert, og det er eksempler på at det ikke er stivt og byråkratisk – det er tvert imot nødvendig

Kjøtprisane og mjølkeprisane i verda rundt oss ligg langt under den utbetalingsprisen som norske bønder har. Viss ein senkar grensevernet, er det openbert at det vil påverka prisnivået, utbetalingsprisen, til norske bønder. Inntektene til norske bønder vil altså i framtida bli dramatiske reduserte ved senking av grensevernet. Råvareprisane vil bli betydeleg lågare. Den andre måten Høgre og Framstegspartiet vil «fristilla» distriktslandbruket på, er i neste omgang å fjerna marknadsordningane. Det er slik at det norske landbruket har eit svært ulikt driftsgrunnlag. Flatbygdene og det Den gode balansen me finn gjennom marknadsordningane, vil altså bli riven bort ved fjerning av marknadsordningane. Den tredje måten Høgre og Framstegspartiet skal fristilla den norske bonden på, er ved å kutta i tillegg til overføringane. Summen av dei tre enkle

landbruksoverføringene.» Det er vel et ganske tydelig signal på det motsatte, så jeg håper at det var klargjørende. Representanten Svein

sier også representanten Kolberg at staten må spille en viktig rolle. Når har Høyre sagt at staten ikke skal spille en viktig rolle for budsjettstøtte og støtte til landbruket? Det har vi faktisk aldri sagt, og det må jeg be om at representanten Kolberg graver litt for å finne ut av. Vi skriver tvert imot i vår alternative landbruksmelding at de økonomiske tilskudd til landbruket, som fremdeles skal være, må bli mindre byråkratiske – mer til bonden og mindre til forvaltningskostnader. Det synes jeg faktisk er en ganske god politikk. Når jeg sitter og hører på denne debatten, er

Jo, jeg vet at det finnes land med et levende landbruk uten landbrukssubsidier, f.eks. New Zealand. Men de klimatiske forholdene er kanskje noe annerledes der. Der er det sommer hele året, i alle fall etter trøndersk målestokk. Driftsbygningene består av skur som rommer melkeroboten, men der er det umulig å leve av små deltidsbruk med bare 500 melkekuer. I dag er vi midt i juni. Melkebøndene i Holtålen våknet i dag til ekte julestemning. Etter bildene på nettet å dømme, var det 10 cm nysnø. Man trenger ikke å være rakettforsker for å skjønne hvem som vil tape i den konkurransen. Den dyrkede jorden i Norge vil bli liggende brakk. Det er kanskje ikke noe problem, kanskje vi i rike Norge kan importere det vi trenger av mat. Men er det rettferdig at vi som har råd til det, skal kjøpe maten fra land der de kanskje har for lite fra før? Det er ingen faglig uenighet om at matproduksjonen i verden må kraftig opp hvis vi skal klare å brødfø en raskt voksende befolkning. Bør ikke rike Norge være forpliktet til å ta seg råd til å produsere all den maten det er mulig å produsere ut fra våre klimatiske og Når Fremskrittspartiet snakker om å slippe bonden fri, klarer jeg ikke å la være å sammenlikne situasjonen med miljøaktivistene som angivelig i beste mening bryter seg inn på minkfarmer og slipper tamminken fri. Uten sammenlikning for øvrig: Både bondenæringen og minken vil lide en relativt rask, men veldig smertefull, død. Representanten Hans Frode

svar på bondemarsjen som var over hele landet for kort tid siden? Hva er de rød-grønnes signal til Bondetinget på Lillehammer? Jo, det er å skremme med andre partier. Det er ikke noe svar. Vi er nødt til å ha en landbrukspolitikk som er virkelighetsorientert, og det har ikke de rød-grønne partiene.

ærlighet. Jeg skal ikke bruke lang tid av taletiden her nå, jeg skal bare prøve å svare på representanten Kielland Asmyhrs spørsmål: Hva er de rød-grønne partienes svar? Jo, de rød-grønne partienes svar er å jobbe videre sammen med næringsorganisasjonene. sammen med næringsorganisasjonene. Sammen med næringsorganisasjonene skal vi skape ytterligere muligheter, og vi skal få på plass jordbruksavtaler i framtiden. Det tror jeg er den store forskjellen på de rød-grønne og opposisjonen, for det er ingen i næringen som ønsker de svarene Fremskrittspartiet og Høyre gir i merknadene til landbruks- og matmeldingen, eller i merknader til jordbruksoppgjøret her. Representanten Terje Aasland Aasland har hatt ordet to ganger tidligere i debatten og får ordet til en kort merknad, begrenset til 1 minutt. Jeg skal ikke forlenge debatten på noen som helst måte, jeg skal bare understreke at det ikke har vært min hensikt å bruke det Høyre og Fremskrittspartiet verken har skrevet eller sagt i denne debatten, eller gjort med hensyn til landbruksmeldingen og konklusjonen i den forbindelse, som et skremselsbilde på noe som helst. Men det må

Høyre fører en politikk som gjør at det skal være mulig å drive lønnsomt landbruk over hele landet, og det skal også differensieres med tanke på hvordan støtteordningene skal være. Så det skremselsbildet synes jeg at dere skal ta ned. Så må jeg få lov til å avslutte med å si at jeg er enig med representanten Aasland. Det skal være klare skillelinjer, og man skal forsøke å få dem fram i gode debatter. Her er problemet at de rød-grønne har påberopt seg hele bondestanden som verdens største fanklubb. Realitetene er nok ikke sånn – da hadde det vel ikke blitt brudd i

Stortinget godkjente den 1. juni 1993 Hovedavtale for reindriften, St.prp. nr. 66 for 1992–1993, og ga Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å forhandle med Norske Reindriftssamers Landsforbund – NRL – om ettårige avtaler for reindriftsnæringen. Forhandlinger om reindriftsavtalen 2012/2013 ble innledet den 9. januar 2012. Partene kom i avsluttende forhandlingsmøte den 23. februar 2012 til enighet om ny avtale. Avtalen gjelder for perioden 1. juli 2012–30. juni 2013. Rammen for reindriftsavtalen 2012/2013 er på 104,5 mill. kr. Dette er en økning på 2,5 mill. kr sammenlignet med inneværende oppgjør etter vedtatt budsjett for 2012. Det er i saken dissens mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet og Høyre, med delvis støtte fra Kristelig Folkeparti til regjeringspartiene og opposisjonen. Det er sånn det ligger Da anser jeg meg ferdig med saksordførerdelen, og går over til Fremskrittspartiets meninger. Fremskrittspartiet er kjent med at det er framforhandlet en ny reinbeitekonvensjon med Sverige, men at den foreløpig ikke er operativ på grunn av manglende ratifikasjon. Vi ser det som uheldig at en ny konvensjon ikke har trådt i kraft, og ser det som viktig at regjeringen bidrar til å få fortgang i saken overfor svenske myndigheter. Det vises i den forbindelse til at mangel på avtale hindrer norske reinbeitedistrikter i å bruke vinterbeiter i Sverige. Vi vil påpeke at det i dag er store utfordringer med reindriftsnæringen i grensetraktene til Sverige. Kommuner bruker store ressurser på konflikter med svenske utøvere som bygger «gjeterhytter» på norsk side og som ikke forholder seg til norsk plan- og bygningslov og norske lover og regler. Når vi ser på uklarheter når det gjelder fortolkning av kontra plan- og bygningslov i tilknytning til reindriften, er dette problemer som i den senere tid har eskalert. Det kan også vises til konflikten på Lenvikhalvøya der flere hundre rein fra Sverige har oppholdt seg ulovlig. Området de har oppholdt seg innenfor, er et område som ikke er godkjent som reinbeiteområde, noe som også kunne ha skapt problemer for kommunens vannforsyning for de rundt 10 000 innbyggere som er lokalisert i det berørte og det synes ikke å ha en framtidig løsning som kan gi ro for alle parter. Konsekvensene av manglende ny avtale mellom landene forplanter seg i hele fylket ved at rein blir flyttet til områder som ikke er definert som beiteområder. Det er i dag kommunene som tredjepart som får problemene lagt i fanget. Jeg vil påpeke viktigheten av at regjeringen intensiverer arbeidet med en ny avtale, og snarest mulig kommer til en enighet med den svenske regjeringen. Vi beklager at regjeringspartiene ikke kan støtte vårt forslag om å prioritere å få ratifisert en avtale. Fremskrittspartiet finner også grunn til å stille spørsmål ved omfanget av tap av rein som skyldes rovvilt. Den nåværende erstatningsordningen baseres i liten grad på krav om dokumentasjon på tap. På landsbasis er det innvilget erstatning på 25 pst. av det som søkes erstattet som er drept av fredet rovvilt. Av antallet som blir erstattet, er det kun 6 pst. som dokumenteres. Det var for 2010 budsjettert med erstatning for tap av rein grunnet fredet rovvilt på 55,728 mill. kr, mens regnskapet viser 66,082 mill. kr. Det er grunn til å stille spørsmål ved internkontrollen i reindriftsforvaltningen, noe Riksrevisjonen har gjort ved flere anledninger. Når vi er inne på Riksrevisjonen, har også Riksrevisjonen i dag kommet med en rapport som er direkte knusende mot landbruksministeren. Jeg vil sitere fra konklusjonen «Målet om økologisk bærekraftig reindrift er ikke realisert. Store deler av Finnmarksvidda er overbeitet fordi reintallet ikke er tilpasset beitegrunnlaget. Den siste beitekartleggingen i 2009 viser at over 50 prosent av lavdekket er nedbeitet og om lag 40 prosent er redusert. For 90 prosent av lavdekket er lavtykkelsen under grensen for når den er mest produktiv. Beiteressursene er mest svekket på vår- og

presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til 5 minutter til hver gruppe og 5 minutter til statsråden. Videre vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte på inntil fem replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen innenfor den fordelte taletid. Videre blir det foreslått at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid,

Jeg er glad for at det ble enighet om reindriftsavtalen for 2012–2013. Rammen er på 104,5 mill. kr, og det er en økning på 2,5 mill. kr. Vi i regjeringspartiene er opptatt av å sikre en reindrift basert på økonomisk, økologisk og kulturell bærekraft. bærekraft. Vi er veldig opptatt av at all reindrift skal være godt forankret i disse stolpene. Det er ikke slik i dag, fullt ut. Men jeg vil understreke at det i reindriftsnæringen er massevis av kompetente yrkesutøvere i hele det området av landet som har reindrift. Til jul i fjor var Reindriftsstyret ferdig med arbeidet sitt med å godkjenne bruksregler og øvre reintall i alle sidaer og områder. Myndighetene har nå et bedre grunnlag for å ha en detaljert oversikt over situasjonen. Jeg vil gi honnør til Reindriftsstyret for godt utført arbeid. Enkelte har nå mulighet til å øke sine reintall hvis de finner det aktuelt, mens det er må redusere beitetrykket i sine områder, og det er viktig å få fortgang i dette. Vi er derfor tilfreds med at det i reindriftsavtalen legges hovedvekt på å stimulere til markedsrettet produksjon og verdiskaping, rettet mot utøvere med reindrift som hovednæring, og tiltak som bidrar til rask oppfølging av landbruks- og Fortsatt er det ikke en løsning på plass når det gjelder den grenseoverskridende beitingen av svensk rein på norsk grunn. Dette er særlig problematisk i Troms, og det er meget viktig at statsråden kommer reindriftsutøverne i Troms til unnsetning og gir arbeidet med å få på plass avtalen mellom våre to land høy prioritet. Jeg merker meg også at Riksrevisjonen i en rapport som ble lagt fram i dag, peker på at bruksreglene ikke har bidratt til å avklare beitebruk og øvre reintall i vinterbeitedistriktene, og at departementet derfor bes om å ferdigstille det arbeidet, slik at alle årstidsbeitene legges til grunn ved fastsettelsen av øvre reintall og beitebruk. Jeg er tilfreds med at statsråden slutter seg til det, og ser det som avgjørende å få gjennomført pågående prosesser for å få redusert reintallet i deler av Finnmark raskt. Avslutningsvis vil jeg minne om at i deler av næringen er også rovdyrtapene en stor utfordring. Jeg mener at rovdyrforliket i Stortinget fra i fjor bør gi forhåpning om at den og at uttak av skadedyr samt erstatningsutbetalinger fra staten effektiviseres. Det er allerede sagt mye, så jeg skal prøve å begrense tidsbruken noe. Reindriftsavtalen er inngått, man er kommet til enighet, og vi ser ingen grunn til å gå så veldig dypt inn i det. Det er veldig bra at det er enighet mellom næringen og regjeringen i denne saken. Det jeg vil bruke litt tid på, er at uavhengig av reindriftsavtalen er dette en næring som har store utfordringer foran seg. Det har vi diskutert en rekke ganger i denne salen. Det er slik at lovens krav er en bærekraftig reindrift gjennom delmålene økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft i reindriften. I Høyre har vi tidligere presisert at her må begrepet «økologisk bærekraft» være styrende og overordnet de andre målsettingene. Vi har også tidligere påpekt at man i den nylig

Så vil jeg legge til at målet om både økologisk og økonomisk bærekraft utfordres av meldingens beskrevne problemer med høyt reintall, for dårlig beitegrunnlag, store dyrehelseproblemer og svak markedsforståelse. I Høyre mener vi at når målet om kulturell bærekraft ikke er godt nok definert i loven – og dette er et problem vi har påpekt gang på gang – vil det bare forsterke problemene, og det vil ikke være forenlig med de to første målene.

Riksrevisjonen ber om at målet om kulturell og økonomisk bærekraft operasjonaliseres, slik at det skal være mulig å resultatmåle disse. Det skal altså være mulig å styre etter dem, ber Riksrevisjonen om. Det er faktisk slik at Høyre og Riksrevisjonen ser problemet fra to sider, men beskriver akkurat samme medisin. For sikkerhets skyld fremmer jeg de fellesforslagene som Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti har i innstillingen. Så må jeg gjøre oppmerksom på at

det lagt vekt på å styrkje næringsperspektivet i reindriftsnæringa. Det blei også lagt opp til å tilpasse reintalet og auke produksjonen. Reindriftslova og reindriftsavtalen er to sentrale verkemiddel for å nå dei politiske måla for reindriftsnæringa. SV er glad for at det i år blei framforhandla ein avtale som legg grunnlaget for ei positiv utvikling i næringa. Avtalen har som hovudmål å leggje til rette for auka marknadsretta produksjon og verdiskaping. Det blir bl.a. lagt til rette for auka slakting og produksjon. I reindriftsavtalen blir det etablert eit nytt program for reindrifta etter modell av Lokalmatprogrammet innafor landbruksavtalen. Det nye programmet skal vere tilpassa utfordringane til reindrifta. Samtidig skal programmet omfatte reiselivsbasert næringsutvikling i reindrifta. Det skal også fremje samarbeid mellom reindrifta og foredlingsbedriftene, noko som vi trur kan bidra til betre prisutvikling over tid. Dette er viktige tiltak for å utvikle næringa i ei økonomisk berekraftig retning. Reindrifta står overfor ein del utfordringar, Det gjeld bl.a. beitetrykk. Derfor er det viktig og positivt at det no er fastsett bruksreglar og øvre reintal i alle distrikt. Derimot er det uheldig at ny beitekonvensjon med Sverige ikkje har tredd i kraft. I den framforhandla reindriftsavtalen er det sett av ein halv million kroner for å bidra til å kompensere for dei som ikkje får brukt beitet i nabolandet, og det er vi glade for. SV er oppsummert glad for for. SV er oppsummert glad for at det blei mogleg å kome fram til ein avtale som går i riktig retning i forhold til å utvikle

den enkelte reindriftsutøver. Den framforhandlede avtalen gir grunnlag for en fortsatt positiv utvikling av reindriftsnæringen, noe vi i Senterpartiet er fornøyd med. Avtalen underbygger også den dreining man har hatt i reindriftsavtalens virkemidler de senere årene, med et mer næringsrettet fokus og en tilrettelegging for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet. Dette anser vi i Senterpartiet som svært viktig. Vi er også tilfreds med det arbeidet reindriftsstyret har gjort med å fastsette bruksregler og øvre reintall i alle distrikter, og at dette var på plass innen utgangen av 2011. Det er nå viktig at disse målene blir fulgt opp. Avtalen innebærer etablering av et program for reindriften tilsvarende Lokalmatprogrammet. Det nye programmet skal være

til rette for at de norske reinbeitedistriktene skal ha mulighet for videre drift i tiden framover, fram til en ny reinbeitekonvensjon er ratifisert – og etter at en ratifisering er på plass. Her er det en rekke utfordringer som det er viktig å ta tak i for å sikre den norske reindriften. Reindriftspolitikk er

Kristelig Folkeparti mener at tiltakene i reindriftspolitikken må innrettes slik at næringen blir bærekraftig i både økologisk, økonomisk og kulturell forstand. Det er behov for en grundig gjennomgang av næringen, både når det gjelder utviklingstrekk og tiltak for å bedre situasjonen. Det blir ytterligere understreket av rapporten fra Riksrevisjonen som ble offentliggjort i dag. Ett viktig grep for å vil være å få sluttforhandlet og ratifisert en ny norsk-svensk beitekonvensjon. Her etterlyser vi mer driv og framdrift fra regjeringen. Reindriftspolitikk var en del av landbruksmeldingen. Det er etter vår mening ikke nok. Det har nå gått 20 år siden Stortinget behandlet en egen stortingsmelding om reindrift. Kristelig Folkeparti mener at det må utarbeides en ny reindriftsmelding på bakgrunn av de store endringene som har skjedd i reindriften i denne perioden. Dette gjelder på det økologiske plan med arealinngrep, tap av beiteland, rovdyrtap og klimaendringer, på det rettslige plan med økt fokus på sedvanerett og ny reindriftslov og på det økonomiske plan med omlegging av tilskudds- og erstatningsordninger. I tillegg har reindriftsnæringen, særlig i Finnmark, utfordringer knyttet til produksjonvariasjoner, lave slaktevekter, svært høye rapporterte rovdyrtap og lav produktivitet. Kristelig Folkeparti etterlyser derfor en helhetlig gjennomgang av næringen i en egen stortingsmelding. Våren 2007 ble det vedtatt en ny reindriftslov som etablerte nye virkemidler som kan settes inn når et for høyt reintall skal reduseres. De virkemidlene trenger vi nå. Situasjonen for lavbeitene på Finnmarksvidda er langt fra god nok. Kristelig Folkeparti er bekymret over at arbeidet med å redusere reintallet i de mest utsatte områdene i Finnmark tar lang tid, og vi er opptatt av at dette viktige arbeidet blir fulgt opp, slik at en sikrer en mest mulig bærekraftig reindrift. Hvis næringen skal gjøres økologisk og økonomisk bærekraftig, er det flere utfordringer som må løses. Disse utfordringene varierer mellom reinbeiteområdene, men utnyttelse av beitearealer er en stor Det gjelder enten det er tale om for stort beitetrykk, som i Finnmark, eller å sikre tilstrekkelige arealer til å utøve virksomheten. Kristelig Folkeparti mener at hvis næringen skal bli økonomisk og økologisk bærekraftig, må man få bukt med de store tapstallene. Ikke minst er det behov for å få oversikt over de reelle tapene. Da er det avgjørende med en bedre internkontroll. Derfor fremmer Kristelig Folkeparti, sammen med Høyre og Fremskrittspartiet, bl.a. et forslag om at regjeringen foretar en gjennomgang av erstatningsordningen for tap av rein og vurderer skjerping av krav til dokumentasjon av innrapporterte tap. En slik gjennomgang må etter vår mening foretas av en uavhengig instans. Den 23. februar kom staten og Norske Reindriftssamers Landsforbund fram til en reindriftsavtale for 2012/2013. Etter fjorårets brudd er

Avtalen prioriterer tiltak for verdiskaping og økt markedsrettet produksjon. Avtalen bygger videre på å gjøre virkemidlene i reindriftsavtalen mer næringsrettet, og legger mer til rette for de reindriftsutøverne som har reindrift som hovedvirksomhet. For å nå de reindriftspolitiske mål er det nødvendig at reindriftsloven og reindriftsavtalen utfyller hverandre og trekker i samme retning. Reindriftsavtalen 2012/2013 gjør nettopp det, ved at det nå blir mulig for å følge opp godkjente bruksregler. I dette ligger det at sidaandeler som ikke reduserer dyretallet i henhold til reduksjonsplanene, eller følger opp i forhold til en forholdsmessig reduksjon gjennom slaktesesongen 2012/2013, vil få en betydelig avkorting i sine tilskudd. Situasjonen i årets reindriftsavtaleforhandlinger føyer seg for øvrig inn i et bilde hvor mange krevende utfordringer har eksponert seg i næringen. Ikke minst gjelder dette ressurssituasjonen i deler av Finnmark. Jeg har det overordnede ansvaret for å nå målet om en bærekraftig reindrift. Imidlertid er det slik at det er reindriften selv som har førstehåndsansvaret for å utarbeide bruksregler som sikrer økologisk bærekraftig beitebruk og reintall. Jeg har i flere tilfeller funnet det nødvendig å gripe inn i disse prosessene. Jeg viser her til arbeidet med å fastsette

og man ser en positiv utvikling. Imidlertid vil reduksjonsplanene og et økt uttak av slakterein kreve at reinkjøttbransjen arbeider aktivt og godt mot markedet. Stortinget har i løpet av det siste året hatt økt oppmerksomhet omkring reindriftspolitikken. Jeg har besvart en rekke skriftlige spørsmål, og en rekke problemstillinger er blitt drøftet. Denne økte interessen for reindriftspolitikken finner jeg positiv. Men med bakgrunn i svarene og de debatter som har funnet sted, finner jeg enkelte av mindretallets merknader i innstillingen noe overraskende. Jeg mener at flere av de forslag som fremmes, vil gjøre det vanskelig å nå de reindriftspolitiske målene, og jeg vil derfor benytte anledningen til å kommentere enkelte av disse. Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti er negative til importvern som grunnlag for prisdannelse. Siden vinteren 2003 er det ikke omsatt importkvoter for reinkjøtt med redusert tollsats. Jeg vil understreke at dette tiltaket i vesentlig grad har bidratt til økt uttak av norskprodusert rein.

Imidlertid er det slik at reindriften har sine bruksrettigheter som det må tas hensyn til, på samme måte som man gjør det overfor andre brukere og rettighetshavere. I tillegg vil jeg minne om at norske myndigheter er forpliktet både internasjonalt og nasjonalt til å ivareta reindriftens arealgrunnlag. Det blir replikkordskifte. Jeg vil sitere litt fra forskjellige deler av pressemeldingen til

at du skal sette i gang med økonomiske incentiver og sanksjoner for å få dette på plass. Når har du tenkt å starte? Skal du la det gå tre–fire år til? Presidenten vil minne om at all tale skal gå via presidenten. Konklusjonen fra Riksrevisjonen om at målet om økologisk bærekraft ikke er nådd, er riktig. I noen områder er slaktevektene urovekkende, og noen steder er situasjonen bekymringsfull med tanke på beitene, spesielt i deler av Finnmark. Derfor er det arbeidet – som vi har diskutert i denne sal mange ganger – som gjøres for å få ned reintallet, så viktig å få sluttført. Riksrevisjonen har tatt for seg både økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft. Målet om økologisk bærekraft er selve fundamentet for økonomisk og kulturell bærekraft. Dette må på plass først. Stortinget har også gitt klare føringer om at økologisk bærekraft skal brukes. Denne undersøkelsen ble avsluttet rett før implementeringen av ny reindriftslov ble fullført rundt årsskiftet. Den siste fasen som vi nå jobber med, handler om akkurat de reduksjonsforpliktelsene og de reduksjonsplanene som skal gjennomføres, med frister for når reduksjon skal skje. Så vi er i gang med denne reduksjonen – det har tatt lang tid, men vi er

som kanskje ikke er så bundet av den kulturelle delen som næringen har vært preget av – som er moderne næringsutøvere som drifter på en veldig god måte. Jeg vil litt tilbake til Riksrevisjonens rapport, for der påpekes det en ting i forhold til bruksregler. Statsråden sier at man har innført bruksregler på bruksregler på alle sommerbeitene, sommerområdene. Riksrevisjonen etterlyser bruksregler for vinterbeitene. Jeg lurer på om statsråden kan si litt om hvordan han ser på den

de merknadene fra Riksrevisjonen i dag, og det er vanskelig for meg å kommentere dem direkte foreløpig. Kristelig Folkeparti er med på forslaget om å be regjeringen foreta en gjennomgang av erstatningsordningen for tap av rein. Det er en svært liten del av den reinen som blir meldt tapt, der en kan dokumentere at det virkelig er rovdyrtap, helt ned mot 5 pst. I forbindelse med en tidligere sak tok representanten Trældal bl.a. opp at hvis du ser på det samlede antall dyr som blir innrapportert, er det tallet enormt høyt i forhold til antallet rovdyr som kan antas å være i de områder der reinen forsvinner. Erkjenner statsråden at dette kan være et problem som en bør ta tak i, og bør en sette litt hardere virkemidler inn for å få orden på hvordan dette foregår? Jeg vil slutte meg til at det er viktig å få orden på det systemet, og at vi skal ha erstatningsregler som gir erstatning for reelle tap. Men det som var utgangspunktet for kommentaren min i innlegget, er at vi skal passe oss for å beskylde noen for å jukse. Jeg opplever at næringen her sliter veldig med rovdyrtap, de sliter veldig med den situasjonen som er, og det må vi gi dem respons på, slik at de også har mulighet til å jobbe videre med det. Så med det utgangspunktet skal vi jobbe videre sammen med Miljøverndepartementet, sammen med Direktoratet for naturforvaltning, som også har en god del av tallmaterialet i bunnen som

meg ile til og understreke at dette er en problemstilling som i hovedsak gjelder noen reinbeitedistrikter, det er altså ikke noe som gjelder næringen som sådan. Tvert imot finnes det de sidaene som har grunnlag for å kunne øke antallet dyr, hvis det var rom og interesse for det. Det er allikevel slik at vi har som et mål at reindriftsnæringen skal ha både økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft. Men det kan være grunnlag for å snakke også om en moralsk bærekraft her, og en legitimitet. Reindriftsnæringen er en næring som nettopp på grunn av sin kulturelle betydning får betydelige tilskudd fra fellesskapet. Det er i ferd med å utvikle seg – på grunn av det totale inntrykket man får – et omdømmeproblem for næringen. Det er truende for både den kulturelle og den økonomiske bærekraften. Jeg er glad for at statsråden har tatt grep og jobber systematisk med en vanskelig problemstilling, men jeg har lyst til å signalisere at det er grenser for hvor lenge tålmodigheten kan vare også fra fellesskapets side når det gjelder å få dette i orden. Finnmarksvidda, både i Øst- og Vest-Finnmark, som reindriftsnæringen får lov til å benytte på bakgrunn av historiske rettigheter, er også Den skal også forvaltes på en økologisk måte. Det er ikke slik at den kulturelle bærekraften får lov til å gå foran en økologisk forvaltning av er også klar over at det først og fremst er økonomiske virkemidler som skal brukes, og at tvangsvirkemidler er siste utvei, hvis man ikke kommer i mål, ved at sidaene tar det ansvaret de faktisk har for å bringe reinsdyrholdet ned på et nivå som er bærekraftig. Jeg er glad for at statsråden understreker den utfordringen næringen har når det gjelder å vise seg oppgaven moden. Jeg er trygg på at statsråden vil følge dette nøye. mener også at det er avgjørende at man får løst de utfordringene som finnes når det gjelder å avklare rettigheter knyttet til vinterbeite, fordi mye av problematikken ligger der. Det har statsråden vært inne på. Det er en unntaksmulighet i reindriftsloven for å kunne få forlenget dette med en dispensasjon på tre år for vanskeligstilte sidaer. Jeg håper statsråden har tenkt å legge seg på

særlig nødvendig med den typen vern. Den andre saken jeg vil kommentere, gjelder det som statsråden sa i forbindelse med at vi ber om en gjennomgang av erstatningsordningen for tap av rein, hvor han sa at det kunne være litt farlig, fordi vi stigmatiserer næringen. Tvert imot – det er viktig at vi tar en gjennomgang, slik at den ordningen framstår så robust som overhodet mulig av omdømme. Når man i pressen kan bruke billig retorikk og billige bilder når det gjelder dette, er det et problem for næringen. Når man med enkle setninger kan si at man har fått store summer i erstatning, uten at dette er dokumentert, er det et problem for omdømmet til næringen. Derfor ber vi om denne gjennomgangen. Det skal være en robust ordning som skal virke slik som den skal, men den skal også være transparent, slik at vi vet hvorfor næringen har fått disse pengene. Jeg skjønner representantenes utålmodighet, fordi det er viktig at vi får rammene rundt norsk reindrift bedre på stell enn de

jeg skal ikke si noe annet enn at det får vi vurdere etter hvert. Reindriftsforvaltningen har i alle fall det klare ansvaret for å følge opp regelverket, og vi skal bruke både økonomiske og andre virkemidler i den sammenhengen. Når det gjelder det jeg oppfatter som en antydning om at det skal gjennomføres tvangsslakting av tamrein på Finnmarksvidda for å unngå store dyrelidelser, som det er formulert i en merknad, det direkte igangsettes tvangsslakting, hvis det er det som er ment fra dem som står bak merknaden, og dermed hoppe bukk over prosesser som er nedfelt i norsk lovgivning, reindriftsloven og gitte forvaltningsrettslige prinsipper og regler. Poenget med å nevne det er at det ligger rammer rundt norsk reindrift som vi er nødt til å følge opp skikkelig. Det ligger rammer som jeg har ansvaret for å følge opp, og som jeg, sammen med forvaltningen, jobber beinhardt

Etter ønske fra næringskomiteen vil presidenten foreslå at debatten blir begrenset til 1 time og 10 minutter, og at taletiden blir fordelt slik på gruppene: Arbeiderpartiet 25 minutter, Fremskrittspartiet 15 minutter, Høyre 10 minutter, Sosialistisk Venstreparti 5 minutter, Senterpartiet 5 minutter, Kristelig Folkeparti 5 minutter og Venstre 5 minutter. Videre vil presidenten foreslå at det blir gitt anledning til replikkordskifte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
Det er ingen tvil om at næringskomiteen er oppteken av verkemiddelapparatet, av innovasjon og av næringslivet vårt. Eg vil innleiingsvis gje ros til opposisjonen for at vi kan stå samla om at næringslivet i Noreg går godt og har gode kår, og at verkemiddelapparatet i det store og heile fungerer godt. Noreg er eit land der det er etablert 320 000 nye arbeidsplassar sidan 2005 – over 200 000 er komne i privat sektor.

legg rammene for vidare utvikling av selskapa og syner korleis selskapa er sentrale verktøy i realiseringa av regjeringa sin næringspolitikk og distrikts- og regionalpolitikk. Evalueringa av Innovasjon Norge og SIVA i 2009 og 2010 har vore ute på opne og breie høyringsrundar, og i all hovudsak får Innovasjon Norge og SIVA gode skotsmål i evalueringane og høyringsinnspela. I tillegg til evalueringa av Innovasjon Norge og SIVA har det vore eigne oppfølgingsutgreiingar om reiselivssatsinga, om uteverksemda til Innovasjon Norge og om den økonomiske berekrafta i innovasjonsselskapa der SIVA er inne. I meldinga vert det føreslege nye mål som understrekar behovet for gode gründerar, vekstbedrifter og innovative næringsmiljø. Innovasjon, internasjonalisering og profilering er viktige verktøy for å nå desse måla. Evalueringa viste at Innovasjon Norge hadde ein krevjande portefølje å orientera seg i. Meldinga trekkjer opp behovet og ambisjonar for forenklingar. Komiteen er samla i synet på behovet for forenkling, men usamde i om forenklinga skal skje ved at Innovasjon Norge, som er dei som har skoen på, kjem med framlegg medan Nærings- og handelsdepartementet har hovudansvaret, eller om denne forenklinga skal skje via styrking av Innovasjon Norge som innovasjonspolitisk rådgjevar vart i evalueringa trekt fram som eit område med stort forbetringspotensial. Dette ville regjeringa ta ad notam. Komiteen er også her samd med regjeringa, men skiljet går ved om Innovasjon Norge skal ha ei rolle utover eigne eigarar. Evalueringa av utekontora viste Norge sitt internasjonaliseringsarbeid burde styrkjast og endrast til først og fremst å tilby praktisk assistanse til små og mellomstore bedrifter. Men Innovasjon Norge skal byggja opp sektorkompetanse på nokre marknader og også samarbeida i større grad enn i dag med andre offentlege aktørar som har sektorkompetanse, for også å Norge ikkje sjølv er til stades, men berre har f.eks. ambassadepersonell. Landbruket, som vi har diskutert her før i dag, er ein viktig del av det samla næringslivet i store delar av Distrikts-Noreg. Evalueringa viste at BU-midlane i liten grad bidrog til den måloppnåinga Innovasjon Norge hadde. Samtidig tilfører Innovasjon Norge ein kompetanse som det er vanskeleg å erstatta. Ein samla komité er samd i at

Her er det også nyansar i det komiteen meiner, men det går eg ut frå at opposisjonspartia sjølve gjer greie for. Det vert også sett nye mål for SIVA. SIVA har dei seinare åra opplevd at selskapet i større grad enn før vert etterspurt som aktør i fleire større og meir krevjande prosjekt. Dei nye måla framhevar nettopp at selskapet har ei rolle overfor større industrielle prosjekt. Det er bra! Det vert også sett i gang evaluering av SIVA der ein ser på grunngjevinga og etterspurnaden etter SIVA sine tilbod på eigarsida, analyserer selskapet sin strategi og prioriteringar, porteføljesamansetjing og bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønsemd, og dessutan ser på problemstillinga knytt til større prosjekt som involverer internasjonale selskap. Ein samla komité ser det som viktig at næringshageprogrammet vert vidareført. Eit anna viktig område er Ein samla komité vil peika på at inkubasjonsprogramma har vore særs vellukka, og det er viktig å sikra midlar for å satsa på inkubasjonsprogram òg i framtida. Det er semje i komiteen om å sikra god utnytting av staten sine ressursar. Då er det viktig å ha klarare rolledeling og godt samarbeid mellom dei ulike aktørane – Innovasjon Norge, SIVA, Noregs

og bedriftsretta verkemiddel skal bidra til å utløysa bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønsame prosjekt som ein elles ikkje ville sett i verk. Det er derfor viktig for gründerane og næringslivet at det vert laga ei kartlegging av tilgjengelege offentlege bedriftsretta verkemiddel for næringsutvikling. Det å få ei samla oversikt over dagens verkemiddel, kartleggja kva midlar som er tilgjengelege for ulike bedrifter i dei ulike fasane, storleiken og sektorane der dei høyrer heime, er ei forenkling som heile komiteen Også det å utvikla dagens tilbod til pilot- og demonstrasjonsprosjekt og tilgang på kapital i tidleg fase er komiteen oppteken av. Det er ein samla komité som ser positivt på at regjeringa vil støtta oppretting og vidareutvikling av nasjonale nettverk for forretningsenglar, og at Innovasjon Norge får ansvar for støtte til etablering og oppbygging av slike nettverk. Dette stimulerer private til å gå inn med kapital i tidleg fase. Komiteen ser det som positivt at slike nettverk kan verta knytte opp mot nye såkornfond eller liknande miljø. Komiteen støttar dei grepa som vert tekne med å overføra eigarskapen til Investinor frå eit dotterselskap under Innovasjon Norge til NHD, og støttar den foreslåtte endringa i Investinor sitt mandat. Vi er også samde i framhevinga av at hovudområda, miljø, energi, marin, maritim og reiseliv, vert utvida til også å omfatta IKT, bio- og helseteknologi. Komiteen er samla i synet på den viktige rolla Designrådet har med å skapa auka merksemd kring betydinga av design som verkemiddel for utvikling og vekst, og å bruka god design som eit verkemiddel for å oppnå auka lønsemd og betra konkurranseevna til norsk næringsliv. Vi raud-grøne helsar også velkommen eit strategisk arbeid med ny plan for norsk Ein samla komité støttar intensjonane knytte til å få etablert ein profesjonell og robust funksjon i det offentlege verkemiddelapparatet – Invest in Norway – for heilskapleg handtering av

men akkurat dette reknar eg med at partia sjølv gjer greie for i sine innlegg. Det er også usemje i komiteen om at såkornfonda skal plasserast i alle landsdelar, slik vi raud-grøne ønskjer. Noreg er eit godt land å bu i, og det er ikkje tvil om at regjeringa sin politikk verkar. Bedriftene tener pengar. Det er fleire sysselsette enn nokon gong. Tal frå SSB viser at jobbveksten har firedobla seg berre det siste året. året. Noreg betrar posisjonen sin på fleire internasjonale kåringar, bl.a. når det gjeld konkurransekrafta og «Doing Business». Til slutt vil eg dra fram at i april fekk NCE NODE den internasjonale prisen «Gold Label». Denne utmerkinga viser at regjeringa sin politikk verkar og vert lagd merke til utover landegrensene.

Stortinget fikk seg omsider forelagt den lenge lovede evalueringen av det statlige virkemiddelapparatet, herunder Innovasjon Norge og SIVA. Mye av det som står i denne meldingen, får en enstemmig tilslutning fra komiteen, men det er også mye som er ugjort og mange endringer som burde vært vurdert i et større bilde. Regjeringspartiene valgte å presse gjennom behandlingen i komiteen på relativt kort tid, så dette har vært med på å forhindre bl.a. Fremskrittspartiet i å legge fram et godt og gjennomarbeidet helhetlig alternativ til den måten virkemiddelapparatet i dag er organisert på. Vi vil derfor på et senere tidspunkt fremme en rekke forslag knyttet til dette feltet i tiden som kommer, men som man trenger litt mer tid til å beregne effekter og kostnader relatert til. Når man skal evaluere det statlige virkemiddelapparatet,

arbeidet og de forventninger som er skapt knyttet til saken. Det burde vært åpenbart for de fleste at dersom man skal kunne få til en nytenkning og innovasjon i næringslivet, er det svært ofte gjennom forskning og utvikling en avdekker de muligheter en har framfor seg i et marked ofte preget av stor konkurranse, og ikke nødvendigvis de største marginene. Vi må selvsagt bare ta til etterretning at regjeringen ikke har vært i stand til å samkjøre dette, og vi vil dermed komme tilbake til forskningens rammevilkår når forskningsmeldingen omsider vil bli lagt fram for Stortinget. Som tidligere sagt i mitt innlegg, er det svært mye komiteen er enig om i innstillingen. Dette gjelder både det faktum at regjeringen varsler at både SIVA og Innovasjon Norge skal få styrket sin spisskompetanse, og – ikke minst – at man skal avklare ansvarsområdet selskapene imellom. Det er også gledelig at man nå vil sørge for at Nærings- og handelsdepartementet i samarbeid med de departementer det gjelder, vil ta initiativ til en effektiv kartlegging av tilgjengelige offentlige bedriftsrettede virkemidler for næringsutvikling. Fremskrittspartiet støtter også overføring av ansvaret knyttet til fra Innovasjon Norge til departementet. Forutsetningen for at dette skal kunne fungere optimalt, er selvsagt at en fortsatt skal ha et eksternt styre for selskapet, noe statsråden har bekreftet i et svar på et spørsmål fra Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet mener det er viktig at det alltid er ideen og sluttproduktets mulighet til å lykkes som må være fokus på virkemiddelapparatet, og da uavhengig av hvor det enkelte selskap er lokalisert, eller hva som er den enkeltes bostedsadresse, kjønn etc. Midler som tildeles for å kunne opprettholde bosetting og enkeltnæringer, skal tas over de ordinære tildelingene gjennom statsbudsjettet, og ikke over budsjettene til Innovasjon Norge. De såkalte BU-midlene er et eksempel på dette. Dette har også Riksrevisjonen påpekt i sin rapport Dokument der det ble vist til at BU-ordningen i liten grad bidro til selskapets måloppnåelse. Det er bra at regjeringen legger opp til at det skal etableres seks nye såkornfond. Dette er viktig i den forstand at minst ett av disse fondene er øremerket en veldig tidlig fase av selskapsutviklingen – den såkalte pollenfasen – og det viser seg at det ofte er i denne tidlige fasen en har problemer med å kunne framskaffe privat risikovillig kapital. Fremskrittspartiet mener at det også er viktig at virkemiddelapparatet ikke skal konkurrere med det private investormarkedet der dette fungerer godt, men man må sørge for å kunne samarbeide til beste for næringsutviklingen. Dette gjelder både innenfor lånemarkedet og innenfor FoU-virksomhet. Det er åpenbart at bedriftene selv vet best hva de har behov

Det er derfor viktig i forbindelse med SkatteFUNN at man opphever begrensningene på antall timer og timesats for egenprodusert FoU. Jeg fremmer det forslaget som Fremskrittspartiet og Høyre er sammen om, og signaliserer at vi vil støtte Venstres forslag,

Høyre har noen kritiske bemerkninger til denne saken. Først og fremst mener vi at det må gjøres enkelte grep for å forbedre virkemidlene, slik at de vil gi Norge økt konkurransekraft også i fremtiden. Å forberede seg for fremtiden betyr etter Høyres mening at vi legger til rette for at norsk næringsliv har nødvendig konkurransekraft til å møte utfordringene på den globale arena. Med det høye norske kostnadsnivået som plattform er det slik at vårt næringsliv må være blant de beste teknologisk og blant de mest effektive og innovative for å hevde seg i konkurransen. Dette er en konkurranse vi ikke må spille kvalifiseringsrunder for å få være med i. Vi er i et evigvarende turneringsspill. Norge er med sitt næringsliv og sin moderne offentlige sektor en teknologisk supermakt. Vi er også – målt mot de aller fleste – i stand til å produsere både rasjonelt og effektivt. Det er derfor først når vi kommer til vår innovative kraft at vi taper terreng målt mot andre nasjoner vi bør sammenligne oss med. Det må vi ta på alvor. Denne regjeringen og Innovasjon Norge bruker følgende definisjon på innovasjon: «en ny vare, en ny tjeneste, en ny produksjonsprosess, anvendelse eller organisasjonsform som er lansert i markedet eller tatt i bruk i produksjonen for å skape økonomiske verdier.» Definisjonen er etter Høyres mening god. Den er beskrivende, peker framover og gir et godt bilde av hvorfor vi må vektlegge innovasjon når vi snakker om næringspolitikk. Derfor er det med undring vi i Høyre registrerer at man unnlater å ta med Forskningsrådet og forskningens rammevilkår og finansiering i meldingen. Forskning og utvikling er etter Høyres mening et helt sentralt og naturlig tema i en innovasjonsdebatt. Det er derfor med undring vi registrerer at regjeringen ikke klarer å se dette i sammenheng. Da Innovasjon Norge ble etablert i 2004, smeltet man sammen en rekke kulturer for å skape et slagkraftig verktøy for nærings- og distriktsutvikling. Politikk som legger til rette for innovasjon, og politikk som legger til rette for distriktsutvikling, kan – men trenger ikke nødvendigvis – være to sider av samme sak. I Høyre mener vi at meldingen savner et klarere skille mellom disse to. Å avgrense innovasjonspolitikken geografisk kan etter Høyres mening legge begrensninger på noe som er det motsatte av hva Høyre mener er målet med en slik politikk. Samtidig mener vi at å begrense distriktsutvikling på grunn av manglende innovative målformuleringer heller ikke kan være en ønsket politikk. Vi har fått beskrevet begge problemstillingene flere steder de siste årene. Høyre vil understreke at målet for Innovasjon Norge skal være å bidra til kunnskapsbasert vekst og verdiskaping. Av den grunn bør man se på muligheter for at prosjekter som ikke bidrar til innovasjon, kan legges til en annen forvaltning. De oppgaver Innovasjon Norge i dag har, og som har lav innovasjonsgrad, er ofte viktige oppgaver som bidrar både til omstilling og utvikling i regioner og kommuner. I Høyre er vi kjent med at det er mye god kompetanse i norske kommuner på denne typen prosjekter, eksempelvis under BU-ordningen, og at det bør vurderes å desentralisere slike oppgaver – noe som også vil bidra til at Innovasjon Norge kan spisse sin virksomhet mot færre og mer innovative oppgaver. I Høyre er vi bestandig nødt til å snakke om skatt, og skatt er et viktig virkemiddel, også i en sånn debatt. kraft er etter Høyres mening i mye, mye større grad riktig vei å gå. Utviklingsmodeller som tar utgangspunkt i bedriftenes behov og ønsker om innovasjon, har bedre forutsetninger for å lykkes enn om bedriftene skal bruke ressurser på å tilpasse seg offentlige programmer og prosesser. Høyre støtter derfor de positive formuleringene om skatteordningene i denne meldingen, men mener at disse må styrkes og forbedres, slik vi har foreslått i våre budsjettforslag de siste årene.

mens Forskningsrådet finansierer TTO-programmene og SIVA inkubatorprogrammet. Alle disse aktørene har virkemidler og tilskuddsordninger innrettet mot tidligfaseprosjekter. I Høyre mener vi det er behov for en bedre samordning av virkemidlene, slik at disse kan spisses mer inn mot de mest innovative vekstbedriftene. Høyre vil derfor understreke det regjeringen selv skriver i meldingen, at det er et sterkt behov